de videre

Sør-Trøndelag fylke tar sete som representanter i den tid Linda C. Hofstad Helleland og Per Sandberg er medlemmer av regjeringen: Torhild Aarbergsbotten og Lill Harriet Sandaune. Representanten Karin Andersen vil fremsette et grunnlovsforslag.

Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig går utover kl. 16. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at debatten

Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 35 minutter, og at taletiden blir fordelt slik: Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar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
Jeg vil først benytte anledningen til å gratulere Anniken Hauglie med jobb som ny arbeids- og sosialminister. Jeg ønsker henne velkommen til Stortinget – rett til en budsjettdebatt der regjeringen fremmer et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Timingen er utfordrende for en ny statsråd, og jeg tror derfor dagen i dag blir nyttig. Norge er et veldig godt land å bo i. 95 pst. er i jobb, og jobben med å skape nye arbeidsplasser er svært viktig for denne regjeringen. Vi har en økende ledighet, vi kan passere 5 pst. i 2016. Det er utfordrende. Derfor fremmer regjeringen en rekke tiltak. Jeg har de siste ukene og månedene vært på en rekke Nav-kontor. Der forteller de meg om statistikkene, at det er mange som er meldt ledige, og de er meldt inn som permitterte, men de aller fleste – som en god nyhet – er tilbake i jobb før det har gått tre måneder, altså under 100 dager ledighet for halvparten av dem som blir ledige. Det vitner om et arbeidsliv og bedrifter som absorberer arbeidskraft. Det vitner om at man er i en omstilling. For meg er det også interessant å se at todelingen vi har snakket om i mange år, nå har snudd. Det er fortsatt en todeling, men nå er det på Vestlandet, på Sørlandet og i kystfylkene at ledigheten er stor og økende, mens det i innlandet, i andre fylker og i Nord-Norge er redusert ledighet.

Det genererer mange arbeidsplasser, ikke bare i nye veiselskaper, men også for folk som bygger, prosjekterer og planlegger. For å få til omstillingen og skape nye arbeidsplasser er utdanning og forskning utrolig viktig. Det vil ikke ha de umiddelbare effektene for norsk næringsliv, men det vil ha effekter som hjelper oss både i det grønne skiftet og i den omstillingen Norge trenger og står overfor. Det som umiddelbart har en effekt, er det regjeringen gjør for Det som umiddelbart har en effekt, er det regjeringen gjør for å redusere bedriftsbeskatningen, og som gjør at bedriftene får mindre skatt i 2016 enn i 2015. Det blir også en ørliten nedgang i formuesskatten. Vi er i gang med det grønne skiftet. Samtidig vil denne komiteen, nåværende statsråd og Stortinget som helhet i 2016 få en kjempeutfordring når tusenvis av nye flyktninger faktisk kommer til å bli i Norge og ikke blir sendt ut. De skal lære seg norsk, de skal inn i et introduksjonsprogram, og de skal inn i jobb. Jeg tror attføringsbedriftene vil være en viktig samarbeidspartner for å få dette til. Man skal integreres i arbeidslivet. Jobben med å skape nye arbeidsplasser er det viktigste denne regjeringen driver med for tiden. Derfor fremmer vi et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi har en god permitteringsordning, vi har styrket bedriftsintern opplæring, vi har styrket Nav, og vi får en stor sysselsettingseffekt av flyktningstrømmen som nå er kommet til Norge. Jeg er fornøyd med budsjettet og ser fram til debatten. Det blir replikkordskifte. I dag diskuterer vi budsjettet til Arbeids- og

vi synes det er viktig å prioritere dem som er inne i dagpengeordningen. I fjor reduserte vi derfor feriepengeordningen, nettopp fordi vi skal bruke dagpenger til dem som er ledige, ikke til dem som har fått seg en jobb og fått midler via dagpenger året etterpå. Vi prioriterer dem som har utfordringer i dag, ikke dem med utfordringer som er ferdig løst. For oss er det slik at vi også har en innstramming nå: Sier en opp stillingen sin i dag,

komitélederen så vidt kom inn på, var nye arbeidsplasser. Der er sjølsagt Senterpartiet helt enig. Vi hadde forslag her i denne uka om investeringer knyttet til fornybare naturressurser. I den sammenheng kom også representanten Kambe inn på begrepet «grønt skifte». Siden representanten brukte det ordet, vil jeg nå gjerne ha en definisjon Høyre på hva som menes med grønt skift helt konkret, sånn at det ikke bare blir et honnørord uten innhold, slik som vi har erfart hittil. Makrobildet på ledigheten bør også representanten Lundteigen kjenne til. Det er en del av det vesentlige i budsjettdokumentene fra regjeringen. Det er dollarkursen, det er oljeprisen, det er store svingninger i verdensbildet. Det slår inn for fullt i norsk økonomi, i olje- og gassindustrien osv. Det får store økonomiske og direkte konsekvenser i Norge. Det er bakteppet for at regjeringen fremmer et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling – for å gjøre det vi kan for å motvirke det og for å hjelpe dem som kommer ut i ledighet. Det grønne skiftet er enkelt, f.eks. det å styrke den maritime næringen, skipsfart, få varer fra vei til sjø.

hilst god jul og godt nytt år til disse barnefamiliene med et kraftig kutt i barnetillegget. De som har de laveste uføreytelsene, kan nå altså miste mange, mange tusen kroner i året. Det er et veldig målrettet tiltak for å ramme mennesker som er syke, ikke kan jobbe og i tillegg har barn – der barnefattigdommen ikke bare vil øke i omfang, men også øke i måten den virker på. Kan representanten forklare hvordan dette kan være rettferdig eller en del av arbeidslinja? Etter åtte rød-grønne år økte antall fattige barn i Norge, under Karin Andersens vakt. Det har denne regjeringen gjort noe med. Roten til fattigdom er å være utenfor arbeidslivet. Det er å være utenfor norsk språk.

alle som er uføretrygdet, alle som har lav lønn, nå få en mye lavere barnehageregning enn de hadde under de rød-grønne. Dette styrker vi også i dette budsjettet: Gratis kjernetid blir utvidet til også å gjelde treåringer, og det oppveier mer enn nok for kuttet i barnetillegget. Det bidrar også til at en kan få jobb og utdanning at noen passer på barna mens en selv er på jobb eller under utdanning. Replikkordskiftet er omme. Det blir denne gangen en ganske spesiell budsjettdebatt, i

starter med å gratulere Hauglie med utnevnelsen og ønsker velkommen til Stortinget. Jeg vil også invitere til bredt politisk samarbeid på en del av de saksområdene som statsråden nå har fått ansvar for. På områder som vår viktigste velferdsinstitusjon, Nav – hvordan den fungerer, hvordan virkemidlene fungerer, og hvordan den teknisk fungerer med tanke på IKT-utstyr, for den saks skyld – og pensjon, der det IKT-utstyr, for den saks skyld – og pensjon, der det er store oppgaver framover knyttet til offentlig tjenestepensjon, men også til privat tjenestepensjon og forholdet mellom offentlig og privat tjenestepensjon, blir det å lage brede politiske løsninger viktig. Når det gjelder begge disse områdene, er det en ting jeg vil starte med å si: Statsråden bør gjenskape samarbeidet med partene i arbeidslivet. Noen har tatt til orde for å vingeklippe LO, men det de har kommet i skade for, er å ødelegge samarbeidet med Unio, med YS, med NHO, med Spekter og med KS på arbeidstakersida med å søke en konfronterende linje. Arbeidstidsutvalget og oppfølginga av det

Nå har vi høyere arbeidsledighet enn på 20 år – 127 000 – og den øker, mens den i andre land, som Tyskland og USA, nå faktisk er i ferd med å komme under vår arbeidsledighet. Tyskland har allerede gjort det, og et land som Sverige gjør det, med målrettet satsing som gradvis presser ledigheten der partene i arbeidslivet virkelig tok et ansvar sammen med myndighetene for å sette full sysselsetting først,

I årets oppgjør gjennomførte de et veldig ansvarlig lønnsoppgjør. Men nå må også regjeringa begynne å ta den situasjonen på alvor. Det ble lagt fram en tiltakspakke i forbindelse med statsbudsjettet, men den er blitt kuttet betydelig i Stortinget. Det har vært mye diskusjon her om hva som egentlig er igjen av Vi reagerer når det f.eks. i stedet for gode tiltak som gir sysselsetting, blir satt av penger til svømmeundervisning i barnehage, partistøtte, på 10 mill. kr, dyrepoliti i Rogaland og musikklinja på Steinerskolen. Det er ikke midlertidige tiltak for å øke sysselsettinga. Det er gode formål, ja, men ikke noen tiltakspakke. Vårt alternativ er å satse mye kraftigere på bioøkonomi, på skogbruk, på trebasert innovasjon, på reiseliv, på miljøteknologi – 633 mill. kr legger vi inn i næringspolitikken. I tillegg satser vi på bredbånd, 700 mill. kr til kollektivtrafikk i byene, økt satsing på jernbane, elektrifisering av

000 flere tiltaksplasser for dem med spesielle behov i tillegg til det. Ikke minst foreslår vi, i tråd med det vi er bedt om av det næringslivet som er berørt av lavkonjunkturen på grunn av oljeprisen, å styrke permitteringsregelverket, sånn som vi tidligere har gjort motkonjunkturtiltak, med 52 uker permitteringstid, som grunnlag for å motta dagpenger under permittering og fem dagers lønnsplikt for arbeidsgiverne. I tillegg foreslår vi i forslaget nå å styrke den bedriftsinterne opplæringa, sånn at den kan brukes som konjunkturvirkemiddel. Så vil jeg understreke at vi foreslår mer penger til varig tilrettelagt arbeid. Jeg vil gi statsråden et godt tips hvis hun har lyst til å bli i godt dag: Besøk en vernet bedrift! Se den gleden, den skapergleden og den yrkesgleden som man opplever i en vernet bedrift, og hvor mye det betyr for dem som har de altfor få plassene vi har til disposisjon! Det må ikke bli kommunalt, for da ligger ikke forpliktelsen der på samme måte. Og ikke minst: Da er det ikke lenger et arbeidsmarkedstiltak. Det er så utrolig viktig for de menneskene vi her snakker om. Vi kommer til å stemme mot III punkt 2, fordi vi heller ikke vil at statsråden skal kunne ta pengene fra det området og føre over til andre. Sosial dumping er et stort problem i samfunnet vårt. Det undergraver det seriøse arbeidslivet. Arbeidsmiljølova er svekket under denne regjeringa. Vi anbefaler å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, som er et virkemiddel for å kunne ta noen av kjeltringene. Vi anbefaler å gjeninnføre regelen om at de som er vikarer, skal likebehandles når det gjelder lønn – likebehandling etter vikarbyrådirektivet. så foreslår vi å styrke Arbeidstilsynet med 20 mill. kr, og vi foreslår å styrke regionale verneombud fordi vi vet det er en ordning som virker mot sosial dumping. Vi vet at treparts bransjeprogram gjør det samme, og at den typen programmer, der myndighetene og partene jobber sammen, er noe av det mest effektive for å avsløre det jukset som i dag foregår i samfunnet. Så

og vi går selvfølgelig imot regjeringas forslag til kutt i supplerende stønad. Regjeringas svar er å gi store skattelettelser, men den gir skatteskjerpelse for noen – kjøregodtgjørelse, f.eks., for dem som må bruke bilen sin i jobb, pendlerfradraget, som er en utgift til inntekts ervervelse for vanlige folk, og som noen tror gjelder bare bilkjøring, men det gjør det ikke, det gjelder all pendling, og ikke minst sluttvederlagsordningen på området vårt, at en må ta penger fra dem som får et sluttvederlag som en del av en omstillingsprosess. Så langt har det vært en tydelig profil i de budsjettene som vi har behandlet, og det vi behandler nå, at de arbeidsledige skal tas nesten 2 mrd. kr årlig må de betale av potten for å finansiere skattelettelsene til folk som har mye fra før, med å kutte i feriepengene, med å ha mindre sikkerhet for lønn etter konkurs og nå med karantene i forbindelse med at man sier opp jobben sin. Det gir en tydelig profil som vi er sterkt uenig i, også næringspolitisk. For OECD har dokumentert i sine rapporter at større forskjeller fører til mindre produktivitet, mens mindre forskjeller fremmer produktivitet. Jeg håper at bytte av statsråd betyr at statsministeren ser at regjeringas profil på de områdene vi behandler budsjett for her i dag, er en belastning for regjeringa. Denne regjeringa har opplevd generalstreik fra i hvert fall de aller fleste arbeidstakerorganisasjonene. Det har fram til nå vært bevisst provokasjon istedenfor samarbeid, konfrontasjon istedenfor dialog. Jeg håper statsrådsskiftet er et signal om en ny

godtgjøre dem som faktisk bygde landet vårt. Regjeringen og nå stortingsflertallet er jo klare på at man ønsker å redusere den usosiale avkortningen gifte og samboende pensjonister har. Dessverre velger Arbeiderpartiet ikke å omtale det, men de velger å stemme imot det og dermed gi norske gifte og samboende pensjonister 8 000 kr mindre. Tidligere arbeiderpartileder Thorbjørn Jagland sa fra Stortingets talerstol i 1997 at det var «kvalmende» å foreslå økte minstepensjoner da. Er dette et utsagn som Arbeiderpartiet fortsatt står ved? Det er i beste fall en forvrengning, men det kan dokumenteres at vi har stått bak økninger i minstepensjonen flere ganger. Og så er det sitatet som representanten forvrenger, fra langt tilbake i tid. Vi er for å øke minstepensjonene og har gjort det flere ganger, men vi har hatt minstepensjonene i fokus. Når det gjelder avkortninga, er vi der på fokus. Når det gjelder avkortninga, er vi der på linje med Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre – ja alle andre partier i Stortinget, egentlig. Og jeg registrerer at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for 5 pst. reduksjon til tross for at de lovet full fjerning. Men der er det for oss slik at vi holder oss til Ivar Aasen, som sier: «Eg tykkjer støtt at det høver best

så det betyr at ein går i riktig retning. Det er positivt. Når det er sagt, ser eg heller ikkje at Arbeidarpartiet går vidare når det gjeld å styrkje sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande, eksempelvis kva gjeld sjukeløn, eller kva gjeld rettar rundt pensjonssparing.

ytelsene. Jeg mener at i framtidas gjennomgang – for det blir mer og mer vanlig å drive enkeltmannsforetak og små bedrifter, og det skal vi ha en moderne politikk for å møte – må også de i den sammenheng regne med å betale, slik som forholdet i dag er mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, der arbeidsgiveren betaler inn sin del og arbeidstakeren betaler inn sin del. Men klarer vi å finne løsninger som finansierer på likeverdige vilkår, er vi med på å diskutere løsninger for det.

Hvorfor foreslo da Arbeiderpartiet – og har brukt mye tid på det – den samme medisinen som de hadde under finanskrisen, nemlig å styrke permitteringsregelverket fra 30 uker til 52 uker, når vi vet at blant permitterte er mange gjennomsnittlig i jobb etter tre måneder? Når vi foreslår det virkemiddelet som vi vet vil virke, er det fordi det er nettopp de av den ledigheten som er litt annerledes fordi den er mer spesifikk bransjemessig og geografisk, som har bedt om at permitteringsregelverket blir endret. Så det er for å treffe dem representanten peker på. Vi lytter til næringslivet. I tillegg til det er det klart at når vi f.eks. foreslår mer penger til å elektrifisere ferjer – bare for å ta det som ett konkret eksempel – er det å bruke økonomien til å stimulere aktivitet akkurat inn mot den delen av arbeidsmarkedet som sliter. Men å gi penger til musikkundervisning, til Steinerskolen, treffer arbeidsmarkedet dårligere. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil også starte med å gratulere nyutnevnt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Jeg ser frem til

Jeg vil også benytte anledningen til å takke avgått statsråd – Robert Eriksson – som har gjort en formidabel innsats gjennom sine to år som statsråd. Han har etterlatt seg flere viktige endringer innenfor norsk arbeids- og sosialpolitikk som kommer til å stå gjennom mange år. Noe av det siste han gjorde, var å legge frem budsjettet innenfor arbeids- og Det er et godt budsjett som er tilpasset den situasjonen landet står overfor. Det er ingen hemmelighet at landet står foran en krevende tid. Vi har økende arbeidsledighet, en lav og halvert oljepris, en altfor stor innvandring, og vi har altfor mange som står utenfor arbeidslivet. arbeidslivet. Da er det viktig at vi justerer de virkemidlene vi har, for å kunne motvirke mange av de konjunkturene vi ser. La meg begynne litt med Nav, som regjeringen allerede er i gang med å styrke, fornye og forenkle. Det er ingen hemmelighet at Nav utviklet seg til å bli et firkantet og rigid system, der man trodde at alle som var innom Nav-systemet, kunne passe inn i en mal. Fremskrittspartiet har alltid vært klar på at ingen mennesker er like, hvert eneste individ må få hjelp og støtte ut fra de forutsetningene og behovene de har. Jeg er glad for at vi nå har en regjering som ønsker å endre Nav, fra en byråkratireform til å være et brukerrettet organ der brukeren skal stå i fokus – og ikke systemene. Det kommer vi til å få mer på nå til våren, og det er noe jeg ser frem til. Når man snakker om arbeidsliv, kan man snakke om kortsiktige tiltak og kortsiktige løsninger. Det er også viktig, men det aller viktigste handler om hvordan vi kan sikre og beholde de jobbene vi allerede har i dag, og hvordan vi kan skape flere jobber. Noe vi må ta inn over oss, er at arbeidslivet har forandret seg. Det er derfor jeg er glad for at vi har fått endret arbeidsmiljøloven. Vi hadde en arbeidsmiljølov som var tilpasset det arbeids- og familielivet man hadde på starten av Nå har vi fått en arbeidsmiljølov som er mer tilpasset 2015, der vi har nye familieformer, der mennesker kanskje ønsker å jobbe mer i perioder i bytte mot å jobbe mindre i andre perioder, der vi har en arbeidsmiljølov som legger til rette for gründere og nystartede bedrifter. Det er viktig. viktig. Derfor er jeg glad for at regjeringen også i dette statsbudsjettet bidrar til å gjøre døren videre og bredere inn i arbeidslivet, for det er ikke sånn at alle mennesker automatisk passer til å jobbe i en 8 til 4-jobb, mandag til fredag. Vi må ha et arbeidsliv som har plass til flere mennesker. Om det er mennesker med forskjellige sykdommer eller andre utfordringer, må vi ha et arbeidsliv som passer for dem. Men når vi også skal trygge arbeidsplassene og skape nye, handler det om mer enn Nav og arbeidsmiljølov. Det handler også om hvilke rammebetingelser vi gir næringslivet. Det ene går på å sørge for at næringslivet får beholde mer av de pengene de faktisk tjener selv. Derfor er jeg glad for at vi har en regjering som har gitt betydelige skattelettelser til bedrifter og til folk flest.

Det er med på å trygge arbeidsplasser og legger til rette for å skape nye. Når vi nå har tidenes satsing på vei, bane og kollektivtransport, gjør det det lettere for arbeidstakere å komme seg til og fra jobb, også jobber som er noe lenger unna. Det gjør det lettere for næringslivet å få fraktet sine varer. Det er også et viktig tiltak for å redusere arbeidsledigheten.

ut i arbeid. Det bidrar til å redusere arbeidsledigheten og trygge arbeidsplassene. Men som jeg var innom i min replikkveksling med representanten Andersen, er det viktig at vi ikke glemmer dem som faktisk bygget landet vårt. Vi skylder alle en stor takk til dem som gjennom mange år har stått på og bidratt til at Norge er det velferdssamfunnet det er i dag, og til at det store, store flertallet av innbyggerne i Norge har det så bra som vi har det. Enkelte later til å tro at det er politikerne som har bygget landet, men Fremskrittspartiet mener det er innbyggerne som bygger landet. Da synes jeg det er trist at Arbeiderpartiet i sitt hovedinnlegg her i dag ikke nevner den usosiale avkortningen mellom gifte og ikke nevner den usosiale avkortningen mellom gifte og samboende pensjonister med ett eneste ord. Noen av oss prøvde å utfordre Arbeiderpartiet på dette i finansdebatten, men da var det helt tyst. Noen av oss prøvde å utfordre Arbeiderpartiet på det da vi behandlet lovproposisjonen om avkortning. Da var det nesten helt tyst. Fremskrittspartiet ser ikke på pensjon som en gave man får fra staten. Pensjon er noe man har opptjent gjennom et langt arbeidsliv. Man har betalt inn skatt, trygdeavgift, man har betalt inn til sin egen pensjon. Da skal det ikke være sånn at Stortinget kutter vilkårlig i pensjonen, og spesielt urimelig er det at man skal straffes hvis man er så heldig å være gift eller samboende. Det er det ikke noen holdbare argumenter for. Noen sier det er rimeligere å bo sammen. Ja, i mange tilfeller er det rimeligere for en husholdning å bo to stykker sammen, men allikevel er det ikke sånn at vi kutter i dagpenger eller sykepenger hvis man er gift eller samboende. Men for landets pensjonister mener altså Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet at det er greit.

Hvert eneste gifte eller samboende pensjonistpar vil nå få 8 000 kr mer på grunn av at de får økt grunnpensjon. Jeg synes 8 000 kr er mye for landets pensjonister. Sosialistisk Venstreparti har tidligere begrunnet at de er mot dette, for de mener det er god fordelingspolitikk å ta fra landets pensjonister. Det er noe Fremskrittspartiet er uenig i, men jeg håper vi også kan få en debatt om det her i dag, for jeg tror det er interessant for landets pensjonister å vite at ved en eventuell ny regjering vil den reversere dette og fortsette å kutte i pensjonene til folk flest. Men jeg er glad for budsjettet vi har i dag. Det er et budsjett som har blitt godt mottatt, det er et budsjett som har en god balanse mellom gode virkemidler innenfor Nav, innenfor virkemiddelapparatet for å hjelpe dem som står utenfor, og ikke minst er det et godt budsjett for å trygge de arbeidsplassene vi har, bedre rammebetingelsene for næringslivet, sånn at vi også legger til rette for nyskapende bedrifter. Det blir replikkordskifte. Pensjon er en rettighet man har betalt for. Det er

Wiborg uttalte i den debatten: «Når det gjelder de ansatte, så ser man jo ved konkurranseutsetting at det også er flere tilfeller der ansatte har fått en bedre pensjonsordning enn de hadde. Vi har eksempler på at ansatte har fått bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn de hadde.» Hvilke eksempler var det representanten Wiborg tenkte på i den forbindelse? For det første: Når det gjelder den debatten, er det verdt å minne

Arbeidsgiverne må konkurrere om å få den arbeidskraften de ønsker. Det bidrar til at en vil få forskjellige lønns- og pensjonssystemer i de forskjellige virksomhetene, noe jeg mener er bra for de ansatte.

jordbruksoppgjøret. Representanten hadde store ord om at hvert eneste individ vil få den støtte en trenger. En skulle over fra byråkrati til brukerreform. Mitt spørsmål er: Bør en vurdere om pensjon og arbeidstiltak fortsatt skal være i samme etat? Regjeringen har varslet at Nav-meldingen vil komme til våren, og jeg vil ikke utelukke noe. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet har flere tanker og syn på hvordan Nav bør forenkles og effektiviseres. Det ene vi tidligere har tatt til orde for, er å ikke ha en kommunal del og en statlig del. Vi ønsker å gjøre systemet mer sømløst. Men vi er villig til å ha en god og åpen diskusjon om hele Nav. Det viktigste for oss er, som sagt, ikke systemet, det viktigste for oss er hva det er Nav leverer til den enkelte. Vi er villig til å lytte til alle gode forslag og innspill.

det er sånn at når man bytter jobb, ser man at det er forskjellige lønns- og arbeidsvilkår på de fleste arbeidsplasser. Det er opp til den enkelte hvor man ønsker å arbeide, eller hvilken forening man er medlem i, og opp til den enkelte selv hvilke betingelser man klarer å forhandle frem. Det er, som sagt, flere eksempler på mennesker som har gått opp i lønn når de har valgt å arbeide i en konkurranseutsatt virksomhet, og det er eksempler på noen som har gått ned i lønn.

i som statsråd. Det har vært en krevende høst og et krevende budsjett fordi landet er i en spesiell situasjon. Jeg vil si vi særlig har hatt tre overordnede saker som preget budsjettforhandlinga. Det var økende arbeidsledighet, økt tilstrømming av flyktninger og selvsagt klimautfordringa som lå til grunn. Vi har fått økt ledighet i Norge, bl.a. på grunn av den lave oljeprisen som i dagevis nå har bikket under 40 dollar. dollar. Det er alvorlig og krever tiltak for situasjonen vi er i nå. Men dagens situasjon skiller seg fra tidligere nedgangstider. Derfor kan vi ikke bare se tilbake på hva vi gjorde for å løse finanskrisa, vi må finne de riktige tiltakene som er tilpasset den situasjonen vi er i nå. Ledigheten har ifølge Nav økt med ca. 11 pst. fra november i fjor til november i år og ligger på

som igjen fører til at de arbeidsledige raskt kommer ut i jobb igjen. Samtidig vil Kristelig Folkeparti understreke at i en situasjon der det er flere ledige, blir det ekstra vanskelig for menneskene som står langt fra arbeid, å komme tilbake. Arbeidet som er krevende nok til vanlig, blir ekstra krevende i denne fasen. Derfor vil jeg også minne statsråden om at det er en viktig oppgave å ha med seg tida. 2016 gir, som komitéleder også sa, en endring i mange av arbeidsmarkedstiltakene. Jeg la merke til at han sa en «haug» av nye tiltak. Jeg vil heller si det blir mange færre tiltak, men større rammer innenfor tiltakene for bedre å kunne treffe den enkelte bruker. Da vil jeg også trekke fram det nye tiltaket AFT, som Stortinget har sagt skal styrkes. Det kommer kanskje ikke før mot slutten av 2016, men det blir et viktig tiltak for å nå dem som står langt unna arbeidslivet. men det blir et viktig tiltak for å nå dem som står langt unna arbeidslivet. Budsjettforhandlingene startet med et budsjett fra regjeringa som jeg vil si hadde mange gode forslag og en god innretning knyttet til utfordringene vi sto overfor, med en stor tiltakspakke i milliardklassen innenfor vedlikehold, bygg, innovasjon og næring, i tillegg til at det kom 4 000 nye

ungdom. Jeg vil dvele litt ved ungdomsledighet fordi det er ekstra viktig at en setter inn en innsats der, sånn at en ikke starter arbeidskarrieren med å begynne på Nav. Derfor er vi glad for det økte lærlingtilskuddet på 2 500 kr per kontrakt og de 1 000 tiltaksplassene som er målrettet mot unge, og ikke minst det toårige opplæringstiltaket for personer med svake grunnleggende ferdigheter, ferdigheter, som vi håper kan bidra til at de unngår å havne i ledighet. Så er vi også glad for det som går på pensjon. Én ting er at en gjør noe med avkortningsreglene, men vi er også spesielt glad for at vi løfter minstepensjonen, fordi vi vet at minstepensjonen ligger under EUs fattigdomsgrense. Jeg vil si til representanten Wiborg at det ikke bare er fordi de var med og bygde landet, det er fordi de fortjener pensjonen uavhengig av om de var med på det eller ikke. Det er en viktig del av det å bli eldre: En skal vite at en blir forsørget. Så vil jeg ta opp to stikkord til slutt. Det ene er arbeidslivskriminalitet. Vi får opprettet flere arbeidslivssentre, det skal være fem stykker nå. Det er viktig for å bekjempe sosial dumping, og det er viktig for å styrke den delen av det seriøse arbeidslivet, sånn at deres posisjon ikke blir svekket på grunn av dem som lurer seg unna. unna. Så vil jeg også si at vi har fått til viktige tiltak for fattigdomsbekjempelse, bl.a. flere midler til tilreisende EØS-borgere. Når det gjelder barnehage og skole, er det også viktige tiltak, men det er en jobb vi må fortsette. Det blir replikkordskifte. Representanten Ropstad var i sitt innlegg bekymret for arbeidsledigheten, og det er

Industri, bedriftene på Vestlandet og arbeidstakerorganisasjonene om at man skal utvide permitteringsordningen. Hvorfor vil ikke Kristelig Folkeparti ta i bruk et virkemiddel som
Takk for viktige spørsmål. Vi mener at permitteringsregelverket fungerer godt sånn som det er i dag. Den lengden som er, mener vi er riktig. Det som jeg synes er utfordrende med spørsmålet om å utvide permitteringsregelverket, og som jeg var inne på i mitt innlegg, er at en nå er inne i en omstillingsfase der en vet at mange av de arbeidsplassene som i dag f.eks. finnes innenfor offshore og petroleum, kanskje ikke skal være i den næringa. næringa. Det vi frykter, hvis en hadde utvidet permitteringsregelverket så langt som jeg har registrert at både Arbeiderpartiet og store deler av fagbevegelsen ønsker, er at i stedet for å forsvinne ut av den næringa og bruke den kompetansen en har til å bygge opp andre typer arbeidsplasser, kanskje innen andre næringer, ville en forbli i en næring som det kanskje ikke skal være like stort volum på som det en ser i dag. Vi mener – som representanten sier

at alle skulle føle samfunnets bevågenhet. Det er kanskje sterkt av meg som senterpartist å si dette her, men det er ord fra hjertet. Trygghet, det å klare seg sjøl økonomisk, er et mål for alle. Trygghet i arbeidslivet er grunnleggende. Uten inntektsbringende arbeid blir det problemer for folk og stor utrygghet i familien. Høy arbeidsledighet og urettferdige lønns- og arbeidsvilkår gir ut fra historiske erfaringer grunnlag for sosial uro, slik det er i mange EU-land. Dette er resultat av politiske prioriteringer og ikke noen naturlov. Jeg er glad for at det i denne innstillinga er enighet om målet full sysselsetting, ikke høy sysselsetting, som regjeringspartiene prøvde å innføre som begrep. Stortingets rolle i en markedsøkonomi er å korrigere markedskreftene for å sikre oppfylling av samfunnsmessige mål i en blandingsøkonomi, og dette er forankret i Grunnloven § 110, hvor det hvor det heter: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.» Trygghet i norsk arbeidsliv er avhengig av mange ulike politiske beslutninger. Først: Fri eller kontrollert bevegelse av arbeidskraft til Norge fra land utenfor Norden er et kjernespørsmål. Senterpartiet står for kontrollert arbeidsinnvandring, vise arbeidskontrakt på fulltid med norske lønns- og arbeidsvilkår må være et krav. Det er et grunnleggende viktig standpunkt. Punkt to: En sjølstendig pengepolitikk med egen valuta, altså en flytende krone istedenfor euro, er helt avgjørende. I dag er det ingen økonomiske liberalister, sjøl ikke i Høyre her, som nå forfekter euro som valutaen i Norge – takk og pris for det. Det tredje politiske området er tilrettelegging for en sterk nasjonal fagbevegelse basert på «gjør din plikt, krev din rett» og et helhetlig samfunnsansvar. Det er et stort fortrinn, men det svekkes i dag. Det må tas alvorlig, og det må endres. Fagbevegelsens nasjonale rolle må styrkes. Videre er punkt fire en sterk arbeidsmiljølov som bygger oppunder faste ansettelser samt arbeidsvilkår som fremmer god forbedring av arbeidsproduktiviteten. Vi må redusere muligheten for bruk av bemanningsselskaper, jamfør dagens forslag fra Senterpartiet om å oppheve arbeidsmiljølovens § 14-12 andre ledd. Det femte området er et sterkt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det offentlige, å sikre stabilitet og fremme bedre utnyttelse av naturressurser, kapital og arbeidskraft samt erkjenne behovet for en rettferdig fordeling av verdiskaping mellom råvarer, kapital og arbeid. Fordelingspolitikken må få en mer framtredende rolle i tida framover, og trepartssamarbeidet er da viktig. Det sjette hovedområdet er sikkerhetsnettet for folk som faller ut av arbeidslivet midlertidig eller varig: permitteringsordninger, dagpenger, arbeidsledighetstrygd, sjukepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd. Senterpartiet er sterk tilhenger av universelle rettigheter og fellesskapsfinansiering. Imidlertid er finansieringa av denne grunnholdning avhengig av er finansieringa av denne grunnholdning avhengig av at folk opplever at en sjøl og dem en kjenner, nyter godt av det på en rettferdig måte. Senterpartiet ser utfordringene slik at vi må systematisk arbeide for å redusere de økonomiske forskjellene blant folk for å fremme Samholds-Norge, dette for å skape flertall for å slå ring rundt de universelle ordningene. Det sjuende området er at de blant oss som har vanskeligst for å få inntektsbringende arbeid ut fra sin evne og situasjon, må vi som folkevalgte gjennom statsbudsjettet gi en mer likeverdig mulighet til deltagelse. Der har vi kraftsamlet våre ressurser i budsjettet, gått inn med 1 365 mill. kr som kan gi inntektsbringende arbeid for om lag 10 000 mennesker. Det er en kraftsamling på det mest sentrale området. Det andre området vi satser på, er å sikre at vi får en oppfølging av lover og regelverk i arbeidslivet for å motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet: Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatteetaten – samlet 115 mill. kr. Det er de viktige områdene, arbeidslivskriminaliteten, sosial dumping og tilrettelegging av arbeidet. Det er det sentrale, dermed har vi prioritert ned andre områder, men sånn må det være i politikken, en må prioritere det viktigste først.

man lager en forskjell mellom disse to gruppene dersom det er slik at man behøver kompetansen fra begge? Vi skiller altså mellom dem som kommer fra Norden og andre steder. Vi ønsker fortsatt å ha et fritt arbeidsmarked i Norden. Årsaken til det er at her er det likeverdige forhold. Vi har hatt det over lang tid. Det har Problemene inntreffer når vi får fri bevegelse av arbeidskraft fra land hvor arbeidsledigheten er svært høy, hvor lønns- og arbeidsvilkårene er svært dårlige og folk er i en vanskelig situasjon, og en dermed er villig til å komme til Norge for å jobbe for helt andre lønns- og arbeidsbetingelser enn det vi trenger. Vi ønsker imidlertid også arbeidskraft fra disse områdene under forutsetning av at en har en arbeidskontrakt

Først til siste replikkveksling: Jeg vil bare minne representanten Lundteigen om at i Norge er det sånn at alle skal ha en arbeidskontrakt. Fremskrittspartiet og undertegnede deler mye av den skepsisen representanten Lundteigen har mot EU, og peker også på utfordringer med Schengen- og EØS-systemet. Det er derfor flere av oss har tatt til orde for en sterkere kamp mot den voksende trygdeeksporten, som ble flerdoblet i tiden representanten Lundteigens parti satt i regjering. Men representanten Lundteigen var ikke inne på avkortningen for gifte og samboende pensjonister. pensjonister. Det er viktig med forutsigbarhet, snakker man om. Mitt spørsmål er: Hvis Senterpartiet skulle komme tilbake i en posisjon der de kunne endre dette – kommer Senterpartiet da til å kutte 8 000 kr for landets gifte og samboende pensjonister? For det første blir det bare munnsvær fra Fremskrittspartiet når de sier at de deler mye av den skepsisen Senterpartiet har til EU og EØS, når de er tilhengere av både EU og EØS. Fremskrittspartiet må nå bestemme seg for hva de mener på det området og ikke skape sånn uklarhet. For det andre – trygdeeksport: Senterpartiet er for universelle ordninger, og vi har det som vår linje. Det innebærer at alle som har tilhold i det norske territoriet, får lik mulighet til trygder og ytelser, også dem som har opparbeidet seg det, og som midlertidig har tilhold andre steder. Når det gjelder avkortning av pensjonene, vil Senterpartiet sjølsagt på ethvert tidspunkt vurdere hva det er prioritetsmessig grunnlag for å ta med, men sånn som vi ser saken nå, og sånn som vi ser saken inn i framtida, ser vi ikke grunnlag for å prioritere en økt utgift til

svært stor vekst, med eit svært stort behov for arbeidskraft, mykje drive av høg oljepris, og vi har ei svært stor arbeidsinnvandring. No er det lågare vekst. Det er lågare oljepris, og det er også lågare arbeidsinnvandring. Ho har bremsa kraftig opp, og for ein del grupper er utvekslinga no negativ. Folk reiser tilbake og søkjer jobbar i andre land. Då er mitt spørsmål:

står veldig fjernt fra, og som stadig flere ser de negative konsekvensene av. Når det gjelder veksten i norsk økonomi de siste 10–15 åra, har den vært ekstrem. Den har vært helt annerledes, den har vært helt i utakt med resten av verden. Senterpartiet prøvde å dempe det noe, slik at vi ikke skulle få slike store bølgebevegelser. Vel, det skjedde ikke. Nå har vi en ny situasjon. Fortsatt er det imidlertid at lønns- og arbeidsvilkår, mulighetene for inntekt i Norge, er vesentlig bedre enn i Romania og andre østeuropeiske land. Det vil være helt naivt å tro at vi ikke fortsatt vil ha en stor arbeidsinnvandring dersom dagens regime uten noen form for kontroll fortsetter. Replikkordskiftet er dermed omme. Eg vil også starte innlegget mitt med å gratulere Anniken Hauglie som ny arbeidsminister. Vi

skal ta høgde for. For å ta tre overordna utfordringar i kjapp rekkjefølgje – eldrebølgja, arbeidsløysa og flyktningstraumen: Den første utfordringa, eldrebølgja, har vi vore klar over lenge. Dei to andre utfordringane – den stigande arbeidsløysa og flyktningstraumen – har vorte akutte utfordringar i løpet av det siste Regjeringa sitt forslag til budsjett på arbeids- og sosialfeltet var i utgangspunktet eit toleleg bra svar på utfordringane vi står overfor: Ein auka talet på tiltaksplassar med 4 000, ein styrkte Arbeidstilsynet i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og ein tok høgde for at arbeidsløysa har vore stigande og truleg vil halde fram med å stige. Frå Venstre si side gjorde vi likevel ein god del endringar då vi skulle gjere våre eigne prioriteringar i vårt eige alternative budsjett. Noko av det viktige for oss har vore å sørgje for ein sterkare sosial profil i budsjettet. Mellom anna har Venstre i forslaget sitt lagt opp til meir bruk av både tidsbestemt og tidsubestemt lønstilskot, og vi føreslår ei omfordeling til fleire VTA-plassar, der behovet framleis er stort. Samla medfører Venstre sitt alternative budsjett for 2016 ei styrking av tiltak for vanskelegstilte i arbeidslivet med I tillegg føreslår vi å styrkje det sosiale sikkerheitsnettet for sjølvstendig næringsdrivande og å gjennomføre reformer i ordningar som gjer at det ikkje løner seg å stå i arbeid. Alt dette og meir til kan ein lese i Venstre sitt alternative statsbudsjett. Dessverre fekk ikkje det budsjettet fleirtal. Fleirtal hadde heller ingen andre budsjettforslag, så Venstre har gått inn i forhandlingar med Kristeleg Folkeparti og regjeringa med mål om å finne ei budsjetteinigheit. Alle har gjeve og teke, og resultatet har vorte bra og vil få fleirtal. Vi sørgde for at satsinga på å skape fleire arbeidsplassar blir forsterka, og ikkje minst sørgde vi for at flest mogleg av dei blir grøne og berekraftige arbeidsplassar. Tiltakspakken for å få bukt med arbeidsløysa er solid. Skattane blir senka, og vi set av store summar til innovasjons- og stimuleringsprogram. Arbeidstilsynet blir ytterlegare styrkt. Vi opprettar fleire senter mot arbeidslivskriminalitet. Så er det sjølvsagt ikkje alt ein er fornøgd med. Eksempelvis hadde Venstre andre prioriteringar i budsjettet vårt når det gjeld pensjon, enn det vi enda opp med i det endelege budsjettforliket. Som eg sa i ein debatt førre veka, var det etter vårt syn ei dårleg prioritering å redusere avkortinga for gifte og sambuande pensjonistar – etter mitt syn lite målretta med tanke på å redusere økonomiske forskjellar. Når det er sagt, er dette eit punkt som har vore viktig for andre parti, og som også er ein del av samarbeidsavtalen mellom dei fire borgarlege partia. Eg er likevel glad for at ein gjennom budsjettforliket har funne rom til å løyve noko meir til einslege minstepensjonistar. Det er ei gruppe som har betydeleg større økonomiske utfordringar enn dei aller fleste av oss. I tida framover blir det avgjerande å senke tersklane inn mot arbeidslivet vårt både fordi det allereie er ein stor utanforskap i landet vårt av medborgarar som ønskjer å jobbe, men som ikkje får høve til det, og fordi vi framover skal ta imot mange nye innbyggjarar til landet vårt som er på flukt frå krig og elende. Og sjølv om det å ta imot mange nye til Noreg har mange utfordringar knytte til seg, er det også grunn til å minne om at det kan Då sjefen for Deutsche Bank vart spurd i eit intervju tidlegare i veka om kva som var det mest positive som hadde skjedd det siste året, svarte han at det var at det hadde kome éin million flyktningar til Tyskland. Dette er eit land som skal inn i ei enorm eldrebølgje, og treng arbeidskraft. Sjølv om demografien ikkje er like dårleg stilt i dette landet, heldigvis, har også vi utfordringar med å tiltrekkje oss nok arbeidskraft, særleg innanfor enkelte sektorar.

Viss ein tek dette prinsippet i bruk på Venstre sitt alternative statsbudsjett, er det ikkje vanskeleg å finne eksempel på at det er noko langt mellom liv og lære. Venstre føreslår bl.a. heilt ut av det blå å kutte lengda på arbeidsavklaringspengar frå fire til tre år. Kjenner Rotevatn til nokre faglege utgreiingar som viser fleire positive enn negative konsekvensar av det tiltaket? Eller er det slik at desse prinsippa berre skal gjelde for alle andre parti enn Venstre?

er at når ein nærmar seg slutten på ein periode, akselererer avklaringa, og ein får det ein er ute etter, nemleg eit svar. Det svaret bør kome fortare enn det gjer i dag. Det aller viktigste vi står overfor, er

med hensyn til de fossile energikildene. Så sier representanten Rotevatn at man skal senke terskelen inn i arbeidslivet og se til Deutsche Bank. I Norge har vi hatt en enighet om norske lønns- og arbeidsbetingelser og fast ansettelse. Mitt spørsmål er: Skal disse to tersklene senkes – norske lønns- og arbeidsvilkår og fast ansettelse? Hvis ikke disse to tersklene skal senkes, hvilken terskel er det i så tilfelle representanten Rotevatn ønsker å senke? Eg vil starte med å seie meg einig i den innleiande analysen til Lundteigen om at vi står overfor ei stor omstilling av økonomien vår i grøn retning. Det er òg noko av det Venstre er mest fornøgd med i dette statsbudsjettet, at vi no gjennomfører eit solid grønt skatteskifte på mange milliardar kroner, og dette skjer i ei heilt anna Dessverre har eg registrert at Senterpartiet har gjort det til ein viktig kamp denne hausten å kjempe mot auka grøne avgifter, og partiet avlyste vel så godt som alle forslag frå Grøn skattekommisjon. Så til dette med terskelen inn i arbeidslivet. Vi har jo allereie gjort endringar i arbeidsmiljølova, der vi har senka ein del av tersklane inn i arbeidslivet. Vi er spente på, og gler oss til å sjå, effektane av det. Venstre trur at dei blir positive. Men det er også anna vi må gjere. Eg meiner at ein måte å senke tersklane i arbeidslivet på er eksempelvis å styrkje ordninga med lønstilskot, slik at folk får moglegheita til å prøve seg og at arbeidsgjevarar tek ein sjanse. Det er òg mykje anna som representanten kan lese om i Venstres alternative budsjett, og som gjer det enklare å få fleire ut i jobb.

det som finst av forslag som gjer at det løner seg å stå lenger i jobb, anten vi snakkar om AFP, eller vi snakkar om aldersgrenser for når du mister oppseiingsvernet ditt. Vi har ein enorm ressurs i dette landet, og det er eldre arbeidstakarar som har mykje å bidra med. Det bør løne seg for dei å vere i jobb lengst mogleg, og dei bør ha eit trygt arbeidstakarvern lengst mogleg. Det har vore ei viktig sak for Venstre i mange år, og det burde ikkje kome som ei overrasking på nokon at det fortsatt er det.

Vi ser en likestillingspolitikk i revers, og vi ser at det grønne skiftet fremdeles svever i det blå. Arbeidsledigheten stiger. Særlig alvorlig er det for ungdom og blant ungdom. Da er det vanskelig å forstå at det lefles med tanken på å fjerne ungdomsgarantien, slik tidligere statsråd Eriksson har gjort. Jeg håper på nye toner nå. Fordi arbeidsløshet er den verste sløsingen med ressurser et samfunn kan ha, og fordi dette er en vanskelig situasjon for den enkelte å være i, fremmer SV i vårt budsjett et løft i kampen for å få folk i arbeid. Vi fremmer også et løft for å bevare bedrifter i en krevende økonomisk tid gjennom et bedre permitteringsregelverk, ikke minst løfter vi spesielt kampen for ungdom i arbeid. Ungdom har en spesiell stilling i arbeidslivet. De er ofte de første som må gå, og gjerne de siste som kommer inn. Ja, endringene i arbeidsmiljøloven rammer også ungdom. SV vil ha en forsterket ungdomsgaranti som gir ungdom under 25 år rett til arbeid, utdanning eller aktivitet innen tre måneder. Hvis det skal være slik at politikere tillater seg å moralisere over at ungdom skal stå opp om morgenen, ja så får man bidra til at det er noe å stå opp til. et sikkerhetsnett, men som en forutsetning for å leve gode og frie liv som sikrer et grunnlag for like muligheter uavhengig av kjønn og klasse.

derfor vil vi reversere endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vet at spesielt kvinner taper, og derfor vil vi styrke trepartssamarbeidet for likestilling. Vi vet at der ligger nøkkelen til til større framgang, og derfor vil vi øke innsatsen mot diskriminering i arbeidslivet og styrke den universelle utformingen. Spesielt ser vi at gravide og småbarnsforeldre er utsatt for diskriminering i arbeidslivet. Vi vil også øke arbeidet mot ufrivillig deltid og for heltidskultur. Dette er erfaringer den rød-grønne regjeringen gjorde og var en innsats som ga gode resultater i både offentlig og privat sektor. Vi ønsker flere forsøk med seks timers arbeidsdag. Vi ønsker et arbeidsliv man kan leve med Vi ønsker et arbeidsliv man kan leve med og stå lenger i med helsa i behold, istedenfor å gå ut som ufør og støtes ut av arbeidslivet. Vi ønsker å snu kulturen vi har i dag, der kvinner jobber deltid mens menn jobber overtid. Det er å se at på mange plasser som har forsøkt med seks timers arbeidsdag, går trivselen opp og sykefraværet ned. Derfor foreslår vi i vårt budsjett midler til flere erfaringer med seks timers arbeidsdag. Vi ønsker at arbeidet skal fordeles på flere, at arbeidsfolk skal få mer tid og et samfunn der man har rom for å leve sitt liv. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg hørte retorikken om sykefraværet går ned og trivselen blir høyere, og jeg tenkte at dette har jeg hørt før et sted. Da kom jeg på at det er den retorikken vi bruker når vi snakker om en mer fleksibel arbeidstid. Da tenkte jeg også at det ikke var sikkert at det var selve sekstimersdagen i seg selv, men at man faktisk fikk lov til å bestemme over sin egen arbeidstid – noe vi har argumentert for og representanten Bergstø har argumentert imot – som var det avgjørende.

det som preger Sosialistisk Venstreparti i arbeids- og sosialpolitikken, er at de ikke er villige til å endre på noen verdens ting i et velferdssystem som har sine utfordringer. Vi kan jo spørre: Hvilke ordninger eller hvilke ytelser – om noen – er det representanten Bergstø ønsker å justere for å gjøre dem

enkelte. Hvis Høyre mener at seks timers arbeidsdag ikke er noen endring, er det nye toner fra Høyre, noe som er interessant å merke seg. Men det er absolutt slik at SV foreslår flere endringer i velferden. Vi ønsker bl.a. at sosialhjelpsmottakere ikke skal få sin sosialhjelp ved barnetrygd. Vi ønsker at uføre skal få krav på oppfølging fra Nav slik at man kan prøve seg i arbeid. Vi ønsker et velferdssystem som ser den enkelte, som tar den enkelte på alvor, og som har en arbeidslinje som

at Sosialistisk Venstreparti ønsker å kutte i pensjonen til gifte og samboende pensjonister, samtidig som Sosialistisk Venstreparti ønsker å utvide ordningen med såkalt supplerende stønad til nye landsmenn. Jeg håper at representanten Bergstø kan utdype hvorfor hun mener at mennesker som aldri har bodd i Norge, skal få høyere pensjon, mens mennesker som har bodd i landet i hele sitt liv, skal få mindre

for at de med minst pensjon skulle få mer å leve for. Det er en politikk jeg er stolt av, og det er en politikk vi støtter. Spørsmålet som stilles, er hva som vil skje med en reduksjon i avkortingen når et nytt flertall kommer. Det er for tidlig å forskuttere, for alle vet at den største regningen for Fremskrittspartiets løfte skal sannsynligvis et nytt flertall betale for. for. Jeg ser fram til å jobbe fram det flertallet. Vi er inne i en veldig krevende fase, som representanten også var inne på, med økt arbeidsledighet. Men både Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har et felles mål om en omstilling av norsk økonomi til en grønnere økonomi der flere arbeidsplasser er i den grønne næringa. Samtidig er det tragisk for de enkeltmenneskene som mister jobben, enten det er i Statoil, Aibel, Aker eller NOV osv., og det er Men målet er at flere av dem som jobber som ingeniører i Statoil i dag, istedenfor vil jobbe i Statkraft eller i andre selskap som er med på å skape enten grønn energi eller iallfall mer bærekraftige næringer. Jeg blir i dag utfordret rundt permitteringsregelverket. Selv synes jeg det er krevende fordi poenget må de næringene som vi er enige om at burde skiftes over til mer grønne næringer, eller iallfall at arbeidsplassene burde brukes til andre ting enn olje og gass. Kan representanten reflektere litt rundt hvordan hun tenker seg permitteringsregelverk og innlåsing av arbeidskraft,

Den norske modellen har den aller beste forutsetningen og det aller beste grunnlaget for omstilling. Derfor er det etter SVs syn helt avgjørende å ha en politikk som styrker og ivaretar den norske modellen – altså et godt organisert arbeidsliv og

omme. Neste taler er statsråd Anniken Hauglie. Presidenten vil benytte anledningen til å ønske statsråden velkommen til Stortinget og til Stortingets talerstol. Takk for det, president. Og tusen takk for mange hyggelige ord og en god mottakelse – det setter jeg stor pris på. Jeg vil naturligvis gjøre mitt beste for et godt samarbeid med Stortinget på et svært viktig område for landet vårt. Vi bor i et land med store muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning, en åpen økonomi og et samfunn preget av tillit, noe som har gitt oss et utgangspunkt for vekst og er en viktig ballast for oss i den situasjonen vi nå er i – for det er ingen tvil om at vi nå befinner oss i urolig farvann. Selv om ledigheten er relativt lav, er den like fullt økende vi har for mange unge under 30 år som faller utenfor, kombinert med en flyktningstrøm som krever mye av oss alle. Vi ser også at arbeidsledigheten er ujevnt fordelt mellom landsdelene. Sør- og Vestlandet sliter på grunn av nedgang i oljerelatert industri, som nå ser ut til å gi ringvirkninger også til andre deler av landet, mens f.eks. innlandet og Nord-Norge opplever gode tider. Min ambisjon er å bidra til å snu den negative utviklingen, at de som nå står uten jobb, og de ledige jobbene finner hverandre i et velfungerende arbeidsmarked som sikrer mobilitet, at færre ungdom faller utenfor og at flyktninger som får innvilget opphold, integreres og klarer å forsørge seg selv. Arbeid er viktig for oss alle, både økonomisk og sosialt. Det gir oss inntekt, men også sosial tilhørighet. Utfordringene må møtes med mange virkemidler og tiltak, som dette budsjettet gjør: 4 000 flere tiltaksplasser enn det saldert budsjett la opp til, samtidig som tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne opprettholdes, satsing på kunnskap, som er det viktigste vi kan gjøre for våre barn, og en historisk stor satsing på næringsrettet forskning og innovasjon og ikke minst store satsinger på samferdsel og infrastruktur. Det er viktig med inntektssikring for den som er ledig, eller av andre grunner ikke kan jobbe. Men den viktigste velferden er å legge til rette for trygge jobber og lønnsomme bedrifter. Tråden i hele dette budsjettet, ikke bare i det vi nå behandler i dag, er derfor arbeid, aktivitet og omstilling, fordi høy sysselsetting og lønnsomme bedrifter er grunnlaget for vår velferd. Mange unge sliter med å få jobb når etterspørselen etter arbeidskraft er lav. Regjeringens ungdomspakke skal motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv og sørge for at de kommer raskt over i opplæring og aktivitet. Regjeringen foreslår derfor at 1 000 av de ekstra tiltaksplassene for ledige i 2016 knyttes til gjennomføring av tiltak i ungdomspakken, og når det gjelder utdanningstilbud innen arbeidsmarkedstiltakene, opprettes et nytt toårig opplæringstiltak med fagopplæring som mål samt økning av lærlingtilskuddet – for å nevne noe. Regjeringen er opptatt av å redusere frafall i skolen. For å sikre at det ikke er økonomisk lønnsomt å slutte på skolen for heller å delta på arbeidsmarkedstiltak og motta tiltakspenger foreslås det å innføre en nedre aldersgrense på 18 år for å få tiltakspenger. I tider med slakkere arbeidsmarked er det viktig at vi ikke firer på kravene om seriøsitet i arbeidslivet. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er derfor nå ekstra viktig for regjeringen. Dette støttes politisk av et samlet Norge og er viktig for organisasjonene i arbeidslivet. For regjeringen er bedre samordnet og mer effektivt tilsynsarbeid en hovednøkkel i arbeidet. I 2015 er det blitt opprettet egne sentre mot arbeidslivskriminalitet i Oslo, Bergen og Stavanger, hvor politiet, skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav Kontroll samarbeider om å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har foreslått å styrke Arbeidstilsynet med nye og det er positivt at samarbeidspartiene ble enige om å sette av penger til to nye samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet i neste års budsjett – totalt 24 mill. kr. Over lengre tid har vi sett at Norge har vært attraktivt for mange arbeidsinnvandrere, særlig fra EØS-området. Mange av dem besitter kompetanse som norske virksomheter trenger. Også her handler det om at de uten jobb og de ledige jobbene finner hverandre. I dag har vi servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Bergen, Stavanger, Oslo og Kirkenes. Regjeringen har merket seg de gode tilbakemeldingene fra både arbeidsinnvandrerne og næringslivet som benytter de eksisterende servicesentrene, og foreslår derfor å etablere et nytt servicesenter i Trondheim i 2016. I tillegg til arbeidsinnvandring opplever Norge en asyltilstrømning vi ikke har hatt tidligere. Et bredt flertall i Stortinget har derfor blitt enige om viktige tiltak for å møte flyktningkrisen. Regjeringen vil følge opp denne avtalen ved bl.a. å gjennomgå særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden og sørge for at det stilles aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er naturlig. Det er også viktig å legge til rette for at de som har fått innvilget opphold, lærer seg norsk og kommer seg inn i arbeidslivet. Regjeringen følger opp avtalen med sikte på innføring av botidskrav for mottak av kontantstøtte og ytelser som ikke støtter opp om arbeid og aktivitet. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Regjeringen vil videreutvikle arbeids- og velferdsforvaltningen ved flere grep styrke og videreutvikle de arbeidsrettede tjenestene, for både arbeidsgivere og arbeidssøkere, utvikle mer brukerrettede tjenester som er effektive og målrettede og bidrar til gode opplevelser for brukerne av Nav-kontoret, og gi Nav-kontorene økt myndighet og handlefrihet. Som Stortinget også er kjent med, vil regjeringen komme med en stortingsmelding som følger opp Vågeng-utvalgets innstillinger på dette området. Jeg er glad for at regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har funnet rom for å oppfylle et viktig tiltak i samarbeidsavtalen. I samarbeidsavtalen er et av målene at avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister skal reduseres fra 15 pst. til 10 pst. Regjeringen følger opp dette og foreslår at deres grunnpensjon økes til 90 pst. av grunnbeløpet fra 1. september 2016. Med dette reduseres en forskjell som mange opplever som urettferdig. Gjennom forliket økes samtidig pensjonen til enslige alderspensjonister med minste pensjonsnivå med 4 000 kr, som da kommer dem med minst blant alderspensjonistene til gode. La meg avslutte der hvor jeg startet, nemlig med sysselsettingen. Vi har høy sysselsetting i Norge, men fortsatt står for mange utenfor. Samtidig står vi nå overfor ekstra utfordringer knyttet til nedgangen i petroleumssektoren. Dette krever klokskap og langsiktighet. Vi skal ha tiltak for å hjelpe mennesker i en overgangsfase, men viktigst nå er det med en politikk som sikrer trygge jobber, lønnsomme bedrifter og god finansiering av vår felles velferd. Regjeringens statsbudsjett i hele sin bredde er et godt svar på oppgaven med å sikre arbeid, aktivitet og omstilling.

men som handler om arbeidsledighetssituasjonen vi er i, som statsråden helt riktig var inne på. Når vi nå går jula i møte, er det 127 000 mennesker i Norge som er usikre, utrygge og ikke vet hva framtida skal bringe. I den situasjonen har altså regjeringa med sine støttepartier kuttet bortimot 2 mrd. kr årlig støttepartier kuttet bortimot 2 mrd. kr årlig i sum, direkte på økonomien til de arbeidsledige. Ser statsråden at det kan være litt tungt rett før jul at økonomien skal kuttes når man er i en litt vanskelig situasjon? Takk for imøtekommenhet når det gjelder detaljer. Jeg vil si at det aller viktigste vi kan gjøre, er å sikre at arbeidsledige kan gjøre, er å sikre at arbeidsledige kan føle trygghet for at jobben deres ikke forsvinner. Hvis den blir borte, skal de føle seg trygge på at det skal være mulig å få en ny og stabil jobb. Det viktigste vi kan gjøre er derfor å sørge for at vi har trygge jobber. Det er også sånn at midlene til arbeidsledige har økt. Som jeg nevnte i mitt hovedinnlegg, øker vi bl.a. antall tiltaksplasser med og vi prioriterer dem som er ledige – jamfør diskusjonen som går på ferietillegget. Vi reduserer støtten til dem som er selvvalgt ledige, og vi mener at det er en prioritering som er viktig. Vi styrker næringsrettet forskning og innovasjon for å sørge for at vi har arbeidsplasser også i framtiden som vi skal leve av. Vi satser storstilt, kanskje mer enn noen gang, på samferdsel og infrastruktur, nettopp for å sørge for at det finnes jobber her og nå. I sum: Det er viktig å sørge for varige arbeidsplasser når folk trenger det. Jeg vil i likhet med statsråden også understreke at det er

fra kunnskap, vil bli utrolig viktig også i den jobben som nå skal gjøres. Min utfordring til statsråden i dag er egentlig bare hvordan hun ønsker å bruke den erfaringa hun har med at det å lykkes på skolen, det å få en god utdanning, kan forebygge så mye av det arbeidsministeren vil ha å gjøre framover. Hvordan vil statsråden bruke den kompetansen og erfaringa hun har fra dette, for å sikre at man slipper å gå på Nav, men kan komme ut i gode jobber?
Takk for spørsmålet. Ja, jeg var sosialbyråd i tre og et halvt år og deretter skolebyråd, og jeg så tydelig hvordan disse tingene henger sammen. Det aller viktigste vi kan gjøre for våre barn, er å sikre dem en god skole som setter dem i stand til å gå videre med studier eller å få de jobbene de ønsker seg, senere i livet. Vi ser at for mange faller utenfor i skolen, med de utfordringene det medfører for dem senere i livet. livet. Derfor er det nettopp at en god skole i barndommen er viktig. Senere må man sørge for at de som faller utenfor skolen, blir kvalifisert, slik at de kan få seg en jobb. Det er ikke lenger sånn at man kan møte opp utenfor fabrikkporten og få seg en jobb. Alle jobber i dag krever kvalifikasjoner, også de som ikke krevde det før. Det stiller oss overfor en utfordring, nettopp å satse på kunnskap og kompetanse, slik dette budsjettet legger opp til. Det er jeg selvfølgelig veldig glad for.

når en er i en regjering som er tuftet på økonomisk liberalisme og næringsnøytralitet. Når det i tillegg er en svak analyse av hvorfor vi er kommet dit vi er, og hva veien ut av det er, og det er et fravær av nødvendige økonomiske virkemidler, utover forskning og utvikling, sitter en skikkelig i et skårfeste. Jeg skal stille et enkelt spørsmål: Representanten Rotevatn sa at for å sikre full sysselsetting burde en senke terskelen inn i arbeidslivet. Er statsråden enig i endringer som fører til færre faste ansettelser som en del av

ja til dette fordi det skulle være enkelt, men fordi det er en spennende og viktig utfordring å ta på seg i en krevende tid. Jeg vil invitere Stortinget til samarbeid om å løse vårt felles oppdrag i den tiden vi er i. Jeg er helt enig i at det er viktig at vi ser på hva det er som hindrer mennesker i å komme seg i jobb, eldre som unge, for vi vet at også eldre arbeidstakere sliter med å komme seg i jobb, og jeg mener at de endringene som man har gjort med arbeidsmiljøloven, er helt nødvendige. Jeg følger spent med på hva konsekvensene for unge blir lavere. Jeg mener at noe av det viktigste vi gjør nå, er å satse på kunnskap, forskning, utvikling og å sikre at framtiden får arbeidsplasser å leve av.

kritisk blikk. Det er veldig mange som har det godt, og vi må sørgje for at vi målrettar innsatsen mot dei som treng det mest. Samtidig som det er mange som har det godt i Noreg, er det ein del som slit. Det er eg heilt sikker på at statsråden har god kjennskap til frå hennar tidlegare virke som sosialbyråd. Mitt spørsmål til statsråden som er i ei ny rolle, er: Er det nokon at statsråden har god kjennskap til frå hennar tidlegare virke som sosialbyråd. Mitt spørsmål til statsråden som er i ei ny rolle, er: Er det nokon særskilte grupper som statsråden meiner ein bør styrkje og hjelpe framover, gjennom å styrkje sikkerheitsnettet? Det er ingen tvil om at ungdom er en gruppe som står meg særlig nær, og vi ser at det er for mange ungdommer som faller utenfor. Hovedutfordringen for ungdom som faller utenfor, er at de har en tendens til å falle utenfor så lenge, og vi vet at jo lenger en står utenfor arbeidslivet eller skoleløp, desto vanskeligere er det å komme tilbake igjen. Når det gjelder det budsjettet vi har nå, er jeg særlig glad for det som gjelder ungdom, altså skole, utdanning og kvalifisering av yngre og de tiltakene vi gjør for å sikre at ungdom kommer inn i arbeidslivet. Det er en gruppe som vi må følge særskilt med på også framover. Jeg har forkjærlighet for forkjærlighet for en annen gruppe også, som ikke ligger direkte under mitt budsjett nå, men kanskje delvis, og det er de som sliter med rus og psykiatri. I den sammenheng ser jeg at den opptrappingsplanen som regjeringen la fram, er utrolig viktig for å sikre dem et bedre utgangspunkt for å komme seg tilbake i samfunnet. Den nye statsråden har fått en utrolig viktig jobb,

integrering, og at de innvandrerne som kommer og skal ha introduksjonsordning, kan få koble både språkopplæringen og introordningen med formell utdanning, slik som man f.eks. har gjort i Sogn og Fjordane, der Nav-direktøren i Sogn og Fjordane ber om regelendringer, de regelendringene som SV har fremmet i Stortinget, og som gjør at man kan kombinere dette på en slik måte at man kommer ut med formell kompetanse, f.eks. som helsefagarbeider, som det er et kjempestort behov for framover. Vil statsråden se positivt på dette forslaget? Kontantstøtten diskuteres jo livlig fra tid til annen, og jeg kan bare slå fast at det er verken denne regjeringens politikk eller mitt partis politikk å fjerne den, så det kommer nok ikke til skje – i hvert fall ikke i denne perioden. Når det gjelder det andre forslaget om integrering, som gikk på det med introduksjonsordning osv., er det et av de områdene som jeg mener det er naturlig å se på når vi skal legge fram Vågeng-rapporten og i oppfølgingen av den. Jeg tror man skal se ganske fordomsfritt på de ordningene vi har, hvordan de fungerer, og om de bidrar til å løse det problemet ordningene er ment å skulle løse, eller om de kanskje ikke er så effektive. Jeg skal ikke konkludere på det akkurat nå, men jeg har i hvert fall tenkt å starte arbeidet med Vågeng-rapporten med et åpent sinn og se hva vi kan gjøre. Målet er at den etaten og våre ordninger skal få folk tilbake i jobb, til å lære seg norsk,

på skuldra. Då AKU-arbeidsløysa nådde 4,5 pst. midt i valkampen, var kommentaren til media at dei arbeidslause ikkje måtte miste motet. Då VG rapporterte om dei mange arbeidslause på Sunnmøre, var kommentaren frå statsministeren: «Mitt viktigste budskap til alle som nå frykter å bli ledige er: Det er bruk for dere.» Vi må kunne forvente noko meir Norsk arbeidsliv er inne i ei krevjande tid når arbeidsløysa no stig ukontrollert og tangerer arbeidsløysetala i Tyskland og er i ferd med å ta igjen USA. Særleg Vestlandet er hardt ramma. Viss vi sit stille og ser på det, er det grunn til å frykte at situasjonen smittar over frå industrien på Vestlandet til andre

Vel, det er kanskje ein harselas som er godt eigna til å tåkeleggje ein viktig debatt, men regjeringspartia greier ikkje å spinne seg bort frå det som er politikken sine realitetar. Vi har ei regjering som må bli pressa på plass av Stortinget før ho begynner å bry seg om at folk mistar jobben. Gjennom heile 2014 og halve 2015 var gjennomgangstonen at det var ikkje så nøye om arbeidsløysa steig, fordi situasjonen fortsett var god samanlikna med andre land. VG kunne i sommar vise at regjeringa snart er tilbake til start når det gjeld å skape nye arbeidsplassar i Noreg. Veksttakten i økonomien er halvert, og det er fleire titals tusen arbeidsledige enn då regjeringa tok over. Dåverande arbeidsminister sa til same avis at det er ikkje nokon grunn til å teikne eit krisebilete. Komiteens nestleiar Wiborg skreiv innlegg i Dagbladet om at det er ikkje rett å gje full gass sjølv om enkelte populistiske stemmer i opposisjonen ber om det. Med andre ord: Marknaden skulle ordne opp sjølv, og regjeringa burde Men no viser det seg ikkje overraskande at høgreideologisk marknadstenking ikkje greier å få bukt med den aukande arbeidsløysa. Tvert imot har vi ikkje hatt fleire arbeidslause på 20 år. Kvar gong opposisjonen føreslår grep, som f.eks. betre permitteringsreglar og tiltak mot ungdomsarbeidsløyse,

Arbeidsfolk og arbeidsledige må bidra meir gjennom kutt i pendlarfrådraget og innføring av skatt på køyregodtgjersle. Dei arbeidsledige får no innført ein ny skatt på sluttvederlag og auka karantenetid for dagpengar. Feriepengar for dagpengemottakarar er borte for lengst. Til saman er det vorte kutta nærmare 2 mrd. kr til dei som er arbeidsledige, sidan valet for to år sidan. Samtidig er det Arbeidarpartiet som blir skulda for ikkje å forstå dei langsiktige utfordringane med omstilling. Det er ikkje sant, som regjeringspartia påstår, at striden om arbeidsløysesituasjonen står mellom dei som vil gjere noko på kort sikt, og dei som forstår det langsiktige omstillingsbehovet. Striden står mellom dei som ser samanhengen mellom det kortsiktige og det langsiktige, at ein her må gjere begge delar og handle deretter, og dei som i handling avslører at dei ikkje gjer det. Det handlar om noko så enkelt som at innovasjon ikkje berre skjer i garasjar og på guterom. Innovasjon skjer i høgste grad i bedriftene, i klyngjene, i daglege møte mellom menneske i same fagmiljø. Difor er det ikkje god omstillingspolitikk å sende alt av ingeniørar og andre fagkompetente folk til Nav ved første anledning. Sjølv om det er mykje fint ein kan finne på med to tomme hender, er det ikkje god omstillingspolitikk å basere seg berre på det. God omstillingspolitikk er å yte ein offentleg skjerv til å halde fagmiljøa intakte, slik at bedriftene kan behalde kompetansen og halde hjula i gang med eit permitteringsregelverk som er tilpassa situasjonen, med offentlege oppdrag som ei forsert fornying av ferjeflåten, og med ein politikk overfor offshorenæringa som får oljeselskapa til å bruke denne perioden til å plugge brønnar og gjennomføre vedlikehaldsarbeid som lett blir

Permitteringsregelverket må utvidast og styrkjast. Oppfølginga av arbeidsledige må bli betre. Desse utfordringane adresserer Arbeidarpartiet i vårt alternative statsbudsjett. Der føreslår vi ei omfattande tiltakspakke mot ungdomsarbeidsløysa. Vi har kraftfulle tiltak mot sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet og fleire tiltaksplassar. Arbeidsløysa bit seg fast og slepper ikkje taket av seg sjølv. Det veit vi på venstresida. Då det butta imot i 2008, lanserte vi ein solid tiltakspakke allereie etter Då fekk vi høyre frå dei noverande regjeringspartia at det var for lite og for seint. Sjølv om situasjonen er noko annleis no enn i 2008, hadde det vore ein god idé viss Høgre og Framstegspartiet kunne børsta støvet av dei talepunkta dei brukte med stor pondus den gongen. Eg trur det vil vere ein meir farbar veg enn å bruke tida på å sitje i glashus og kaste stein mot opposisjonen, når vi veit at det blir fleire arbeidsledige for kvar dag som går. Så vil eg òg bruke anledninga til å gratulere statsråd Hauglie og ønskje henne lykke til. Eg la merke til, både i innlegget i dag og i intervjuet i går, at statsråden er oppteken av å få fleire inn i arbeidslivet, særleg ungdom. Det er veldig bra, og vi ser fram til høyre statsråden sine løysingar på desse utfordringane. I vårt alternative statsbudsjett gjer vi grep som statsråden gjerne må la seg inspirere av. Arbeidarpartiet meiner at unge må få ei endå tydelegare prioritering i heile Både oppfølginga, arbeidsmarknadstiltaka og arbeidsformidlinga må styrkjast og bli skreddarsydd for å få ungdom ut i arbeid. Målet må vere at Nav skal kunne greie å snu dei i døra. Difor ønskjer vi å etablere ei forsøksordning på Vestlandet med Nav Ung som skal rette seg mot unge under 30 år som verken er i jobb eller tek utdanning. Nav Ung skal ha særskild kompetanse innan unge sine behov og utfordringar på arbeidsmarknaden og ha som mål å få desse inn i jobb, inn i utdanning, innan 3–6 månader. Gjennom dedikerte ungdomskonsulentar vil vi gjere det trygt og føreseieleg for ungdomane å møte Nav-systemet. Desse konsulentane må få større moglegheit til å skjere gjennom og få handlefridom ved val av tiltak og bruk av skjøn i vurderingar. I tillegg skal dei drive oppsøkjande og førebyggjande arbeid på vidaregåande skular. Dette gjer vi som ei vidareføring og utvikling av ungdomsgarantiane, utvikling av ungdomsløftet vi presenterte i budsjettet for 2013, som Vår ungdomssatsing er basert på intensjonen i Nav-reforma om at ingen er like. Alle treng tilpassa, individuell oppfølging, anten det er CV-kurs, rusbehandling, medisinsk behandling, arbeidstrening eller tiltak. Ventetidene er i dag for lange. Dei må reduserast. Det same må ventetida i overgangen mellom tiltak. Så har vi alle lese ein ny rapport frå Fafo om ungdomsgarantiane. Dei må reduserast. Det same må ventetida i overgangen mellom tiltak. Så har vi alle lese ein ny rapport frå Fafo om ungdomsgarantiane. Han fortel om eit behov for eit Nav med særskild kompetanse på ungdom sine behov og utfordringar på arbeidsmarknaden. Rapporten peikar på at Nav-rettleiarar som har ei form for ungdomsspesialisering, er meir fornøgde med oppfølginga dei gjev til sine unge brukarar. Aller mest fornøgde er dei som jobbar i ungdomsteam. I Arbeidarpartiet er ein oppmerksame på det som blir sagt i rapporten om at måloppnåinga i Like viktig er rapporten sine råd om både betre og fleire tiltak retta mot ungdom, og at organisering og leiing er det avgjerande dersom dette skal fungere. Vi er veldig einige i at det er fornuftig å evaluere og vurdere ordningane på bakgrunn av ein slik rapport. Men vi meiner det er ei feilslutning å konkludere med å vurdere å fjerne heile ungdomsgarantiordninga, slik den førre arbeidsministeren opna for. Her håper vi at den nye statsråden tenkjer annleis og vil følgje opp ungdomsgarantiane for å få dei til å fungere endå betre, og sørgje for at dei blir realiserte ute i fylka. Å fortsetje med ei stemoderleg behandling av ungdomssatsingane i Nav vil sjølvsagt gjere måloppnåinga dårlegare. Det Nav treng gode rammevilkår, men aller mest treng etaten god og tydeleg leiing. Det blir interessant å sjå kva den nye arbeidsministeren kan bidra med her. Regjeringens mål for arbeidslivet er et velfungerende arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og

For å nå disse målene er det viktig å ivareta trepartssamarbeidet i arbeidslivet fordi kraften i samarbeidet vil være avgjørende for hvordan vi møter utfordringene i norsk arbeidsliv i 2016. Et åpent arbeidsliv med plass til alle er også vesentlig for å bekjempe fattigdom. Det viktigste målet med statsbudsjettet er således å legge grunnlaget for nye og trygge arbeidsplasser. Hovedprioriteringene for 2016-budsjettet er arbeid, aktivitet og omstilling. Høsten 2015 hadde Senter for seniorpolitikk en konferanse i Oslo om seniorene i norsk arbeidsliv. En viktig konklusjon fra konferansen var at en god seniorpolitikk krever en kompetent personalavdeling som har utarbeidet en målrettet plan for arbeidet. Det er også viktig at ansvaret for gjennomføring av planen er tydelig og godt forankret i ledergruppen. Da den nye IA-avtalen ble undertegnet, inneholdt den et klart overordnet mål om å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Skal man hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet blant eldre arbeidstakere, må man i sterkere grad aktivt bruke den kompetansen seniorene på ulike arbeidsplasser er i besittelse av. Norge står overfor store omstillinger i arbeidslivet i årene framover. Det skal skapes nye arbeidsplasser. Framtidens kompetansebehov skal ivaretas, og vi skal møte konkurransen fra andre land. I disse utfordrende tider er det utrolig viktig å bruke den kompetansen som finnes på arbeidsplassene hos kompetente eldre arbeidstakere som har lyst til å arbeide. Vi som nasjon må bli flinkere til å ta vare på den unike kompetansen eldre arbeidstakere har, men da må vi samtidig endre vårt syn på seniorene i arbeidslivet. Det er viktig å styrke forskningen innen helse- og velferdstjenestene i tillegg til å utvikle utdanningene innenfor dette fagfeltet. Praksisrettet forskning og kunnskapsbasert praksis gir oss kunnskap om hvor målrettet velferdstjenestene er, og om innretningen bør endres. Arbeids- og velferdsforvaltningen er et sentralt verktøy for regjeringen i gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken. Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe, det såkalte Vågeng-utvalget, for å gjennomgå arbeids- og velferdsforvaltningen. Ekspertgruppen oppsummerte sine forslag til utvikling av Nav-kontoret i fem hovedpunkter: rykke nærmer arbeidsmarkedet og arbeidsgiver større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov mindre styring og mer ledelse økt oppmerksomhet på brukeren og ikke på systemet sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukeren Alle punktene er like viktige og har det til felles at brukeren står i sentrum, og at man skal ha kunnskapsbaserte tjenester. I 2016 vil norsk arbeidsliv møte store utfordringer, og Nav vil være viktig for å møte disse. Det krever at de ansatte i Nav har høy arbeidsmarkedskompetanse og kan være bindeleddet i møte mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. På Høgskolen i Østfold utdannes det velferdsvitere. Dette er studenter med en bachelorgrad som gir en spesialkompetanse i personalarbeid og arbeidsinkludering. Kunnskapen disse studentene har, vil være viktig i rekrutteringen av ansatte til Nav fordi de har den kompetansen arbeidsmarkedet behøver. Det sies at det skal være én dør inn til Nav, men det må også være én dør ut av Nav. Derfor må det også være slik at arbeidsgivere har én person å forholde seg til. Det kan ikke være som i dag at det er så mange forskjellige ordninger at arbeidsgivere ikke finner fram. Noe av det viktigste for å bli integrert i det norske samfunnet er arbeid. Arbeid gir mulighet til å lære seg språk, men også til å utvikle sosiale relasjoner. Derfor er det viktig å få flest mulig i arbeid raskest mulig. Målet må være at man kan leve av eget arbeid og ikke bli sittende fast i ulike velferdsytelser. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 27 fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Det må være et mål å bruke virkemidler som gir økt deltakelse i arbeidslivet. Dette kan gjøres gjennom bruk av ulike oppfølgings- og tilretteleggingsordninger. Derfor er regjeringens strategi for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet viktig. Arbeidslivskriminaliteten rokker ved grunnleggende verdier i vårt velferdssamfunn. Norge rykker oppover på arbeidsledighetsstatistikken. Vi passerer land som Tyskland og USA. 127 000 mennesker er

Få trodde at det var disse menneskene, de arbeidsledige, som skulle bidra med milliardene i skattelette til milliardærene. Solberg-regjeringen startet med å kutte i lønnsgarantiordningen som sikret lønn etter konkurs, fortsatte med feriepenger til de arbeidsledige, og i år er det forlenget karantenetid og skatt på sluttvederlag som blir årets julegave til de ledige nesten 2 mrd. kr i kutt til dem som mister jobben. Det må være en åpenbar misforståelse når flere her i dag sier at det er bedre at folk kommer seg i jobb istedenfor å få feriepenger av arbeidsledighetstrygden. Da sier en jo at en kan ta seg ferie neste år uten å få feriepenger, en skal gå uten lønn i den perioden. Feriepenger er noe en opptjener. Så hører vi representanter for regjeringen og regjeringspartiene være fornøyd med at vi har tiltaksordninger nå som er på linje med dem vi hadde i 2013. Da var arbeidsledigheten mye lavere. Vi foreslår 2 000 flere plasser. Vi endrer permitteringsreglene slik at bedriftene kan ta vare på kompetansen i påvente av nye oppdrag. oppdrag. Akkurat det siste har vært et tema i flere diskusjoner i denne salen i det siste. Vi hører regjeringens våpendragere forsvare seg med at vi heller må satse på de nye, på gründerne, istedenfor å holde de ansatte nærmest fanget inne i de gamle bedriftene. Ja, det er viktig med gründere og nytenking, men det kan ikke være sånn at en arbeidsplass i en eksisterende bedrift har mindre verdi enn dem som kommer i de eksisterende bedriftene. bedriftene. Det er ikke sånn at det ikke er utvikling i de gamle bedriftene. Vi kan bare se på Raufoss- og Kongsberg-miljøene. Professor Salvanes ved Høgskolen i Bergen viser i en artikkel i Aftenposten i november i år at det er de gamle bedriftene som skaper flest nye jobber, og det er disse bedriftene som tar i bruk ny teknologi, lager nye produkter og utvikler nye forretningsmodeller. forretningsmodeller. Når det hevdes at økt permitteringslengde gjør at folk blir gående med arbeidsledighetstrygd for lenge og reduserer sin egen mulighet til å komme tilbake i jobb, er det feil. Det er bare å lese budsjettinnstillingen hvor man viser til at det er gjennomført en undersøkelse av alle permitteringstilfeller tilbake til 1993, og den viser at ni av ti kommer tilbake til jobb, åtte av ti i egen bedrift. Men en måloppnåelse på nesten 90 pst. er ikke bra nok for Solbergs kamerater. En må nesten lure på hva de egentlig vil. I finansinnstillingen er Solberg-kameratenes prioriteringer presentert. Under overskriften «Arbeid, aktivitet og omstilling» finnes mye interessant lesning: Tilskudd til Steinerskolens musikklinje, tilskudd til tilskudd til internasjonale sykkelritt, svømming i barnehager, omstillingsmidler til Den norske kirke, partistøtte, støtte til Det Frivillige Skyttervesen og Sjømannskirken – alle gode tiltak, som vi støtter, men å definere dem under overskriften «Arbeid, aktivitet og omstilling» viser at det må mye kreativitet til for å fylle begrepet «nye ideer og bedre løsninger» på arbeidsfeltet. I dag har vi sett at Nav spår økt ledighet inn i 2016. Det er for så vidt ikke overraskende. Da trengs det mer håndfaste tiltak enn forslag i finansinnstillingen. I går registrerte jeg at den nye statsråden på sin første arbeidsdag sa at hennes viktigste oppgave er å få folk tilbake i arbeid. Jeg ønsker statsråden veldig lykke til med både det arbeidet og resten av hennes arbeidsoppgaver, men da trengs det nok mer kraftfulle tiltak enn det som er ramset opp i Jeg skal love statsråden at vi skal følge nøye med på hennes jobb for å få flere i arbeid. Regjeringen har lagt frem et offensivt budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling, og det er nødvendig. Norsk arbeidsliv står overfor flere utfordringer. Vi har en økende arbeidsledighet i oljebasert næring og en oljepris som har blitt halvert i løpet av kort tid. Oljevirksomheten vil fortsatt være viktig for Norge i veldig mange år fremover, men drahjelpen fra denne sektoren vil gradvis bli mindre. Derfor har regjeringen helt siden den tiltrådte, vært opptatt av å stimulere til nyskaping og satsing på nye næringer. Norge har over tid blitt altfor avhengig av oljen, og norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Skal vi trygge velferden, må vi styrke vår konkurransekraft og stimulere til ny vekst og mer verdiskaping. Det må etableres jobber i nye næringer som kan finansiere velferden vår. Regjeringen har i hvert budsjett siden 2013 økt satsingen på kunnskap, forskning, innovasjon og infrastruktur. I tillegg har vi også redusert skattene for å stimulere til vekst og investeringer. Nå brukes oljepengene på det de var ment til ifølge handlingsregelen, i motsetning til det som ble gjort av den forrige regjeringen. Flere må tørre å satse, ta ansvar og bidra til fellesskapet og fremtidens velferd, for vi må faktisk skape før vi kan dele. Det er tøffe dager for alle dem som er permittert på vestkysten av landet vårt, i Rogaland og i kystfylkene, der offshorenæringen er stor. Og til Arbeiderpartiet og Fredric Holen Bjørdal: Ja, regjeringen har to tanker i hodet og vil møte dette med både kortsiktige og langsiktige grep. I tillegg til de langsiktige omstillingene, som jeg nevnte innledningsvis, vil regjeringens tiltakspakke på om lag 4 mrd. kr øke aktiviteten på kort sikt og være med på å dempe veksten i arbeidsledigheten. Regjeringen vil bruke ledige hender til å løse viktige oppgaver slik at arbeidsledige kommer raskere i jobb. Tiltakspakken vil forhindre at ledigheten biter seg fast. Midlene skal brukes til å forsterke innsatsen når det gjelder vedlikehold av offentlige bygg, som skoler og omsorgsbygg, og oppgradering av jernbane og veier. I tillegg skal midlene bidra til å holde aktiviteten oppe i verftsindustrien og forsterke satsingen på gründere. Regjeringens budsjett har en klar sosial profil med tiltak for å motvirke spesielt barnefattigdom. Barnefattigdom er et sammensatt problem som trenger en helhetlig tilnærming. Alle departementer og instanser som har ansvar for barn og familier, må bli bedre på å samordne innsatsen og tiltakene, slik at vi kan redusere barnefattigdommen. Og i regjeringens strategiplan, Barn som lever i fattigdom, skisseres hele 64 ulike tiltak på seks departementers ansvarsområder. Dette følges opp med forslag om en samlet bevilgningsøkning i ulike departementer på 255 mill. kr i budsjettet for 2016 sammenlignet med 2015. Regjeringen ønsker mer målrettet bruk av støtteordningene slik at ordningene treffer barn og unge med størst behov. Derfor ble stipendordningen i videregående skole endret; stipendsatsen er økt med 50 pst. og gis nå kun til elever som kommer fra familier der mors og fars samlede inntekt er lav. I inneværende års budsjett har regjeringen styrket tilbudet om gratis kjernetid i barnehage til fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier, og fra neste år vil dette også gjelde treåringer. med 1. mai i år har alle familier med lavere inntekt enn 473 000 kr per år fått redusert barnehagepris. I 2014 ble det innført en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som er videreført og styrket. Ordningen bidrar til at barn og unge som lever i familier med svak økonomi, kan delta i fritidsaktiviteter, få støtte til kontingent og utstyr, og at hele familier også kan få tilgang til Det viktigste virkemiddelet for å bekjempe barnefattigdom og motvirke sosial eksklusjon er å vokse opp i familier der en av – eller begge – foreldrene har inntektsgivende arbeid, og her må alle gode krefter jobbe sammen. Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å ansette folk med hull i CV-en, gi folk en ny sjanse. Arbeidspraksis og arbeidsutprøving skal også foregå mer i ordinært arbeidsliv, med mer bruk av lønnstilskudd og tettere oppfølging fra Nav. Det har vist seg å ha god effekt. Å sørge for at flere med hel eller delvis arbeidsevne kommer i jobb har den høyeste prioritet. Det er det beste for mor og far, og det er det beste for barna.

Debatten så langt har i veldig stor grad dreid seg om situasjonen på arbeidsmarkedet og regjeringas uforståelige angrep på støtten til dem som har vært så uheldige å miste jobben. Men det stopper dessverre ikke med det. Det går som en blå tråd gjennom Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas budsjettforslag i år som i fjor – og året før – at det er stor forskjell på dem regjeringa trykker til sitt bryst, og dem regjeringa ser på som uverdig trengende. Regjeringa fortsetter å ta fra dem som lite har. De store pengene brukes på dem som har mest fra før. Vi ser det i skattepolitikken. Vi ser det i stønadspolitikken. Fremskrittspartiets glansnummer fra tida i opposisjon har vi ikke sett mye til i denne perioden. Jeg tenker selvfølgelig på det årvisse demonstrasjonsforslaget siste møtedagen før jul om julegratiale i form av en tusenlapp ekstra til dem som er mottakere av sosialhjelp. Vi får se hva som skjer i morgen, men det skjer vel neppe, for pengene er brukt på andre ting, bl.a. på økte pensjoner til ektepar og samboere. De får en økning i pensjonen på 8 000 kr per år, uansett hvilken inntekt de har fra før. Regjeringa hoppet elegant over de enslige pensjonistene; de fikk ingenting. Aftenposten presenterte tidligere i høst en oversikt fra Statistisk sentralbyrå som viser de store forskjellene mellom enslige pensjonister og pensjonistektepar, både når det gjelder inntekt, og når det gjelder formue. Mens gjennomsnittlig inntekt for enslige pensjonister etter skatt var var den 557 000 kr for et pensjonistektepar, nesten tre ganger så mye for husholdet, og 84 000 kr mer dersom vi regner per hode – men det bør vi ikke gjøre dersom det er folks levekår vi er opptatt av. Også enslige har utgifter til hus, strøm, lisens, bil, kommunale avgifter osv., men må Når flertallet i komiteen, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, sier at litt høyere pensjon til enslige er et økonomisk angrep på ekteskap og forpliktende samliv – og Venstre er altså med på det – så snur de saken fullstendig på hodet. Det grunnleggende i folketrygden har alltid vært at enslige pensjonister skal ha en litt høyere grunnpensjon enn dem som er to om utgiftene. Og når de samme partiene påstår at det å ta hensyn til at enslige ikke har noen å dele de daglige utgiftene med, er et incentiv for å bryte med sin livspartner, er man ute på viddene, som man på godt norsk kaller det. Jeg er spesielt forundret over at Venstre er med på en slik argumentasjon, siden Venstre i utgangspunktet faktisk var enig med opposisjonen i denne saken. Men også samarbeidspartiene ble altså med på ferden. I en tid med utfordringer som lavere oljeinntekter og økende ledighet velger regjeringa og stortingsflertallet å bruke hele 2,7 mrd. kr på dem som er bedre stilt enn andre. Arbeiderpartiet er ikke med på å bruke så store beløp på en så lite treffsikker måte. Vi vil heller gi litt mer til de pensjonistene som har minst fra før, de enslige med minsteytelser. Det er dem som har det vanskeligst. De er ikke så mange, så de er enklere å overse. Det store flertallet av dem er kvinner. Heldigvis er et flertall på Stortinget enig om at disse også fortjener vår oppmerksomhet. Jeg registrerte at den nylig avgåtte statsråden fra Fremskrittspartiet på sin offisielle Facebook-side forsøkte å ta æren for det, på vegne av regjeringa, men det er altså en tilsnikelse. De enslige minstepensjonistene var ikke i regjeringas tanker – de var det ikke i den første proposisjonen, og de var det ikke i tilleggsproposisjonen. Dem var det vi i opposisjonen og Venstre og Kristelig Folkeparti her i Stortinget som tenkte på. Noe av regjeringas urettferdige politikk rettes dermed opp, men flertallsforslaget fanger dessverre bare opp alderspensjonistene. De enslige uføre med minsteytelser får ingenting. De får bare kutt, dersom de også har barn å forsørge. Også her har vi heldigvis sett at stortingsflertallet har større sosial samvittighet enn regjeringa, men dessverre ikke nok. Det er fortsatt snakk om kutt i stønaden til barnefamilier med dårlig råd og med mindre muligheter til å påvirke egen situasjon enn mange andre småbarnsforeldre, og Arbeiderpartiet er uenig i en slik nedprioritering av dem som har minst. Vi står for en annen politikk enn flertallet på dette området. Vårt forslag om økt bostøtte og en videreføring av transportordninga for funksjonshemmede hører med i det bildet. Regjeringa fører en konsekvent linje i sin politikk, det skal de ha – de med mye skal motiveres av å få mer, de med lite skal motiveres med pisk og kutt i stønader.
Jeg har først lyst til å takke Robert Eriksson. Han sto i viktige saker på arbeids- og sosialfeltet, og han gjorde det på en svært god måte. Jeg vil også gratulere den nye statsråden, Anniken Hauglie. Hun er en person med riktig erfaring, høy kompetanse, sterkt engasjement og god gjennomføringskraft – og jeg ser fram til samarbeidet. En av de viktigste tingene en politiker lever av, er ideer. Har vi ingen ideer for hvordan vi ønsker å forbedre samfunnet, gjøre hverdagen enklere for folk, da har vi ikke stort å bidra med. Vi er ikke de eneste som har det sånn. Det finnes en rekke folk som har ideer som levebrød – aviskommentatorer er ett eksempel, akademikere som skriver bindsterke verker om hvordan samfunnet kan forbedres, er et annet eksempel. Men det er en forskjell en forskjell – en forskjell som det virker som om de ikke alltid er klar over, men som vi må være oss veldig bevisst. Våre ideer har kort vei til å bli satt ut i livet, og da følger det ansvar med. Vår sosiale profil blir ofte angrepet, senest av representanten Christoffersen og de andre fra Arbeiderpartiet i salen i dag. Men for en del år siden var det noen her på huset som hadde en Istedenfor tre dører inn til velferdsforvaltningen, skulle man ha én dør inn. Intuitivt høres det ut som en god idé, men man måtte jo undersøke om dette var noe som det var mulig å gjennomføre i praksis. Den daværende borgerlige regjeringen gjorde det og kom fram til at den organisatoriske prosessen kunne være så kompleks at nye problemer kunne oppstå. Da satte Arbeiderpartiet i gang med et storstilt politisk spill. i 2006 fikk vi kanskje svaret på hvorfor det var slik. I et intervju med Aftenposten sa daværende statsminister Stoltenberg: «Da gikk det sport i det, for Stortinget var det om å gjøre å forandre regjeringens forslag nærmest for sportens skyld. Spørsmålet dreide seg ikke om å gjøre forslaget bedre eller dårligere, men om å gjøre størst mulig Skjebnens ironi var at det var Arbeiderpartiet som måtte gjennomføre reformen. Etter en valgkamp der de som vanlig hadde angrepet de borgerlige partienes sosiale profil, skulle de nå sette i gang med en velferdsreform. Og resultatene kjenner vi. Da tre arbeidsministre fra Arbeiderpartiet måtte møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen, var det ikke bare fordi Navs regnskap for 2008 ikke kunne bekreftes av Riksrevisjonen. Økte restanser var også et tema, dvs. alle dem som ikke fikk den hjelpen de skulle ha. Den første evalueringen av reformen viste at overgangen til arbeid, utdanning og uføretrygd gikk tregere. Mange måtte vente i ett år på et arbeidsmarkedstiltak som skulle få dem ut i jobb. Vi vet en del om hva som skjer med personer Avstanden til jobb blir lengre, og kompetanse kan bli utdatert. Passivitet kan være helseskadelig. Humøret blir dårligere, og kanskje kommer depresjonen krypende – problemene blir større. Men situasjonen var ikke bedre for dem som burde ha fått uføretrygd. Det begynte å hope seg opp på midlertidig uførestønad. Først i 2014 fikk flere av dem avklaringen de hadde ventet på, og som burde ha kommet mye tidligere. Siste evaluering av reformen kom i fjor. Forskerne konkluderte med at man nå er på omtrent samme nivå når det gjelder å hjelpe folk ut i jobb, som man var før man begynte med Nav-reformen. Og dette er de rød-grønnes velferdspolitiske arv. Denne regjeringen har andre ambisjoner, og arbeidet er begynt. Vi rydder opp i tiltakssystemet. Vi arbeidsretter ytelser for å hjelpe folk raskere tilbake i arbeidslivet. Og vi har satt i gang et nødvendig arbeid for å bøte på de rød-grønnes feilgrep i forbindelse med Nav-reformen. I tillegg mener vi det er viktig å bruke alle gode krefter. Derfor styrkes de sosiale entreprenørene. Trygghet i og utenfor arbeidslivet er vårt mål. Derfor må kampen for vårt felles arbeidsliv fortsette med uforbeholden styrke. Vi skal bevare de tradisjonene som har gjort vårt arbeidsliv mulig å skape, og vi skal sikre at disse tradisjonene er bærekraftige for framtiden. Det gjør vi i samarbeid med partene – ansvarlige arbeidsgiverorganisasjoner og en fagbevegelse som har vært en formidabel kraft i utviklingen av Norge.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Først vil jeg si gratulerer og velkommen til den nye statsråden vår. Nok en gang kan vi i Fremskrittspartiet være glad for at regjeringen leverer et godt budsjett, og at Stortinget vedtar mange gode Først og fremst kjennetegnes arbeids- og sosialbudsjettet av at det legger opp til en god og framtidsrettet arbeidsmarkedspolitikk. Ikke bare klarer vi å tilpasse budsjettet til dagens økonomiske situasjon, til tross for halvhjertet overbudspolitikk fra deler av opposisjonen, vi får også gjennomført små og store reformer. En av de viktigste for Fremskrittspartiet er kanskje reduksjonen av avkorting til gifte og samboende pensjonister – eller slik vi sier det på min kant av landet: Det skal bli mindre diskriminering av forpliktende samliv. Jeg er veldig glad for at pensjonister som fortsetter å være gift eller samboende, skal få beholde 4 000 kr mer av sin egen pensjon. Dette er penger som de har opptjent selv, og som de også – selvfølgelig, etter min mening – skal få lov til å beholde. Derfor er det uforståelig for meg at partier på den sosialistiske siden ikke ønsker dette.

Selv dette er raust i mine øyne, for mange av våre innfødte norske pensjonister sitter kun med minstepensjon, og det blir feil om det skal forskjellsbehandles til fordel for våre nye landsmenn. Uansett hvilken retning forskjellsbehandlingen går, er og blir forskjellsbehandling en uting. Et flertall støtter også at man ikke bare skal kunne hente sine gamle foreldre fra opprinnelseslandet og forvente at staten betaler. Underholdsansvaret skal utvides. Så til slutt: Alt i alt er budsjettet en seier for alle dem som er bekymret for jobben sin, og for mange av dem som står utenfor arbeidslivet. Arbeidsledige og uføre skal enklere komme seg ut i arbeidslivet, og det vil både de, deres familie, arbeidsgivere og samfunnet nyte godt av. Landet vårt er

og rederi, sliter. Økt arbeidsledighet skaper utrygghet blant arbeidsfolk og bedrifter. De siste tallene fra SSB tyder på at denne negative utviklingen går enda raskere enn regjeringen hadde regnet med. I mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, har arbeidsledigheten økt med 40 pst. det siste året. Mange går nå og et nytt år i møte uten å vite om de fortsatt har et arbeid å gå til i 2016. Vi har behov for en mer aktiv næringspolitikk. Det handler om å skape nye arbeidsplasser og om å ta godt vare på eksisterende bedrifter og arbeidsplasser. Det vi trenger, er en regjering som fører en politikk som ligger i forkant, og som er villig til å iverksette tiltak for dem som mister jobben. Ikke minst er det viktig å hindre at ungdom blir gående ledig. Vi er flere som opplever det slik at regjeringen konsekvent har vært på etterskudd med tiltak for å sikre sysselsetting og vekst gjennom hele året. Rett før valget ble det varslet en tiltakspakke, men den er nå kuttet kraftig. Det samme gjelder den varslede verftspakken. Oppfølging av den maritime strategien lar vente på seg. Hovedprioriteringen fra regjeringen har vært skattelettelser, noe som øker de økonomiske forskjellene i Norge, samtidig som de finansieres ved hjelp av usosiale velferdskutt og store lån fra framtidige generasjoner med rekordhøy bruk av oljeinntekter. Skattelettelsene har av økonomieksperter blitt beskrevet som lite vekstskapende, så en kan derfor bli forundret over at regjeringen ikke i større grad tar inn over seg hvor lite vekst det blir av skattekuttene. I dagens situasjon er det spesielt viktig at permitteringsregelverket gjøres mer fleksibelt og romsligere. Det er de ansatte som er bedriftenes viktigste ressurs. Forlengelse av permitteringsperioden og et mer fleksibelt regelverk er viktig for å bidra til at bedriftene kan holde på nødvendig kompetanse, ivareta dem som opplever usikkerhet for jobbene sine, og unngå oppsigelser. Det er derfor Arbeiderpartiet har foreslått at permitteringsordningene må utvides og styrkes. Det er synd ikke regjeringspartiene vil støtte dette. Statsbudsjettet er

ekstra. Det andre er oppfølging av lover og regelverk i arbeidslivet for å motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, hvor vi samlet over flere departementer prioriterer 115 mill. kr. Først til de mange ungdommer og de mange over 55 år som har store problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil prioritere store penger for at om lag 10 000 mennesker skal komme inn i betalt arbeid. Om lag 10 000 mennesker skal komme inn i betalt arbeid – 2 000 på varig tilrettelagte tiltaksplasser, hvor vi bl.a. kan få vekk køene for ungdom med diagnoser, slik at en får en sømløs overgang fra skole til arbeidsliv, 5 000 nye plasser på varig tilskuddsordning, tidligere TULT, 2 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 200 mill. kr til kommuner til kvalifiseringsprogrammet. Samlet utgjør dette en formidabel innsats, og jeg er veldig stolt av at Senterpartiet har klart å prioritere disse områdene på den sterkeste måten av samtlige stortingspartier. Det har som sagt ført til at vi må prioritere vekk andre ting. Men det jeg sa i en replikk til representanten Wiborg, var at ikke kan si noe om hva vi vil gjøre med regelverket for pensjon til enslige og gifte og samboende pensjonister senere, når det kommer opp i et nytt budsjett. Så representanten feilsiterte meg på det punktet, for det er noe en må ta stilling til i hvert enkelt budsjett. Men vi snakker her om at regjeringspartiene og samarbeidspartiene prioriterer over 2 mrd. kr til den ordninga, noe Senterpartiet i år ikke hadde råd til. Det andre hovedområdet vi prioriterer, er oppfølging av lover og regelverk i arbeidslivet for å motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatteetaten Men jeg vil understreke at mer effektivitet på dette området først er mulig ved en kontrollert arbeidsinnvandring. Det er da en i mye større grad tar problemene ved roten. Helt til slutt: Siden statsråden ikke svarte på om hun var enig i endringer som fører til færre faste ansettelser i arbeidslivet, må komiteens leder, Høyres Arve Kambe, avklare dette hovedpunktet i debatten nå, slik at vi får en forutsigbarhet for næringslivet. Arbeider regjeringa for

i en spesiell situasjon. Spesielle situasjoner krever spesielle løsninger. Det var sånn den rød-grønne regjeringen møtte finanskrisen. Det er ikke tilfellet nå. Tvert imot brukes det stor kraft i debatten her i dag på å avvise nettopp situasjonsspesifikke løsninger, gjennom f.eks. å forbedre permitteringsregelverket, som det i dag har blitt argumentert veldig godt for. Vi vet at de svenske erfaringene, Sverige har jo ikke hatt et regelverk tilsvarende viser at det ikke er sånn at folk nødvendigvis bytter beite – at industriarbeidere begynner med andre ting når det blir nedgang i industrien. De svenske erfaringene viser at når folk blir sagt opp, ja så kommer de tilbake til samme bransje, men da som innleide løsarbeidere istedenfor som fast ansatte. Men regjeringen vil ikke møte en spesiell situasjon med spesielle løsninger. Heller enn en aktiv næringspolitikk framholdes passivitet gjennom næringsnøytralitet, men markedet er ikke egnet til å løse problemer som markedskreftene selv har skapt. Det er de ikke, det har de aldri vært, og det kommer markedet heller aldri til å være i stand til.

Jeg vet ikke om det kan kalles krevende å overta styringen av et land med historisk lav arbeidsledighet. Jeg vet ikke om det kan kalles krevende, men jeg er overbevist om at det er noe med ideene som svikter, de politiske og ideologiske ideene om at markedets usynlige hånd skal ordne opp i arbeidsledighet, i klasseskiller, i kjønnsmakta – for det kommer aldri til å skje. Det er sosialistisk politikk, det er styring, det er mål, vilje og handling som gjør oss i stand til å møte vår tids største utfordringer, og da må vi ha spesielle løsninger i en spesiell situasjon. Det er

i skatter og avgifter til næringslivet og andre. Hvis man sliter med økonomien, er kanskje ikke nye skatter og avgifter det som er god medisin for å løse utfordringene i bedriftene og sørge for at folk kan ha jobb isteden. Retorikken til Arbeiderpartiet er at regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike. Det er – med respekt å melde – bare tull. Og disse såkalte 2,7 milliardene som denne regjeringen nå har bestemt at gifte og samboende pensjonister skal få redusert avkortningen sin med, gjelder både rike, mindre rike og fattige pensjonister, som har forskjellig type pensjon. De skal altså nå få redusert avkortningen sin med 5 pst. Det betyr at hver pensjonist som er gift,

på samme måte som gifte og samboende får det. Det er noe Fremskrittspartiet har vært opptatt av å gjøre noe med lenge, og derfor er vi veldig glade for at vi nå får til dette. Jeg synes også det er litt spesielt å høre retorikken til Arbeiderpartiet og hvorfor de er så imot dette – jo, fordi noen har kommet bedre ut fordi de er to stykker som bor sammen. Men det er ingen som hvis man skulle bli arbeidsledig eller sykmeldt, kommer hvis man skulle bli arbeidsledig eller sykmeldt, kommer og sier: Nei, du bor sammen med noen, du er gift eller samboende, så vi trekker fra 10 pst. av lønna di! Det gjør man jo ikke. Og det er det dette handler om. Dette er en opparbeidet rettighet som Fremskrittspartiet mener at man opparbeider seg gjennom et langt liv, og da bør man også få beholde det på samme måte, uavhengig av om man er gift eller enslig. Jeg synes det er rart at ikke også Arbeiderpartiet ser at det er viktig å likestille og sørge for at man får det samme. Det er jo det man har tjent opp gjennom et langt liv, og da bør man også få beholde alle de pensjonsinntektene. Presidenten ville nok kanskje brukt et mer parlamentarisk uttrykk enn «tull». Det var bare et lite råd.

kan betale husleia. Den får de også mindre hjelp med fra denne regjeringen, dessverre, for det er mange som nå faller ut av bostøtteordningen, helt i strid med det som er vedtatt. Det blir heller ikke de riktige, framtidsrettede arbeidsplassene så lenge vi har en regjering som satser hundrevis av millioner kroner på oljeforskning – på en forurensende, moden næring som må fases ut – og kutter i fornybarnæringen i treindustrien. Det er feil medisin, det er feil retning. Det er også farlig, for vi trenger arbeidsplassene, og vi trenger den fornybare næringen. Det blir ikke mye godt arbeidsliv hvis ikke regjeringen satser på dette. Statsråden var i sitt innlegg inne på ungdom – hun var særlig opptatt av ungdom. Da ber jeg statsråden Det var et program som skulle hjelpe dem som sto langt unna arbeidslivet, til å komme i virksomhet igjen. Det har vist gode resultater, men det blir brukt i mindre og mindre grad. Regjeringen legger ikke inn noen særlig styrking på dette området. Det er et virkemiddel som man kunne ta i bruk i langt større grad enn det man gjør i dag. Det er jo en del av den aktivitetsplikten som regjeringen liker å snakke om. SV er veldig for at alle skal komme i aktivitet, men det må være noen som – for å si det sånn – driver denne aktiviteten på fornuftig vis. Da er kvalifiseringsprogrammet et veldig godt alternativ. Så til det som regjeringen og flertallet nå tydeligvis har planer om, nemlig å kutte i rettigheten til å ha penger til mat på bordet. Det gjelder mange familier, særlig flyktningfamilier. Jeg vil advare veldig sterkt mot denne tankegangen. Jeg vet at det er forlokkende, for i mange europeiske land har de ikke slike rettigheter som i Norge. Det er én av grunnene til at det ser ut som om det er mange som får slike ytelser i Norge, fordi man her har en rettighet. I andre land skyves dette ansvaret over på familien. Det er nettopp dette regjeringen og flertallet nå gjør, med supplerende stønad til eldre som ikke har opparbeidet seg rett til alderspensjon. Før var de på sosialhjelp. Nå planlegger regjeringen at de ikke engang skal kunne få sosialhjelp. Det betyr at man usynliggjør et kjempestort fattigdomsproblem for eldre mennesker som ikke kommer til å få jobb. Og det er SV helt uenig i.

Så gjorde man noen justeringer slik at veksten innenfor vei ble noe mindre, og slik at veksten innenfor jernbane ble enda større. Det er slik at en anleggsarbeider, uavhengig om en bygger vei eller jernbane, fortsatt er en anleggsarbeider som faktisk har en jobb. Det er synd at Arbeiderpartiet velger å gjøre polemikk ut av det. Representanten Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti hadde et underlig innlegg – hvis det er parlamentarisk korrekt å si. Hun snakket om midlertidige ansettelser, snakket om såkalte løsarbeidere. For det første synes jeg det er en stygg måte å omtale mennesker som har fått en fot innenfor arbeidslivet, på. Men det som gjør det enda mer interessant, er at representanten Kirsti Bergstø – Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe – nylig hadde en jobbannonse ute der de søkte etter en politisk rådgiver innenfor arbeid, sosial likestilling og familiepolitikk, som skulle dekke arbeids- og sosialfraksjonen til Sosialistisk Venstreparti. Det var en midlertidig stilling på syv måneder, med tiltredelse 15. januar. januar. Da er det veldig interessant at representanten Bergstø snakker om løsarbeidere, noe Sosialistisk Venstreparti selv tydeligvis velger å ansette og å søke etter. Det er meget spesielt, for å si det mildt. Så har Arbeiderpartiet snakket mye om tiltak. Det skal være midlertidige tiltak, midlertidige ordninger. Men det hjelper veldig lite å ha mange forskjellige tiltak når Arbeiderpartiet her i denne sal velger å føre en politikk som vil øke arbeidsledigheten i Norge, gjennom å øke skattene og avgiftene med 18 mrd. kr for bedrifter og arbeidstakere, når Arbeiderpartiet velger å redusere bevilgningene til vei og jernbane, når de er imot å kutte i byråkratiet. Det er tiltak som bidrar til å øke arbeidsledigheten, ikke til å bekjempe arbeidsledigheten.

Derfor er det så viktig at de får et tilbud i forskjellige typer arbeidsmarkedsbedrifter. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi ser på dette arbeidet på samme måten som vi ser på annet arbeid. De som er i arbeidsmarkedsbedriftene, og som trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass, må ses på som arbeidskraft som alle andre. Derfor er vi imot at kommunene skal ta over ansvaret for den delen av arbeidsmarkedspolitikken. Derfor er vi også imot at man skal kunne bruke varig tilrettelagte arbeidsplasser til å saldere andre behov innenfor arbeidsmarkedsbudsjettet til statsråden. Derfor håper vi at flere vil være med oss og si at slik vil vi ikke ha det i tiden framover, og stemme sammen med oss, og stemme sammen med oss, og stemme imot omdisponeringsfullmaktens punkt 2 under III, slik at vi sikrer at disse midlene bevilges til dem som trenger dem aller mest. Så har vi hørt en regjering som er opptatt av å fortelle oss at de har gjennomføringskraft. For to–tre år siden foreslo vår regjering at vi skulle endre ordningen med aktivitetshjelpemidler til også å omfatte dem over 26 år. Da er det interessant at vi for bare noen dager siden i denne salen salderte budsjettet for i år der vi tok 56 mill. kr fra den posten. Man hadde altså ikke klart å få organisert arbeidet slik at de som trenger disse aktivitetshjelpemidlene, får dem. Det viser at det er bra at det kommer nye øyne inn i departementet som kanskje kan gjøre at det blir noe mer trøkk på dette i tiden framover. Så har jeg lyst til å si til representanten Bård Hoksrud – jeg skjønner at «tull» ikke er et riktig parlamentarisk ord å bruke – at det må være en åpenbar misforståelse når han sier at 18 mrd. kr, 12 mrd. kr i kutt i formuesskatten går til næringslivet. Det er ikke riktig. Men det som må være en åpenbar misforståelse, er at man kutter 2 mrd. kr fra de arbeidsledige, det er ikke å sørge for dem som sitter nederst ved bordet. Det er

én pensjon å klare seg på, har litt mer å klare levekostnadene sine med enn de som faktisk er to til å dele på utgiftene, og det er veldig urettferdig i henhold til det Bård Hoksrud sier. Men det er noen som Fremskrittspartiet mener at det er helt greit for. Når det gjelder supplerende stønad for personer med kort botid i Norge, som Fremskrittspartiet konsekvent kaller innvandrere, men som faktisk også gjelder nordmenn med lange opphold i utlandet, vedtok en for en uke siden å kutte pensjonene til enslige ned til lav sats, selv om de ikke lever sammen med noen i et samboerskap eller ekteskap, dersom de har noen å dele boutgiftene med. Så her snur en argumentasjonen rundt alt etter hvilke grupper en ønsker å «please», og hvilke grupper en ønsker å henge ut. En annen ting som jeg ikke rakk å nevne i mitt første innlegg, er trygdeoppgjøret for 2015, hvor vi virkelig fikk se hvordan Fremskrittspartiet kan få seg til å tale med to tunger. tale med to tunger. Med daværende statsråds velsignelse gikk Fremskrittspartiets stortingsgruppe til frontalangrep på egen minister fordi årets trygdeoppgjør gikk i minus, og forlangte at dette ble rettet opp umiddelbart. Fremskrittspartiets talsperson sto på denne talerstolen og sa akkurat det, regjeringen måtte benytte seg av den muligheten som ligger i pensjonsforliket, til å foreta en vurdering av om det foreligger særlige forhold som det eventuelt bør tas hensyn til, og sa: «Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det at landets pensjonister nå risikerer å få en redusert kjøpekraft, i høyeste grad er et særlig forhold som det bør tas hensyn til.» Og det var ingen forbehold i det utsagnet. Dette er et halvt år siden. Nå sier Fremskrittspartiet akkurat det motsatte. Foreløpig er det høyst uvisst om løftet til pensjonistene blir innfridd. Men jeg har mine tvil fordi Fremskrittspartiet i budsjettet støtter noe som kan se ut som en teknisk greie, men som henger sammen med Fremskrittspartiets brutte løfter fra trygdeoppgjøret for 2015. Fremskrittspartiet mener nemlig at det ikke lenger er nødvendig å sette av en pott til merutgifter i kommende trygdeoppgjør fordi de skal jo bare indeksreguleres. Pensjonistforbundet ba oss om å beholde muligheten til at drøftingsinstituttet faktisk er reelt. Det sier Fremskrittspartiet nå nei til. Det etterlatte inntrykk stemmer altså ikke med virkeligheten når det gjelder Fremskrittspartiet og bekymringen for landets pensjonister, og det var akkurat det Fremskrittspartiet ønsket å oppnå. Ved avslutningen av debatten er

Vi la fram en tiltakspakke som i forbindelse med statsbudsjettet blir rost av samtlige parter i arbeidslivet for at det var nok tiltaksplasser – dobbelt så mange tiltaksplasser som Arbeiderpartiet foreslo i valgkampen, tiltaksplasser som vi har merknader i 2016-budsjettet på at en forventer at Nav faktisk klarer å bruke opp, for de har ikke klart å bruke dem opp i 2015. Så vi har mer enn nok tiltaksplasser, og revidert budsjett kommer. Vi følger den utviklingen nøye. I tillegg har vi endret permitteringsregelverket for noen måneder siden og har nå 30 ukers permittering. Det er det full mulighet til å ha. Så spør representanten Lundteigen Høyre: Er det slik at vi er for faste ansettelser som hovedregel? Ja, selvfølgelig. Det står til og med i den arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i Stortinget for noen måneder tilbake at fast ansettelse er hovedregelen, og det er faktisk noe som de aller fleste bedrifter også ønsker, enten de er statlige eller offentlige, fordi de ønsker stabil arbeidskraft. De starter arbeidsplasser, starter bedrifter fordi de ønsker å fylle noen behov, og da har de også behov for stabil arbeidskraft. Så fast arbeidskraft og faste ansettelser er hovedregelen, og vi ønsker at det skal være hovedregelen. Kirsti Bergstø gjør et underlig forsøk på historiefortelling fra stortingsperioden 2001–2005, sist vi satt i regjering. Etter hvert som årene gikk der, regjeringen gjorde en rekke ting, såpass mye at Arbeiderpartiets sjefredaktør, Arne Strand, sa første dag på jobb for den nye rød-grønne regjeringen: Dere kommer til dekket bord. Det var virkeligheten da de rød-grønne begynte jobben sin i 2005, og vår virkelighet var at arbeidet med aktivitet og omstilling ikke engang var påtenkt under de åtte årene med rød-grønn regjering. Derfor har vi gjort det. Maritim strategi kommer nå for kystfarten i Norge. Rundt påsketider, eller før påske, når ESA har godkjent det, kommer det for offshoresektoren, og det kommer også for Kiel-ferga og Color Line. Så den maritime strategien er i ferd med å gjøre det, og sist uke, som jeg nevnte i mitt hovedinnlegg,

Jeg har et lite svar til representanten Wiborg. SV er ikke imot at arbeid er av midlertidig karakter, som at prosjektarbeid er midlertidig, eller at vikariat, f.eks. for ansatte som skal ut i foreldrepermisjon, er midlertidig. Vi synes det er gledelig at det er sånne ordninger. Det vi er imot, er en generell adgang til midlertidige ansettelser.

gjør livet vanskeligere for dem som har tungt å bære fra før, er det flere av dem som blir utstøtt. Det vet vi også mye om, og det er dessverre det regjeringen gjør. Representanten Kambe var oppe og sa at man ikke hadde gjort noe for aktivitet da man satt i regjering. Jo, vi vedtok f.eks. kvalifiseringsprogrammet, som er en veldig viktig ordning, og som forskning viser fungerer bra, men denne regjeringen satser ikke på det. det. Det handler også om å gi reelle muligheter til dem som sitter nederst ved bordet, og det liker ikke denne regjeringen. Vi la om stønaden til enslige forsørgere, slik at det var mulig å ha en trygg stønad i bunn mens man kvalifiserte seg til et arbeid der det var mulig å forsørge en familie om man var enslig. Det fungerer. Forskning viser at det fungerer. Det vil ikke denne regjeringen ha, og det er angrep på de familiene som Nav sier har 3,5 ganger så stor risiko som andre for å bli fattige – og det er barn i disse familiene. Det er mye som skal gjøres for fattige barnefamilier, men denne regjeringen og disse flertallspartiene har dessverre mye på samvittigheten som ikke er bra. Til slutt har jeg en appell til statsråden. Varig tilrettelagt arbeid snakket representanten Dag Terje Andersen om her oppe i sted. Det oppfyller Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen om mennesker med funksjonsnedsettelser, at de ikke skal diskrimineres når det gjelder statlig arbeidsmarkedspolitikk.

der de kan få bruke sine evner og ressurser. Dette er en ordning som har fungert godt. Fjerner man dette fra den statlige arbeidsmarkedspolitikken, er det diskriminering. Hvis statsråden ikke tror meg, kan hun snakke med sin partikollega, Victor Norman, som er helt enig med SV i denne saken. Det er ingen god grunn til å fjerne varig, tilrettelagt arbeid fra den statlige arbeidsmarkedspolitikken. Der skal staten være med og bidra framover, og det er ikke én gruppe som skal tas ut og ikke være en del av den. Representanten Karin Andersen sier at det ikke er

har. Derfor er det viktig å passe på skatter og avgifter, for det handler faktisk også om å bevare arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser – noe jeg opplever at SV definitivt ikke er opptatt av når man synes det er så greit å skatt- og avgiftslegge næringslivet på den måten SV vil. Når jeg hører på representanten fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, høres det ut som om formuesskatt er en sånn enkel greie, og at det ikke betyr noe for næringslivet. I mitt fylke har vi en ganske stor bedrift, som i en del år gikk ganske dårlig, men den hadde store lokaler og mye produksjonsutstyr som kostet mye penger. Det betyr at man må betale skatt. Når man ikke tjener penger, men går med underskudd og i tillegg skal betale skatt på noe man ikke kan ta ut, da er det ikke så lett som det kanskje er for kanskje er for Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, som har penger på bok, som gjør at han kan ta av pengene i banken og betale. Disse har altså maskiner som de ikke får solgt, og får man ikke solgt maskiner, må man ta opp lån. Og får man ikke lån, kan man ikke betale formuesskatten sin. Det er jo det det handler om for næringslivet. Jeg synes det er trist at mange forsøker å late som at formuesskatt bare rammer dem som er rike og har masse penger og kontanter. Det er mange som er rike i verdier, men det er ikke sånn at det er like lett å omsette verdiene og produksjonsutstyret hele tiden. Derfor er denne regjeringen også opptatt av å gjøre noe med skatter og avgifter. Fra Arbeiderpartiet er det et tydelig ja. Da vet ca. 550 000–600 000 gifte og samboende norske pensjonister at dersom det blir en annen regjering,

har jeg registrert at Arbeiderpartiet ikke har turt å gjøre noe med det. Så de gjør kanskje ikke det nå heller, til glede for pensjonistene. Som sagt: I sted var det feil av oss å si at vi tok æren for økningen til minstepensjonistene, men nå er det plutselig riktig av oss å ta æren for flyseteavgiften, som Fremskrittspartiet selvfølgelig har vært imot, men som har blitt til gjennom enighet med to andre partier. Per Olaf Lundteigen har hatt ordet

at skatt etter evne skal ha en mindre posisjon framover. Forskjellene øker, ikke minst som følge av endringene i arbeidslivet med flere midlertidige ansettelser og flere vikarbyråer. Det må representanten Hoksrud ta inn over seg. Det blir mer krevende tider. Prinsippet om jambyrdighet må holdes mer fram. Jeg ser finanskomiteens leder har kommet, og jeg Folkeparti, som har en nøkkelrolle på dette området, signaliserer om jambyrdighet skal være varemerket i den krevende tida vi står framfor. Representanten Karin Andersen sier at stortingsflertallet nå har mye på samvittigheten ‒ mye som ikke er bra og nevner stolt ting som ble satt i gang under den forrige regjeringen. Hun prøver å framstille det som om vi f.eks. er imot overgangsstønaden, som om vi ikke har overgangsstønad i Norge lenger etter det vedtaket vi gjorde i Stortinget i vår. Det er feil. Vi har ytterligere forbedret overgangsstønaden slik at den skal hjelpe folk raskere ut i arbeid. Men hvis vi skal snakke om hva ulike partier og hva ulike stortingsflertall har på samvittigheten, er det helt umulig å komme forbi den rød-grønne regjeringens implementering av Nav-reformen. Det var ikke vellykket. Det er virkelig noe jeg er glad for at vi ikke har på samvittigheten. Overgangen til arbeid gikk tregere. Overgangen til utdanning gikk tregere. Overgangen til uføretrygd for dem som trengte uføretrygd, gikk tregere. Det gikk så galt at det måtte en kontrollhøring til. Navs regnskap for 2008 på rundt 300 mrd. kr kunne ikke bekreftes av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen. Folk fikk ikke den hjelpen de skulle ha, når de skulle ha den. Det er det de rød-grønne partiene har på samvittigheten. Så angriper de vårt sosiale engasjement når de har dette på samvittigheten selv! Det framstår helt merkelig, for å si det rett ut. Jeg håper jeg fortsatt er innenfor parlamentariske former.

vi bøter på de rød-grønnes feilgrep, og vi staker ut veien videre for Nav. Det ansvaret tar dette flertallet, og fordi vi tar det, har vi ganske god samvittighet. Formuleringene var klart innenfor.

Jeg tror at vi som sitter på Stortinget, har et felles mål. Vi ønsker å hjelpe folk som sitter nederst ved bordet. Det målet tror jeg vi alle sammen har. Men vi har forskjellige tilnærminger. Vi bruker forskjellige virkemidler, og vi går forskjellige veier. Den respekten må vi faktisk ha for hverandre. Denne regjeringen fører en politikk som ønsker å legge til rette for at folk skal komme ut av fattigdommen. Jeg har skissert i tidligere innlegg at vi har mange ulike tiltak som vi tror på, og som vil føre til at folk kan klare seg bedre selv og komme seg ut av fattigdom. Vi rydder opp i tiltakssystemene i Nav så de skal fungere bedre. Det tror vi på. Jeg har som sykepleier lært i min utdanning at det viktigste vi kan gjøre, er å hjelpe folk til å greie seg

kalles pensjonister, men som for manges del er i samme situasjon som alderspensjonistene, for det er Stortinget som avgjør hva de skal ha å leve av. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger, også nå i forbindelse med budsjettet, bedt regjeringa foreta en gjennomgang av uførereformen for å fange opp dem som utilsiktet har fått reduserte ytelser. Også nå i dag blir vi nedstemt. Regjeringspartiene har på en eller annen måte klart å definere de uføre over i gruppa uverdig trengende. Vi forstår ikke hva galt de uføre har gjort som fortjener dette.

På den andre siden får altså folk med svære formuer svære skatteletter, og folk som arver – det er ikke arbeidslinja som gjelder her, det er arvelinja som gjelder for denne regjeringen. Og da har man god råd, de rike motiveres nemlig av å få mer penger, mens fattige skal motiveres av å bli fattige. Hvis man er opptatt av å gjenvinne evnen til å komme i arbeid, må man støtte opp om dem som er i en vanskelig situasjon. Når vi påpeker at dere faktisk tar fra de fattigste, må dere – for å si det sånn – innse at det er det dere gjør. Og det fungerer altså ikke, det skaper fattigdom, uhelse, det skaper vanskelige liv, og færre kommer i jobb. Representanten Bård Hoksrud har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad,

Wiborg har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Karin Andersen mente at man blir syk av lite penger. Det er noe Fremskrittspartiet er helt enig i. Og da er det særdeles underlig at den samme representanten ønsker å frata landets gifte og samboende pensjonister 8 000 kr i året, men det kan kanskje henge sammen med at representanten Kirsti Bergstø

Det er useriøst. Alle vet at alle er for at i midlertidige stillinger kan en ansette midlertidig. Det er ingen som noen gang har sagt noe annet. Det vi er imot, er at det skal bli alminnelig adgang til å ansette midlertidig uten at det er en midlertidig stilling. Når vi er det, er det fordi alle advarer mot det. Regjeringa og regjeringspartiene ble advart av Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet, og det er dokumentert i rapporter fra OECD at det ikke gir flere jobb, det er bare det at flere av jobbene blir midlertidige. Det er de fakta som ligger til grunn. Erfaringene fra Sverige dokumenterer akkurat det samme. Det blir altså ikke noen lavere terskel inn i arbeidslivet – nei da – men det blir lavere terskel ut av arbeidslivet, fordi en bare kan hives ut uten noen grunn, som en må ha hvis en er ansatt. Så til skatt, som også har blitt brakt opp. Det er regjeringas viktigste tiltak mot arbeidsledigheten. Der har også OECD sagt noe om de økte forskjellene og hva det fører til av tapt produktivitet. Så har Scheel-utvalget sagt at det er bedre å satse på residensbeskatning enn på kildebeskatning. Og så har Menon-rapporten til regjeringa sagt at av lettelser på skatteartene er formuesskatt det minst effektive hvis en vil få til aktivitetsøkning. Men allikevel gjør altså regjeringa det. Nei da, vi foreslår ikke dramatisk økning i skatten. Vi foreslår til og med senking av selskapsskatten. Det gjorde vi da vi satt i regjering, og det gjør vi nå. Men vi går altså imot skattelettelsene, fordi vi vet det ikke virker, og fordi vi er opptatt av sysselsetting og arbeidsledighet. Og så er vi opptatt av det å ta 2 mrd. kr rett ut av lomma til de arbeidsledige. Det er ikke spørsmål om vi er enige om at de arbeidsledige helst bør komme i jobb – det er alle enige om. Men vi stiller spørsmålet: Hvorfor i all verden skal vi plage folk som har mistet jobben, med i tillegg å miste økonomi? Så tydelige er forskjellene. Representanten Arve Kambe
bare ta opp noen av de påstandene som kommer. Det vi gjør når det gjelder pensjonsoppgjøret, er å flytte pengene fra ymse-posten til en vanlig post. Det er ikke å legge det inn som en del av et lønnsoppgjør eller andre ting. Det er på samme måten som når staten lager statsbudsjettet, man legger inn en prognose for framtidig forventet lønnsvekst i stat og kommune, man gjør det samme med sykefravær, man gjør det samme med renter osv. Det er en del av prognosen. Når pensjonsoppgjøret kommer, er det ikke påvirket i det hele tatt av det. Når det gjelder midlertidig ansatte, er hele poenget at etter åtte rød-grønne år sto veldig mange ungdommer, veldig mange innvandrere og veldig mange mennesker med nedsatt arbeidsevne langt utenfor norsk arbeidsliv. Vi tilbyr dem: Det er bedre med midlertidig stilling med full lønn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

bor der, skal oppleve trygghet. For oss handler det om å ha en jobb å gå til, om deltagelse og om tilhørighet i et fellesskap. Det handler også om samfunnssikkerhet og beredskap for at folk skal oppleve trygghet for liv, helse og viktige verdier trygghet for at vi jobber godt for å forebygge hendelser, og for at når alvorlige hendelser inntreffer, så har landet den nødvendige beredskapen for å håndtere situasjonen. Vi lever i en urolig tid. Klimaendringene skaper ustabile boforhold. Noen mister hele land. I Norge mister mange husene sine, og framkommelighet til jobb og omverdenen reduseres. Flom og ras skaper utrygghet. Innbyggerne i Feda og Vikeså har opplevd det denne vinteren. Krig, sult, fattigdom, nød og miljøkatastrofer setter store menneskemasser i bevegelse, også i vår tid. I urolige tider påvirker mange forhold tryggheten vi opplever. Ordene vi bruker, konfliktene vi skaper, og de politiske valgene vi tar, bidrar i smått og stort til å øke eller redusere tryggheten den enkelte opplever, og samfunnet som helhet skaper. Sceneteppet bak dagens Europa er alvorlig. Islamister og høyreekstremister speiler seg i hverandres angrep på våre verdier, som ytringsfrihet og demokrati. Statsministeren sa i sin redegjørelse om flyktningsituasjonen til Stortinget:

Det er påfallende hvordan justis- og beredskapsministerens fokusering på beredskap ser ut til å ha blitt redusert til kun ett spørsmål: behovet for permanent bevæpnet politi. Regjeringa sier lite om det som virkelig har betydning for sikkerhets- og beredskapsevnen her i landet. Når en krise oppstår, skal den håndteres raskt og effektivt, med god kompetanse på alle nivåer. må derfor satses på nasjonal kriseledelse. Folk skal vite at de får hjelp når de trenger det, uansett om de bor i Flekkefjord eller i Hammerfest. Beredskapsaktørene må gis anledning til å øve mer, og til å øve mer sammen, slik at de er klare den dagen det trengs. Arbeidet med å styrke beredskapen i Norge er uten framdrift. De konkrete tiltakene for å styrke beredskapen til tross for at regjeringa nå legger fram sitt tredje budsjett. Fremdeles er nasjonalt beredskapssenter i det blå. Justis- og beredskapsministeren ser heller ikke ut til å se behovet for en nasjonal skalerbar operasjonssentral, til tross for klare anbefalinger etter 22. juli. Det satses heller ikke på å opprette Arbeiderpartiet tar til etterretning at regjeringa stoppet avgjørelsen om å bygge beredskapssenter på Alnabru, til tross for at regjeringa selv skriver at det var mulig å bygge der. At det ikke blir Alnabru bekymrer oss likevel ikke. Det som gir grunn til bekymring, er at beredskapssenteret stadig skyves på. Nå er det gått to år. Vi har ikke tid til å vente Nå må det vises politisk handling. Vi må vite hvor beredskapssenteret skal stå, og vi må vite når det kommer til å bli ferdig, slik at politiets skarpeste ende kan trene mer på de skarpeste oppdragene. Det er enda ikke avklart hvordan nasjonale kriser skal ledes, hvem som operativt skal lede en hendelse der det smeller flere steder i landet samtidig. Justis- og beredskapsministeren burde være mer opptatt av nasjonal kriseledelse enn det vi ser i dette budsjettet. Handlingslammelsen vi nå ser, vitner om en regjering som ikke har vilje til å prioritere de store beredskapsgrepene Norge trenger. Arbeiderpartiet setter handling bak ordene og leverer på alle områder i vårt budsjettforslag. Vårt alternativ prioriterer beredskap og sikkerhet. Vi setter av midler til nasjonal skalerbar operasjonssentral og regionale øvingssentre. Vi prioriterer også de sårt tiltrengte sikkerhetstiltakene ved Oslo tingrett, og vi er tydelige på behovet for en prioritering av beredskapssenteret. Jeg vil til slutt ta opp våre forslag i innstillinga og vil også gi signal om at vi kommer til å stemme for II–XIII. Representanten Kari Henriksen har tatt opp de

Vi ser angrep og trusler fra grupper som vil splitte, spre hat og dyrke frykt. Det internasjonale landskapet er i stadig endring – økonomisk og sikkerhetsmessig. Dette griper direkte inn i Justisdepartementets oppgaver og utfordringer. Departementet skal ivareta tryggheten i samfunnet i rolige så vel som urolige tider. Justisfeltet styrkes med 1,1 mrd. kr i friske midler fra regjeringen, pluss over 360 mill. kr til styrking av politiet og PST i tilleggsnummeret om økt antall asylankomster. I tillegg inneholder budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene satsinger på over 70 mill. kr innenfor justiskomiteens budsjettkapitler. Regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, legger derfor et godt grunnlag for trygg styring i en krevende tid. For Høyre er et trygt samfunn – for unge og eldre, dag og natt – en svært viktig politisk verdi, et samfunn hvor vi er klare og konsekvente i kampen mot kriminalitet. Synlig og tilstedeværende politi og god beredskap er viktig for tryggheten i samfunnet. Vi har med dette budsjettet opprettet over 1 000 nye politistillinger siden regjeringsskiftet. Politidekningen per 1 000 innbygger er på vei oppover. Oppklaringsprosenten har økt markant siden regjeringsskiftet. Nærpolitireformen gjennomføres fra 1. januar 2016. Dette er den største endringen i norsk politi i nyere tid. Samtidig økes politibemanningen, og fornyingen av politiets IKT-systemer trappes opp. Dette vil gjøre politiet bedre i stand til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og samtidig øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi der folk bor. Et bredt flertall i Stortinget har formulert en krevende og nødvendig forventning til resultatet av nærpolitireformen. Budsjettet følger opp dette. Samtidig kommer Stortinget til å følge nøye med på reformens framdrift og måloppnåelse. Styrking av bemanningen i politiet fører også til en økning i antall straffesaker i domstolene. Vi har fått tydelige signaler fra Domstoladministrasjonen om behov for økt antall dommerårsverk. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har derfor styrket domstolenes budsjett med 10 mill. kr under komiteens behandling. På samme måte som for domstolene vil styrkingen av politiet føre til større behov for varetekts- og soningsplasser. I altfor lang tid har straffesakskjeden vært nedprioritert, og soningskøene økte. Ved regjeringsskiftet var soningskøen over 1 200 dommer. Regjeringens målbevisste arbeid gir resultater, nå er soningskøen nesten halvert. Regjeringen har økt soningskapasiteten innenfor eksisterende fengsler, har tatt i bruk 242 soningsplasser i Nederland og etablerer i tillegg 181 plasser ved fengslene i Eidsberg og på Ullersmo. Prosessene med å etablere ytterligere soningskapasitet i Norge er godt i gang. Derfor er det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet i sitt budsjett legger opp til at soningskøene skal øke med de menneskelige og samfunnsmessige kostnader det medfører. Arbeiderpartiet vil avvikle de 242 plassene i Nederland uten at det er ledig kapasitet innenlands for å motta de innsatte. Det tar lang tid å etablere nye plasser. Resultatet er at soningskøene øker med Arbeiderpartiet. Dette er et budsjett for trygghet. Det styrker politiet. Samtidig forsterker det innsatsen for sårbare grupper med spesielle behov, og da særlig barn. Kampen mot arbeidslivskriminalitet og organisert kriminalitet intensiveres. Det retter opp store deler av den tunge arven etter de rød-grønne i form av lav politidekning, vedlikeholdsetterslep i kriminalomsorgen og soningskøer. Dette er et budsjett som gjør landet enda sikrere.

i sine tre statsbudsjett – og følger opp inneværende års budsjett med budsjettet vi vedtar for kommende år. Det gleder i hvert fall meg, og jeg tror også veldig mange andre, at vi har hatt en voldsom satsing for å få flere årsverk i politiet. Også for neste år er det lagt opp til 350 nye politibetjenter. Det vil si at med de tre budsjettene som dette flertallet er ansvarlig for, vil det være over 1 000 nye politibetjenter som skal passe på oss, etterforske, følge opp henvendelser fra publikum og sørge for at vi får en polititjeneste som er langt bedre enn den man tok over for et par år siden. Dette er gjort for å nå målsettingene Stortinget har sagt at man har knyttet til politidekningen i Norge. Denne regjeringen og dette flertallet har også lagt helt klare planer for å gjøre noe med situasjonen for våre fengsler og innsatte. Da vi tok over for to år siden, hadde regjeringen som gikk av, null visjoner om hvordan man skulle håndtere den økende fengselskøen. Man hadde angivelig lagt fram noen forslag om å bygge fengsel på Sørlandet uten at det var lagt fram en eneste krone til det Det var det eneste svaret man fikk når man lurte på hva man hadde tenkt å gjøre med de 1 200–1 300 menneskene som sto i fengselskø. Denne regjeringen og dette flertallet har sørget for at antallet som står i fengselskø, er raskt nedadgående. Vi får unna fengselskøen, vi har fått flere hundre nye fengselsplasser, vi har lagt fram helt konkrete forslag om bygging av nye fengsler, og vi har lagt fram forslag om å bevilge penger til utbygging av nye fengsler bl.a. med utvidelsen som foregående representant viste til, ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold fengsel, Eidsberg. Vi har lagt fram romslige budsjetter for beredskap. Den situasjonen vi er i i dag, viser virkelig behovet for å gjøre noe med tanke på å være forberedt – dessverre – på at det aller verste kanskje kan skje. Dagens situasjon er at vi er i langt langt bedre stand til å håndtere alvorlige situasjoner enn man var for bare et par år siden. Det er jeg stolt over at vi har levert. I forbindelse med arbeidet på Stortinget har det vært budsjettforhandlinger i finanskomiteen, som påvirker justisbudsjettet, og i justiskomiteen, som også påvirker budsjettet. La meg få lov til å takke alle fire samarbeidspartiene for en god dialog

at vi skal øremerke flere stillinger i Kripos for å kunne gå etter overgripere mot barn på nettet. At Kripos er satt i stand til å håndtere det, er viktig. Som vi har tydeliggjort i innstillingen, har flertallet også noen forventninger til regjeringen fram mot revidert budsjett – som i hvert fall Fremskrittspartiet skal være helt tydelig på, også internt: Man forventer at dette følges opp slik at man får en ytterligere styrking, bl.a. av domstolene, og får satt i gang forprosjekt for ny tingrett i Drammen. Det er noe av det som ligger inne. Avslutningsvis: Jeg er veldig glad for at vi med dette budsjettet og budsjettforliket med de fire partiene sørger for økt fokusering på rettssikkerhet, nemlig at vi nå endelig kommer i gang med et prøveprosjekt for lyd og bilde i norske domstoler. Det er noe som et samlet storting har snakket om i mange år, og som vi nå setter i gang et arbeid med. Det er jeg utrolig stolt over, og dette vil være den største rettssikkerhetsreformen på Det er jeg utrolig stolt over, og dette vil være den største rettssikkerhetsreformen på mange, mange år her i Norge. Jeg er veldig glad for at de fire partiene som samarbeider, har fått på plass penger til dette. Etter dagens lange debatt om arbeids- og sosialkomiteens budsjett passer det å gå over til justiskomiteens. Jeg synes det er

samfunnet. Derfor er jeg glad for at dagens budsjett som blir vedtatt, innebærer en enorm styrking av barns rettssikkerhet. Barnehusene styrkes med 83 mill. kr, fra 90 mill. kr til 173 mill. kr i 2016. Det er en kjempebra styrking. Jeg takker flertallet for at vi har fått det til.

I tillegg er vi godt fornøyd med innsatsen vi nå får til, ved å gi mer penger til Kripos for å bekjempe overgrep på nett. Dette er en krevende tid med økt uro og terror. Derfor er det viktige satsinger på PST, 135 mill. kr er en stor satsing, 350 nye stillinger i politiet, til sammen 1 000 bare i de tre budsjettene hvor flertallet har hatt hånda på rattet. Men vi må heller ikke glemme terroren som hver enkelt voldstilfelle, drap osv. er for enkeltmennesker. Derfor er jeg glad for nærpolitireformen som skal bidra til et bedre politi, mer synlig politi og mer tilstedeværende politi når en trenger det, uansett hvor det er i landet. Jeg er også glad for at vi så tydelig slår fast at kampen mot menneskehandel skal økes, både gjennom nærpolitireformen og ikke minst i innstillinga i dag. Her slås det fast at suksessmodellen fra Hordaland politidistrikt hvor et dedikert team har jobbet med å bekjempe menneskehandel og avslørt halvparten av sakene knyttet til menneskehandel i dedikert team har jobbet med å bekjempe menneskehandel og avslørt halvparten av sakene knyttet til menneskehandel i Norge, skal kopieres i hvert av de nye politidistriktene. Det synes jeg det er utrolig bra. Når vi også tar med de debattene som vi har hatt de siste ukene i Stortinget om tiltak for å bekjempe menneskehandel, og den varslede handlingsplanen, blir i alle fall innsatsen mye bedre. Endelig gjøres dette. Etter at vi i flere år

viktig. Det er kanskje flere har hørt på podcast-en til VG i det siste, der en kan høre private opptak fra Birgitte Tengs-saken. Det er ganske fascinerende i et rettssikkerhetsperspektiv å tenke på at det ikke er lydopptak engang i norske domstoler. Vi håper å kunne bidra til at det kan skje. Vi er også stolte av det som skjer innenfor kriminalomsorgen. Eidsberg og Ullersmo skal bygges ut med nesten 200 plasser. Vi har en enorm satsing med flere soningsplasser, 240 plasser i Nederland. Stortinget får en oppbyggingsplan neste vår. Det blir spennende og viktig for å sikre at vi har nok soningsplasser, både for å ta unna for alle som trenger varetekt, og som vi har vært inne på, for å unngå brudd ved at noen sitter for lenge på glattcelle. Til slutt vil jeg trekke fram at vi fikk på plass penger til at vi fikk på plass penger til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er med på å slutte hele straffesakskjeden ved at ofrene ivaretas på en best mulig måte. Jeg er også glad for at en samlet komité sier at det skal satses på frivillige organisasjoner. Flertallet understreker at det er viktig når det gjelder kriminalomsorg, rettshjelp osv., og at de får lengre kontrakter. Det synes vi er positivt.

kva slags politikk dei fører viss dei er i fleirtal, eller – kva gjeld dei partia som er i mindretal – kva slags politikk dei ville ha ført viss dei hadde hatt makta. Vi i Senterpartiet skil oss ut frå dei andre partia i korleis vi prioriterer særleg innanfor område som gjeld geografisk og sosial fordeling. Når vi ser at politidistrikta rundt omkring slit med å få nok folk til lensmannskontora, er ikkje løysingsframlegget vårt å leggje ned desse kontora, men å styrkje distriktspolitiet. Derfor har vi lagt inn 200 mill. kr målretta til dette føremålet i 2016 for å kunne auke bemanninga, investere i betre materiell og forkorte responstida. Når domstolane blir pressa av sentraliseringsiveren til regjeringspartia, er ikkje svaret vårt å gje oss over til dogmet om at større er betre. Vi slår heller fast at ein ny runde Vi meiner det er viktig at domstolane blir sette i stand til å halde måltala for saksavvikling, og styrkjer derfor domstolane med nye dommarårsverk. Senterpartiet har i fleire budsjettrundar vore oppteke av å få i gang arbeidet med lyd- og bildeopptak i alle norske rettssalar, og det er bra at det no endeleg blir sett i gang eit prøveprosjekt, men eg vil understreke at ambisjonen må vere at alle norske rettssalar får slikt utstyr. Dette handlar om rettssikkerheit både den tiltalte og den fornærma, og det tener ikkje rettssystemet vårt til ære at vi ikkje har slikt utstyr på plass. Vi er også opptekne av jordskiftedomstolane, med omsyn til at dei må få kompetansemidlar til å innføre ny lov, og at lønsgapet mellom jordskiftedommarar og tingrettsdommarar skal tettast innan 2017. Når det gjeld kriminalomsorga, har Senterpartiet også her ei anna tilnærming enn ein del av dei andre partia. Vi meiner at små fengsel bidreg til mykje bra, og vil ikkje ha ei utvikling der ein legg ned mange mindre fengsel for så å satse på store fengsel. Fengselsavdelinga ved Kleivgrend i Telemark og på Slidreøya i Vest-Oppland er gode døme. Frå vår side er det ikkje snakk om berre gode ord, men også om at vi vil bruke pengar på slike. Når vi peikar på kor vi kan utvide talet på fengselsplassar, har vi i vårt alternative statsbudsjett lagt inn pengar til Hustad fengsel og Vik fengsel. Nye fengsel er også viktig å få på plass, og vi meiner det straks må setjast i gang bygging i Agder, Ålesund og Mosjøen. I tillegg til store, tunge budsjettpostar som politi, domstolar og kriminalomsorg er det viktig å verdsetje den innsatsen som frivillige organisasjonar gjer. Dei tilskota vi gjev til ulike organisasjonar, kastar av seg i mangfald, om det så er Raudekrossen, Folkehjelpa, Wayback, Retretten, foreininga For Fangers Pårørende eller andre vi talar om. Meir pengar til slike organisasjonar er også noko Senterpartiet er oppteke av, i tillegg til at dei må få meir føreseieleg støtte. Det er tredje gongen denne justiskomiteen har lagt fram budsjettinnstillinga si til Stortinget i denne perioden. Sjølv har eg vore på Stortinget – først som langtidsmøtande vararepresentant og seinare som fast medlem – store delar av tida sidan november 2006. Det eg har observert i eg har observert i alle desse åra, er at mange vil mykje godt, arbeider mykje og står på. Det eg også har sett, er at det er eit forbetringspotensial. Det er nokon som har sagt: Du er ingen dumrian fordi du har gjort noko dumt – berre viss du ikkje skjønar kor dumt det var. Eg trur somtid at når vi menneske gjer feil, enten som enkeltmenneske eller som politikarar, kan vi skjøne kor dumt det var inni oss, men vi trur vi dummar oss meir ut viss vi innrømmer det. Viss politikken skal førast framover, er vi faktisk avhengige av at vi politikarar innrømmer det når vi har teke feil avgjerder. Eg meiner eit eksempel på ein slik feil er leigeavtalen om fengselsplassar i Nederland, som regjeringa har inngått med støtte frå Kristeleg Folkeparti. Der ser vi no at ein må ty til tvangsutsending også av norske statsborgarar for å fylle opp plassane. Plassane er dyre, og ein tek pengar frå det som kunne ha vore ei større satsing i Noreg. Senterpartiet er heilt einig i at vi treng fleire lukka fengselsplassar, men vi er ikkje einige med regjeringa i at desse plassane skulle opprettast i utlandet. Eg har allereie nemnt kor vi ville ha utvida talet på plassar, og kor vi meiner nye fengsel skal byggjast først. Eg er spent på å sjå kor raskt regjeringa kan få sett i gang bygginga av nytt fengsel i Agder i aller første omgang, og håpar dei er like ivrige i denne prosessen som dei har vore i prosessen med å få inngått ein avtale i Nederland.

En annen ting vi i Venstre er veldig fornøyd med i budsjettforliket, er at det skal opprettes en ny enhet med dyrepoliti i Rogaland. Kriminalitet mot dyr er alvorlig kriminalitet som både bør og skal følges opp av politiet. Ved å opprette en egen enhet vil det være lettere å ha bevissthetsnivået oppe rundt denne type kriminalitet. Jeg tror det nye Sør-Vest politidistrikt er et godt egnet distrikt for å gjøre et slikt forsøk. Det er ikke bare fordi jeg selv er fra Rogaland, men det er mange dyr i Rogaland. Det er et stort landbruksfylke, med mange produksjonsdyr. Det bor også en del folk der med kjæledyr. Så jeg mener det ligger veldig godt til rette for en god dialog med andre viktige aktører, som f.eks. Mattilsynet, i Rogaland. Jeg tror det kan bli en suksess. I komiteens innstilling omtales regjeringens utredning av to nivåer i kriminalomsorgen. Et flertall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, skriver at de mener dagens modell med tre nivåer fungerer godt, og at de ikke ser at en slik omorganisering nødvendigvis vil føre til en innsparing på mellom 30 mill. kr og 40 mill. kr, som regjeringen ser for seg. Nå sitter ikke Venstre i justiskomiteen og kan derfor ikke være med på merknader som ligger i innstillingen. Men hadde vi sittet i komiteen, hadde vi stilt oss bak flertallets merknad i denne saken. For min egen del vil jeg legge til at det ikke er noen automatikk i at en sentralisering gjør at kriminalomsorgen blir bedre. Etter behandlingen i komiteen er det rimelig klart at det ikke er noe sterkt ønske om en storstilt endring i domstolsstrukturen. Jeg tror det er fornuftig ikke å gjøre store endringer her på dette tidspunktet. Det er mye som skal skje i den sektoren framover, både med implementeringen av nærpolitireformen og en påtalereform, som kan få stor betydning for domstolsstrukturen. Det er imidlertid slik at vi ikke kan utelukke fornuftige sammenslåinger framover. I denne runden, i dette budsjettet, pekes det spesielt på Nordhordland tingrett og Bergen tingrett, som allerede i dag er lokalisert i samme bygg. Det pekes på Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett, som fortsetter med kontorsteder både i Hokksund og på Kongsberg. Dersom det framover er andre tingretter hvor det er enighet lokalt og gode prosesser, og man kommer fram til at sammenslåing er fornuftig, mener jeg at vi ikke skal utelukke det. Men noen storstilt strukturendring ser heller ikke Venstre for seg. Til slutt vil jeg uttrykke støtte til komiteens flertall fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, som viser til Kalfarhuset i Bergen og den jobben som gjøres der for personer som enten er i soning eller har sonet. Også Venstre stiller seg bak forslaget om at permisjonsregelverket må praktiseres på en måte som ikke svekker den enkeltes mulighet til rehabilitering i regi av frivillige organisasjoner. Venstre har selv ikke fremmet noen løse forslag i denne saken, men vi ønsker å støtte forslag 27 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om å be regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen. Det er mitt bestemte inntrykk at Advokatforeningen ikke er fornøyd med måten dagens modell har blitt praktisert på – for det første at det ikke er noen reell dialog rundt salærsatsen, og for det andre at denne er for lav og ikke i tråd med den forventede veksten. Det kan derfor være grunn til å se på dette på ny. Vi vil også støtte forslag nr. 18, om avvikling av avtalen med Nederland. Venstre har som kjent stemt mot Nederlandsavtalen, og det er derfor naturlig for oss å støtte et forslag der det legges opp til en raskest mulig utfasing.

Den langvarige trusselen – krisa kan ein kanskje seie – frå global jihadistisk terror, f.eks. ISIL, slo ikkje minst tøft inn mot Frankrike, men kom indirekte, òg via væpning av politiet og eit større trusselbilde her i Noreg, til oss – igjen, må ein dessverre seie. Dette er alvorlege utfordringar som kjem til å vere med Noreg på så mange måtar, eg vil seie breitt i heile samfunnet. Fleire flyktningar og innvandrarar får betydning for utdanning og arbeidslivet, ikkje minst for kommunane våre. Terrortrusselen har betydning for heile justissektoren, politietaten, beredskapsetatar og andre. Like fullt, endå så alvorlege dei utfordringane er: Anten du er eit barn, ei kvinne eller ein mann, er risikoen for å verte ramma av vald frå ein som står deg nær, så uendeleg mykje større enn risikoen for å verte ramma av terror dei fleste stader i verda, f.eks. i Noreg. Mens talet på drap – så grufull og alvorleg kriminalitet det er – har vorte halvert i løpet av relativt få år, har bildet av kor stort problemet med vald mot barn er som massivt samfunnsproblem, som eit folkehelseproblem og som ei grufull øydelegging av livet for veldig mange menneske, barn som veks opp, i si fulle breidde trådd fram for oss dei siste åra, sjølv om problemet har vore like stort tidlegare. Det er dette som er bakteppet for SVs budsjettforslag, som vi tidlegare har lagt fram for justissektoren, at menneske i kvardagen skal vere tryggare mot det som i aller størst grad

treng ei styrking av politiet på dei områda òg, der vi veit det er svært mykje å gjere, men òg på det som ikkje er direkte justisbudsjettet, men som heng saman med samfunnet elles, korleis samfunnet som heilskap må førebyggje og handtere den alvorlege kriminaliteten det her er snakk om. Samtidig er det openbert svært godt grunngjeve den styrkinga av politiet som den førre regjeringa gjennomførte, og som den noverande regjeringa gjer, som SV står bak, både før og no. Den er nødvendig og vel grunngjeve. Det same gjeld i møte med den auka terrortrusselen vi ser, ei styrking av ikkje berre PST, men av korleis vi samla sett arbeider mot radikalisering, førebyggjer betre av korleis vi samla sett arbeider mot radikalisering, førebyggjer betre og førebur oss på å jobbe mot terrortrusselen òg gjennom etterretning og overvaking. Det er ein nødvendig del av ei satsing, som òg ligg i vårt budsjett, å styrkje kriminalomsorga og få ei raskare utbyggingstakt fordi det er viktig i seg sjølv, og fordi det er ein viktig del av førebygging av framtidig kriminalitet å ha ei endå betre kriminalomsorg enn det vi har i dag. Så skal eg til slutt berre nemne to ting til. Det eine er at dersom SV sat i justiskomiteen, hadde vi stått bak den merknaden om kriminalomsorga, om at det ikkje i seg sjølv styrkjer kriminalomsorga å sentralisere henne, som representanten Nybø nemnde frå talarstolen her. Vi sit ikkje i komiteen, men no vil det gå fram av referatet. I tillegg gler vi oss over ei anna sak som vi har i vårt budsjett, som vi har jobba med over tid, og som har kome opp, nemleg forsøksordninga med dyrepoliti. Eg kan greitt glede meg over at dette er lagt til Rogaland, der det ifølgje representanten Nybø er mange dyr. Men eg kan faktisk fortelje at alle fylke i Noreg har ganske mange dyr, så aller mest vil det glede meg dersom vi klarer å få til dette så det vert vellukka, og etter kvart

komiteen. Hvis en ser litt stort på det, er det veldig mye det er enighet om i dette justisbudsjettet, og det syns jeg også vi skal ta med oss inn i de videre diskusjonene vi skal ha for å gjøre ting bedre. Men jeg synes at jeg er nødt til å kommentere representanten Henriksens innlegg, fordi nær sagt hele innlegget ble viet til en påstand om at det ikke har skjedd noe på samfunnssikkerhets- og beredskapssiden. Det synes jeg er veldig trist, for det er et helt annet inntrykk enn det jeg sitter med. ble det hevdet at vi skulle øve mer, og det gjør vi: Vi øver mer, vi lærer mer av øvelsene, og vi følger bedre opp det vi lærer av øvelsene. At beredskapssenteret er uten fremdrift, er også feil. Det beredskapssenteret er nå på skinner i forhold til de nye planene, som er en følge av at vi ikke kunne følge de planene som den forrige regjeringen la opp, for de var rett og slett for dårlige. Når 10 mill. kr til en nasjonal skalerbar operasjonssentral som har kostnader i milliardklassen, skal være skille mellom handlekraft og handlingslammelse, har jeg rett og slett litt vanskelig for å ta det på alvor. Jeg synes egentlig det ikke er rimelig. Jeg kan nevne noen ting vi har gjort: Bare i 2016 styrket vi PST med 145 mill. kr, siden regjeringsskiftet har vi styrket Sivilforsvaret vesentlig, i Politidirektoratet er det opprettet et nytt nasjonalt situasjonssenter som er døgnbemannet, vi har foreslått en stillingsvekst i politiet på 1 054 stillinger, det er innført døgnbemannet situasjonssenter for beredskapshåndtering i Justis- og beredskapsdepartementet. Beredskapssenteret er, som jeg nevnte, på skinner etter ny plan, vi har styrket beredskapstroppen, vi har styrket hovedredningssentralen, vi har laget ny kongelig resolusjon om redningstjenesten, og vi har gjennomgått hele planverket fra A til Å, i tillegg til veldig mye mer. Jeg føler et behov for å si det fra talerstolen, slik at ikke det skal feste seg et inntrykk av at det ikke er skjedd noe på samfunnssikkerhets- og beredskapssiden, for det er etter min oppfatning direkte feil. Det er en stor satsing i budsjettet på hele justissektoren. Politi- og påtalemyndigheten øker med ca. 1,47 mrd. kr, nærpolitireformen skal gjennomføres, og det er foreslått friske midler i 2016-budsjettet. Vi følger opp lovnaden fra regjeringen om at antallet politistillinger skal øke tilsvarende dem som går ut fra Politihøgskolen, det er 163 mill. kr til 347 nye stillinger i 2016, i tillegg til omtrent det samme beløpet for å helårsfinansiere de stillingene som kom i 2015. I tillegg fullfinansieres selvfølgelig også de 50 nye påtalejuristene som kom på plass i 2015, og det er en stor vekst i politi- og påtalemyndighet på ca. 350 mill. kr i tilleggsnummeret, som skyldes den store asyltilstrømningen. Vi starter på et stort IKT-løft i politiet med 100 mill. kr til neste år, selv om det er lite i forhold til det store behovet over tid, så er det en god og stor start. Og vi styrker barnehusene med 380 mill. kr reelt sett. Det siste synes jeg vi skal dvele ved, for denne salen er svært opptatt av at vi skal sikre kortere ventetid ved barnehusene. De siste rapportene jeg har fått senest i dag fra politidirektøren, viser at vi fortsatt sliter med det, men det er bedring. Vi har fått en stor vekst i antall saker, og nå er det kapasiteten på barnehusene som egentlig er den viktigste flaskehalsen. Den styrkingen som ligger her, er ekstremt viktig for at vi skal hjelpe de svakeste av de svake til å bli bedre behandlet i vårt rettssystem. Vi styrker også kapasiteten i domstolene – der er jeg glad for at komiteen har funnet ytterligere noen midler. Vi satser sterkt på kriminalomsorgen. Det at vi på Ullersmo og Eidsberg nå bygger 181 nye plasser, vil være et viktig og stort løft, og jeg har lyst til å nevne at det denne salen har blitt plaget med over lang tid, nemlig en kritikk av manglende fengselsplasser og en soningskø ute av kontroll, er nå i ferd med å bli historie. Vi har nå nesten halvert soningskøen, fra de 1 213 som sto i soningskø da denne regjeringen tok over. Det synes jeg vi skal være fornøyd med – det vil si, vi skal ikke være fornøyd med det, men det er bra. Vi skal fortsatt redusere soningskøen, men vi nærmer oss et nivå som absolutt er forsvarlig. Vi har også i dette budsjettet foreslått en ytterligere styrking av sivilforsvaret, bl.a. 8,3 mill. kr til anskaffelse av utstyr. Og som en del i denne salen vil huske, var det en del kritikk av manglende styrking av samfunnssikkerhetsarbeidet til fylkesmennene. Det er forslått styrket med 10 mill. kr i dette budsjettet. Dette er et budsjett som er svært godt, og det er blitt hakket bedre etter at Stortinget har gjort sitt. Det åpnes for replikkordskifte.

«Vi mener det haster.» Faremo fulgte opp og besluttet at det skulle opprettes en slik sentral i Oslo. Nå snakker justis- og beredskapsministeren om planer, utredninger og skinner, og vi kan konstatere at disse skinnene foreløpig ikke er kommet lenger enn til dørstokken i Justisdepartementet, og dørstokkmila er som kjent lang. Når vil justisministeren opprette en nasjonal, skalerbar operasjonssentral i Oslo? Og dersom det oppstår en situasjon i dag med flere alvorlige hendelser i flere politidistrikter samtidig: Hvem har ansvaret for den operative ledelsen? Denne statsråden har ingen planer om å opprette en ny nasjonal operasjonssentral som er skalerbar. uttalelse kom i en situasjon med 27 politidistrikter. Nå går vi inn i et nytt år hvor det blir 12 politidistrikter. Det betyr at det er en helt annen håndteringsevne i hvert enkelt politidistrikt enn hva det var da Gjørv-kommisjonen kom med sin innstilling. Det er nå også, som jeg nevnte i innlegget mitt, opprettet et døgnåpent situasjonssenter ved Politidirektoratet, noe som også vil bidra til å koordinere bedre. Det er etablert ordninger med nabohjelp mellom de nye politidistriktene, og vi har en helt annen ressurs i de operasjonssentralene som er i de nye politidistriktene, enn det man hadde da Gjørv-kommisjonen la frem sin innstilling. Så er det et annet spørsmål om hvorvidt det er behov for en ny operasjonssentral i Oslo. Men det er altså ikke den nasjonale, skalerbare operasjonssentralen vi snakker om, og det er faktisk ikke så veldig mange som etterlyser den nå. Jeg er glad for signalene statsråden gir om at ventetida på barnehusene går ned. Vi har sammen nesten doblet bevilgningene til barnehusene til neste år, så vi har store forventninger om at

gjennomføringa av politireformen. En av de store utfordringene som kommer til å komme, tror jeg vil være knyttet til lensmannskontor og den prosessen som skal komme der, og da også hvordan en kan sikre at en får tilstedeværelse utover, og at folk opplever tryggheten ved at politiet er ute og kommer raskt på stedet, osv. Kunne statsråden sagt litt om hvordan han ser for seg den prosessen i tid, når det gjelder lensmannskontor, men også hvordan han jobber for å sikre at intensjonen fra Stortinget blir oppfylt? La meg ta prosessen i tid først. Det vil være en prosess som vil ta ulik tid i de ulike politidistriktene. Det handler rett og slett om både gjennomføringskapasitet og den ulikheten som er i de ulike politidistriktene. For noen politidistrikter vil dette være en betydelig større oppgave enn hva det vil være i andre politidistrikter. Dette starter med en gang de nye politimesterne er på plass 1. januar 2016. Da skal en først starte organiseringen av ledergruppe – hvordan den fremtidige ledelsen skal være – og så vil dette materialisere seg i organisasjonen for øvrig, etter en gitt plan som vil være individuell for de ulike politidistriktene. Det betyr også at det vil ta tid, og jeg tror også det er viktig at vi bruker den tiden som er nødvendig, for å få de strukturendringene som også vil være riktige på lang sikt. Når det gjelder styringen fra departementets side, lager vi et eget prosjekt av dette, hvor jeg selv vil være en sentral oppfølger av Politidirektoratets oppfølging av det som er de politisk veldig klare føringene i nærpolitireformen. Det vil følges opp både i den ordinære styringsdialogen og i den ekstraordinære oppfølgingen som vi vil ha på prosjektbasis overfor Politidirektoratet.

Ein kan nå to per tusen i snitt, sjølv om fordelinga er veldig skeiv mellom ulike delar av landet, og ein kan også fylle kravet om at 90 pst. av innbyggjarane skal nå næraste tenestestad, i sommartida – og likevel ha ein situasjon der ein halv million nordmenn har langt Avstanden til næraste tenestestad heng ikkje direkte saman med responstid og god beredskap, men det har ein samanheng, all den tid lange avstandar gjer at dei mest folkerike områda lett blir prioriterte. Korleis vil statsråden sikre god lokal beredskap framover, og meiner han også at det er grunn til å problematisere desse måltala? Jeg er ikke enig i at avstanden til lensmannskontoret har stor betydning Denne regjeringen har som den første regjeringen noensinne fastsatt responstidskrav for politiet, og det er den typen forhold jeg tror folk flest er svært opptatt av – at de skal vite hvor lang tid det normalt tar før politiet kommer, i en akutt situasjon. Jeg har gleden av å meddele at politiet oppfyller de responstidskravene på en god måte i dag, og jeg tror det er viktig å ha med seg at det er den delen som er viktigst å styrke for at en skal kunne klare å øke politiets lokale kapasitet til å komme i tide. Og de kravene – som det også står i nærpolitireformen og avtalen om den – vil kunne skjerpes fremover når en får flere inn i politiet. Men jeg er ikke enig i at det er noen sammenheng mellom responstiden og responstidskravet, og avstanden til lensmannskontoret eller avstanden til en politistasjon hvor man skal innom en sjelden gang. Men målene i nærpolitireformen skal selvfølgelig oppfylles, uavhengig av det.

vare på. Derfor var meningen at vi skulle prøve ut en ordning der de var hos helsevesenet i stedet for på glattcelle. Tidligere har Stortinget også behandlet en sak der man ba om at glattcellene ble litt mindre glatte, for selv om det er behov for at man sitter i glattcelle, betyr ikke det at man ikke skal kunne lese en bok – eller spille Playstation, for den saks skyld – ha noe å stimulere hjernen med, kunne styre lyset selv, ha lufting, osv., osv. Jeg ser nå at det ikke har vært rom for det i dette budsjettet, men jeg vil gjerne spørre justisministeren: Hvordan ligger vi an med dette? Til det siste først, når det gjelder å gjøre glattcellene litt mindre glatte, så er det noe som tas hensyn til når det nå bygges nye politibygg med glattceller.

arbeidet. Så er det naturligvis mer krevende å få det på plass i de glattcellebyggene vi har i dag, og det er ikke satt av særskilte budsjettmidler – som representanten selv peker på – for å oppnå det nå. Samtidig er det en stor fordel at vi nå har færre oversittere, at flere blir oversendt ordinære soningsplasser og varetektsplasser, raskere enn det en har gjort tidligere, hvilket heldigvis også bidrar til å redusere det problemet som vi har men det er blitt mye bedre. Når det gjelder spørsmålet om rus og glattcelle, er det noe vi må ta i oppfølgingen når de nye politimesterne kommer på plass, for å se hvilket politidistrikt som er best egnet. Det er jo noen som skiller seg ut som mer aktuelle enn andre, men det vil bli fulgt opp når strukturene kommer på plass. Justisfeltet er

om vi kan føle oss heilt trygge på at den enorme samfunnsutfordringa som vald mot barn og andre i nære relasjonar er, får den massive merksemda og det trykket ho fortener. Det kjem av og til påstandar om at andre delar av feltet er så sentrale at dette ikkje får nok prioritet. Kan statsråden forsikre oss om at den utfordringa står tungt og sentralt nok i det daglege arbeidet i departementet med politireforma, og i statsrådens eigne prioriteringar?

i måten de ulike politidistriktene håndterer disse sakene på, og nå er det gjennomført et stort analysearbeid for å gi oss de svarene, sånn at vi kan sette inn mer målrettede tiltak. Dette er helt i kjerneområdet for mitt eget engasjement, og det er helt i kjerneområdet for det som er Politidirektoratets engasjement. Så helt generelt, uavhengig av dette, har også representanten helt rett i at i gjennomføringen av en reform er det utfordrende å holde det nødvendige trykket og få de nødvendige resultatene i det daglige arbeidet. Det vil også være krevende fremover, men det skal ikke svikte for de svakeste. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Å få hjelp når ein treng det, er og blir det viktigaste anten me snakkar om helsehjelp, politirespons eller brann og

Me finn det noko oppsiktsvekkjande at beredskapsarbeidet ikkje er vist større oppmerksemd i budsjettforslaget til regjeringa eller i forliket med samarbeidspartia. For verken den nasjonale, regionale eller lokale beredskapen kjem av seg sjølv. Beredskap fordrar prioritering, satsing, øving på tvers av etatar og samarbeid med den lokale beredskapen,

Det vil krevje handling, og det vil krevje prioritering. Eg er difor spent på implementeringa av reforma, og vil fylgje nøye med på ho i tida framover. Me treng ein raskare respons og styrkt beredskap. Då snakkar me om alt ifrå den daglege kriseberedskapen til den nasjonale beredskapen mot terror. Me må vere førebudde på at det kan skje fleire store kriser og angrep fleire plassar på ein gong.

at eit slikt arbeid er klart. Kva inneheld planen? Er det vidare utgreiingar? Eg meiner det einsidige fokuset på væpning som har vore dette året, ikkje held. Me vil ha eit beredskapssenter, me vil ha ein nasjonal skalerbar operasjonssentral, me vil ha regionale øvingssenter, me må fylgje opp politireforma skikkeleg, me vil ha ein plan for helikopter med transportmoglegheiter for politiet og ein plan for maritim beredskap. Det trengst

En av de store utfordringene i samfunnet i dag er vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et stort folkehelseproblem. I tillegg til de store konsekvensene dette har for den enkelte, har det også store samfunnsøkonomiske kostnader. En samfunnsøkonomisk analyse fra desember 2012 anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 mrd. og 6 mrd. kr årlig. Derfor er jeg glad for at regjeringen og samarbeidspartiene har styrket dette viktige området også gjennom dette statsbudsjettet. I vår behandlet Stortinget Prop. 112 L for 2014–2015, Endringer i straffeprosessloven , fremmet av regjeringen. Gjennom dette vedtaket fikk vi på plass forbedrede regler knyttet til avhør, som bl.a. tok bort dommeren fra avhøret. er forventet at med de endringene som er gjort, samt den tydeliggjøringen som er gitt fra både riksadvokat og politidirektør nedover i kjeden om at saker som omhandler vold i nære relasjoner, skal prioriteres, vil det gi en økt tilstrømning av slike saker framover. Dette kan forventes å gi et økt press både på politi og på Statens barnehus. Derfor foreslås det en samlet styrking på over 80 mill. kr til politiet og Statens barnehus. Styrkingen totalt går både til opprettelse av et nytt barnehus i Øst politidistrikt, til bemanning i Statens barnehus og til politiet, til flere etterforskere, påtalejurister og avhørere som skal bekjempe vold mot barn. Jeg ønsker også å trekke fram tilskuddsordningen for å hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon og støtte ofre for menneskehandel eller vold i nære relasjoner. I forslaget for 2016 er det foreslått en bevilgning på 76 mill. kr til dette formålet. Så må jeg si at jeg er veldig glad for at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ble enige om å styrke og videreføre voldsofferkontoret. Det er viktig i det totale bildet.

og en gjennomgang og analyse av en mangel på beredskap der ett parti hadde klart hovedansvar – Arbeiderpartiet. At de nå fokuserer på det, synes jeg er positivt, men i etterrettelighetens navn skal man ikke glemme hvem som satt ved roret da norsk politi og norsk beredskap ble totalt avkledd. Det finnes kanskje flere enn meg i denne salen som har lest de to hemmelige rapportene som PST ga ut i etterkant av det. For de av oss som har et hjerte for norsk politi og den jobben de gjør, var det forholdsvis trist lesning, for ambisjonene var til stede, men mulighetene ble begrenset. Men dette skal være en hyggelig dag, siden det er budsjettvedtak som skal skje. Jeg ønsker å gi honnør til alle som jobber innen justissektoren – folk som jobber i konfliktrådene våre og gjør sitt beste for å finne gode, smarte, lokale løsninger, og folk som bistår i frivillig arbeid med fjellredning. De som kjenner meg, vet at jeg har et lidenskapelig forhold til hovedredningssentralene våre, som gjør en fantastisk jobb når kriser oppstår. Jeg hørte statsråden var inne på at de har satset på en styrking. I så fall utfordrer jeg statsråden til å fortsette med det, for vi har fortsatt ting ugjort der som vi er nødt til å ta videre. Vi har nye redningsledere under utdanning, men fram til de er sertifisert, er de ikke i stand til å gå alene på jobb i hvert fall, slik jeg har forstått systemet. Så der har vi oppgaver som vi fortsatt må fokusere på, for folk som bor langs kysten, og som ferdes langs kysten, vet at når krisen er ute, så vil de få hjelp i dette landet fordi vi har gjennomgående flinke folk. Og vi har et system som andre land misunner oss. Vi har en ledelse der politimesteren i to sentraler går inn og er med, og så rekvirerer de det utstyret som trengs for å løse de aller, aller fleste situasjoner. Det tror jeg er noe vi i utgangspunktet tar for gitt, men den som står i krisen, og som blir berget, vil for alltid være takknemlig. Igjen, som sagt, det finnes utrolig mange flinke folk her som gjør en jobb, og som vi kanskje ikke gir oppmerksomhet og honnør til daglig. Folk i fengslene våre, folk som jobber med de mest krevende innsatte, folk som tar vare på dem som havner på har utfordringer, men samtidig ønsker jeg fra denne talerstolen å gi honnør til alle som bidrar og gjør det beste i hverdagen. Presidenten vil få påpeke at det finnes mer parlamentarisk egnede uttrykk enn ordet «frekk». Det er behov for at beredskapsaktørene må trene mer sammen. Gjennom en rekke øvelser og faktiske hendelser er det et godt dokumentert behov for bedre samvirke mellom beredskapsaktørene våre. Gjørv-kommisjonen beskrev i sin rapport «ressursene som ikke fant hverandre», og i ettertid har det kommet en rekke rapporter som peker på svakheter og behovet for å øke evnen til å samhandle og utvikle samvirke i og mellom nødetatene våre. Flertallspartiene velger å kutte i rammen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, etablering av nasjonalt beredskapssenter i Oslo er skjøvet ut i tid, og det er ingen satsing på regionale øvings- og beredskapssenter. Gjennom forliket mellom flertallspartiene ble det bevilget penger til etablering av et øvings- og beredskapssenter på Rygge i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det var bra, men at pengene har blitt stående ubenyttet i departementet, bekrefter vel at jeg ikke overdriver når jeg peker på at regjeringen ikke anstrenger seg for å få på plass regionale øvingssenter. Det er skuffende å se at det ikke er fulgt opp av regjeringen, og heller ikke er med i forliket mellom flertallspartiene. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å bevilge 3 mill. kr til Rygge. Rygge benyttes allerede i dag av politiet i Østfold, Politihøgskolen, PST og beredskapstroppen. Ved Rygge er det muligheter få andre områder har. Det er helikopterkapasitet på stedet, og det kan øves på koordinering av ressurser i luften, noe brannene i Froland og Lærdal så tydelig viste nødvendigheten av. Det er gjort mye utredningsarbeid om hva man kan få til på Rygge og på andre regionale øvelses- og Vi ser et stort engasjement ute i de enkelte etatene og i de frivillige redningsorganisasjonene for å få på plass gode øvingsfasiliteter og få øvd sammen. Vi savner imidlertid et tydeligere engasjement og tydeligere signaler fra dem som sitter med ansvaret. Vi savner en tydelig prioritering. Jeg vil peke på at ved Rygge har regjeringen en flott anledning til å få etablert en pilot, en pilot som kan tjene som eksempel for etablering av andre regionale øvelses- og beredskapssenter i landet. Denne høsten har vi hatt ekstremvær som har satt beredskapen på prøve. Vi har det siste året hatt høy beredskap grunnet terrorfare. Hendelsene i Paris viste oss også hvilke utfordringer og hvilke krav til håndtering alle nødetater utsettes for. Det er en påminnelse om at vi må anstrenge oss og legge forholdene til rette for at vi er best mulig i stand til å håndtere alle typer uønskede hendelser.
Denne regjeringen har fått ned soningskøene med 400 ubetingede dommer. En av hovedårsakene til at man har klart det, er at man har fått flere soningsavtaler på plass, bl.a. med Polen, Litauen og Latvia. Det er helt nødvendig når vi vet at 34 pst. av alle innsatte per 5. august 2015 er og 58 pst. i varetekt også er utlendinger. Derfor ble jeg så til de grader overrasket i debatten i Stortinget 26. november, da representanten Kari Henriksen uttalte at de har et «verdisyn som sier at de som begår kriminalitet på norsk jord, skal sone på norsk jord.» Jeg skrev det på kontoen for kanskje en unøyaktighet og en dårlig parlamentarisk dag, men så blir dette faktisk bekreftet i merknadene til statsbudsjettet, der det skrives: «regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti står alene om å sende personer som har begått kriminelle handlinger på norsk jord, til andre land for å sone.» Oppsiktsvekkende! I 2013 ble det uttransportert utenlandske statsborgere til sine hjemland tilsvarende 603 soningsdøgn. Det utgjør 78 fengselsplasser. Når man vet at årskostnadene for en fengselsplass er 960 000 kr og ganger det opp mot 78, får man altså 74 mill. kr som dette budsjettet til Arbeiderpartiet er underbudsjettert med, hvis man skal ta Arbeiderpartiet på alvor, og det vet vi av erfaring at man faktisk kanskje bør. Der regjeringen har jobbet aktivt for å få på plass soningsavtaler med utlandet, ser det ut til at Arbeiderpartiet nå legger seg på en politikk for total opphopning av utlendinger i norske fengsel. Dette krever en avklaring fra Arbeiderpartiet og primært representanten Henriksen. I dag behandler vi altså budsjettet for Justis- og beredskapsdepartementet for neste år, og i mitt innlegg vil jeg fokusere på beredskapsområdet. Når vi ser tilbake på hva som skjedde 22. juli 2011, hva vi som nasjon erfarte av de fryktelige hendelsene, og ikke minst hva Gjørv-rapporten anbefalte når det gjelder en styrking av den nasjonale beredskapen, tror jeg det er stor enighet om intensjonene på det området, men her mangler det altså gjennomføringskraft fra statsrådens side. Det å sette lokal, regional og nasjonal sikkerhet og beredskap på dagsordenen er avgjørende for den tryggheten vi som innbyggere skal ha. Ettersom ministeren nå har fått redusert sine arbeidsoppgaver, håper jeg han får bedre tid og ikke minst vilje og gjennomføringskraft i regjeringen til å gjøre noe på beredskapsfeltet i har hatt godt og vel to år – hvileår – på beredskapsområdet, som har gjort at vi ikke har beveget oss nevneverdig på avgjørende områder som nasjonalt beredskapssenter, skalerbar operasjonssentral i Oslo og regionale øvingssenter rundt omkring i landet. Det er viktig at disse områdene nå blir satt på dagsordenen og får sin Skal vi stå bedre rustet til å møte et nytt terrorangrep eller andre alvorlige hendelser på norsk jord, må vi ta de store grepene som virkelig styrker landets håndteringsevne ved alvorlige kriser. Det lærte vi bl.a. av 22. juli og Gjørv-kommisjonens rapport. Det er påfallende hvordan justisministerens fokus på beredskap ser ut til å ha blitt redusert til kun et spørsmål om permanent bevæpning av politiet. sier ingenting om det som virkelig har betydning for sikkerhets- og beredskapsevnen til landet vårt. Vi har ikke mer tid å kaste bort. For Arbeiderpartiet handler dette om å sette alvor bak ordene, og vi prøver å levere på noen av disse områdene i vårt budsjettforslag for 2016. Vi må vite hvor beredskapssenteret skal stå, og vi må vite når det kommer til å bli ferdig. Politiets skarpeste ende må trene mer og bedre på de skarpeste oppdragene. Problemet nå er tiden justisministeren bruker på å bestemme seg. Arbeiderpartiet har tatt anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen på alvor. Vi setter av 3 mill. kr til Rygge, til å forbedre skytebanekapasiteten samt legge forholdene bedre til rette for at nødetatene kan øve samhandling og samvirke. Behovet for å etablere gode regionale øvingssenter er viktig og nødvendig for å styrke regional sikkerhet og beredskap, men regjeringen leverer heller ikke på dette området. Arbeiderpartiet er opptatt av å bedre den lokale beredskapen. Det handler ikke bare om å svare på politireformen og alle utfordringene som der løftes opp, men å sørge for at politireformen faktisk fører til at den lokale beredskapen blir bedre og tydeligere. Politireformen er et godt utgangspunkt, men resultatene vil ikke komme av seg selv. Det må bli mer politikraft der folk bor, i de nye politidistriktene og i alle de kommunene som distriktene skal dekke. Helt avslutningsvis vil jeg også peke på manglende satsing og avklaring med tanke på nasjonal kriseledelse. Her kommer det heller ingenting fra regjeringen og
Med denne regjeringens forslag til budsjett for 2016 fortsetter opptrappingen på justisfeltet. Det blir flere politifolk i gatene, og det er nye fengselsplasser som skal bygges ut. Fra neste år settes nærpolitireformen i gang. Dette betyr mer politi ute i felten. Med nye arbeidsmetoder, som å satse mer på etterforskning på stedet, får også politiet smartere måter å jobbe på, og vi som samfunn kan forvente bedre kvalitet på politiets arbeid. 100 mill. kr til modernisering av IKT i politiet i forslaget til budsjett er også en del av dette. Det har tidligere vært et paradoks at nyutdannede politistudenter ikke har fått seg jobb. Dette gjør regjeringen noe med, og det sier seg selv at det er smart at de, når samfunnet har brukt ressurser på å spesialutdanne folk til en type jobb, faktisk får jobb innenfor dette. Over 1 000 nye stillinger er av denne regjeringen opprettet for å sikre disse en relevant jobb. Årets budsjett har overskriften arbeid, aktivitet og omstilling. Regjeringens tiltakspakke forsøker å bøte på noen av de utfordringene nedgangen i aktiviteten har hatt, særlig for Vestlandet. For justissektorens del kommer dette til uttrykk gjennom økt vedlikehold på fengslene. For Bergen fengsel utgjør dette 25 mill. kr og for Åna fengsel det samme. Kriminalomsorgen vokser med omkring 9 pst., og det gir rom for utbygging av nye fengselsplasser. De fengselsplassene som Norge nå leier fra Nederland, gjør at vi har bedre soningskapasitet. Det er viktig at personer som venter på å få sone sin dom, får gjort det så fort som mulig, sånn at de får gjort opp for seg og kommet videre med livene sine. Plassene i Nederland bidrar til dette. Budsjettdebatten bør også være tiden for å se litt lenger fram enn bare akkurat neste år, for selv om det er veldig mye bra som ligger på justisfeltet i budsjettet som vi vedtar i dag, er det ting vi kan bli bedre på. Å sørge for at de personene som får sine liv satt på vent i fengsel, enten det er i Norge eller i Nederland, får rehabilitert seg på en enda bedre måte enn i dag, er noe vi alle kan tjene på. Vi må se framover og jobbe for at hver enkelt er best mulig rustet til å bli en del av samfunnet igjen etter sin soning. Som vararepresentant her ønsker jeg til slutt å takke komiteen for å ha tatt pent imot meg denne høsten. Det er selvsagt en glede da å få avslutte det ved å være med på å vedta et strålende justisbudsjett. La meg da også få lov til å returnere takken til foregående taler, som virkelig har bidratt konstruktivt og dyktig i komiteens arbeid med mange tunge saker i høst. Det har vi virkelig satt pris på. Jeg registrerte at en av mine sambygdinger – i hvert fall en fylkesbygding, for å si det sånn – var oppe på talerstolen og snakket om øvingssenter og om behovet for bl.a. å få på plass et øvingssenter på Rygge, i mitt eget fylke. Nå er det jo slik at i politireformen – som Arbeiderpartiet har vært med på – har vi et punkt i det som Stortinget vedtok, om at vi har gitt dem et oppdrag. Man skal nå se på muligheten for å få øvingssentre i alle de nye politidistriktene. Dette er en reform som formelt sett starter opp nå til året, så dette vil være en del av det arbeidet som justisministeren og vi alle skal følge opp, derfor er det litt pussig at man etterlyser mer handling nå. Vi er jo enige om – et stort, bredt flertall på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet selv – at dette skal vi nå se på for å få på plass når politireformen rulles ut og skal implementeres. I likhet med min partikollega Ellingsen ble jeg veldig i stuss da jeg hørte hovedinnlegget til representanten og hovedtalspersonen for Arbeiderpartiet i salen i dag. Man går så til de grader til angrep på denne regjeringen og dette flertallet for angivelig manglende arbeid med beredskap. Jeg skjønner at man ikke kan bruke begrepet frekk, og jeg vet ikke om man kan bruke «frekkhetens nådegave», men det er iallfall det man i så fall har. Jeg antar de fleste i denne salen har lest Gjørv-kommisjonens rapport, den var vel på over 400 sider. Det er noe av den mest ramsalte kritikken noen regjering er utsatt for når det gjelder manglende beredskap. Da satt Arbeiderpartiet sammen med sine rød-grønne kolleger og styrte dette landet. hadde også to år på seg etter det, før neste valg, og hva i alle dager leverte man? Hvis dette beredskapssenteret var så viktig, hvorfor i alle dager var det ikke åpnet før valget i 2015? Problemet var jo at da vi overtok regjeringskontorene, var altså ikke dette prosjektet ferdig, det var ikke bare å sette spaden i jorda – tvert imot. Jeg synes man virkelig må gå i seg selv hvis man begynner å beskylde denne regjeringen og flertallspartiene for manglende arbeid på beredskap. Hva i alle dager gjorde man selv før 22. juli 2011 og årene etterpå? Det er helt utrolig at man kan klare å ha dette som hovedfokus i denne debatten i dag. Jeg etterlyser virkelig hva Arbeiderpartiet legger fram av forslag til bedre beredskap. Hvis de mener at det er dette beredskapssenteret som er fikk de nå selv legge inn de flere milliardene vi da trenger i dette budsjettet, hvis de mener at dette skulle vært oppe og stå inneværende år. Det har de ikke lagt fram en eneste krone til. Det sier også sitt. Det er greit å være tydelige, men når man ikke har penger, betyr det tydeligvis ikke så mye heller. Representanten har helt rett i at «frekk» står på listen over uttrykk som ikke er helt
Vi behandler et justisbudsjett med en utgiftsside på over 31 mrd. kr. Regjeringspartiene, i samarbeid med samarbeidspartiene, leverer mye i det budsjettet. Vi gjør Norge tryggere, og det tas mange og viktige initiativ. Så hører vi at Arbeiderpartiet, det største opposisjonspartiet, angriper regjeringen for manglende innsats på beredskapsfeltet. Det er helt feil, vi styrker beredskapsfeltet. Så eksemplifiserer man dette fra Arbeiderpartiets side ved å peke på arbeidet med nasjonalt beredskapssenter. La oss da gå tilbake og se hva Arbeiderpartiet selv gjorde med det samme beredskapssenteret mens de satt i regjering. Jo, de overlot til nåværende statsråd stafettpinnen for et prosjekt med uklar byggetid, med uavklart arealbehov, med uforutsigbare grunnforhold og med støymålinger og støyforhold som ingen kunne si noe om konsekvensene av – ut fra hvor Arbeiderpartiet hadde låst seg til at det skulle ligge. Dette måtte vår regjering rydde opp i. Det har statsråden tatt tak i på en offensiv, aktiv og god måte og redegjør godt for det i dette budsjettet. Dette er opprydding etter de rød-grønne, en jobb de ikke klarte selv. Jeg har fortsatt ikke fått svar på spørsmålet til Arbeiderpartiet når det gjelder hvorfor de ønsker å øke soningskøene. Det er et viktig spørsmål, det venter jeg fortsatt svar på. Så er det et annet element, som jeg også vil ha et svar på. Det går til Senterpartiet. I merknadene knyttet til fremmer Senterpartiet et forslag om at vi skal stanse alle sammenslåingsprosesser når det gjelder tingretter. Jeg er uenig, men det er et realt forslag. Så ser vi i den samme merknaden, i den samme spalte, at Senterpartiet skriver at når det gjelder Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett, kan vi slå dem sammen og legge det til Kongsberg skal sammenslåing stoppes. Mitt spørsmål til Senterpartiet er: Er man for eller mot sammenslåing, når man sier motsatte ting i sine egne merknader og forslag?
og beredskap handlar om å ta forholdsreglar, om å førebyggje at det oppstår farlege situasjonar. Ein måte å førebyggje på er gjennom å sikre sentrale objekt. Difor har me sikkerheitskontroll bl.a. her på Stortinget. Og derfor er det eit tankekors at regjeringa ikkje ynskjer å løyve dei 7,5 mill. kronene som trengs for å få på plass dei naudsynte sikkerheitstiltaka i Oslo tingrett. Justis- og beredskapsministeren bør merke seg at både domstolane sjølve, domstolsadministrasjonen og politimeistaren i Oslo har vore krystallklare på at det er nødvendig å få desse sikkerheitstiltaka på plass. Dette er ikkje berre handlingslamming frå justis- og beredskapsministeren, det er å sjå vekk frå klare åtvaringar, og det er eit konkret eksempel på at ein her ikkje tek sikkerheit alvorlig nok. Men politimeisteren i Oslo kan òg fortelje at politidistriktet må bruke ekstra ressursar på vakthald i samband med straffesaker, ressursar både politimeisteren og Oslos befolkning nok skulle ønskje at ein kunne brukt på å gje innbyggjarane meir politikraft, anten på gata eller til etterforsking. Det som òg er urovekkjande, er at dei sivile sakene heller ikkje får noko vakthald. Dette kan f.eks. vere barnefordelingssaker eller saker som gjeld vald i nære relasjonar. Me har i mange år satsa på å gje barn auka rettssikkerheit og arbeidd mot vald i nære relasjonar. Me har fått på plass barnehusa og styrkjar dei. Dette har ført til at fleire slike saker går i domstolane, saker der konfliktnivået er høgt, men der sikkerheita rundt sakene er dårleg. Sakene illustrerer òg at tingrettane har mange brukarar – barn, vaksne, vitne, utsette for kriminalitet, tilsette og tiltalte. Dei skal alle kunne kjenne seg trygge når dei kjem til domstolane, og me kan ikkje lenger stole på flaksen og håpe at det framleis skal gå bra. Den manglande satsinga på sikkerheit i Oslo tingrett er òg eit eksempel på korleis regjeringa stoppar prosessar som er i gang. Tidlegare justisminister Faremo føreslo i budsjettet for 2014 midlar til ein sikkerheitskontroll, men regjeringa stoppa det, på same måte som dei no stoppar arbeidet operasjonssentral, alternative soningsformer som bøteteneste, og dei legg ned gode soningsplassar i mitt heimfylke Telemark, i Kleivgrend i Fyresdal. Dette er gode saker som Arbeidarpartiet gjerne skulle fått fleirtal for å styrkje eller oppretthalde, men som regjeringa stoppar. 22. juli: Ting gjekk feil. Me har lært, og eg trur at 22. juli gav viktig lærdom for alle. Derfor er me utolmodige nå, og det er dei som nå sit med ansvaret, som sit i regjering, som har eit ansvar for å styrkje beredskapsarbeidet. Derfor etterlyser vi svar på: Når kan me forvente at me får eit beredskapssenter på
Jeg må si, som en del andre talere har uttrykt i dag, at jeg er en smule overrasket over at Arbeiderpartiet forsøker å gjøre kritikken mot beredskapsarbeidet til sitt paradenummer under denne debatten. Den kritikken faller som en død fugl til jorda. Det var jo fordi den forrige regjeringen ikke kvalitetsjekket og ikke forsto forskjellen på brutto og netto areal som gjorde at kostnadene på Alnabru-alternativet ble underestimert med flere hundre millioner kroner. Det er et faktum. Justisministeren hadde jo en kavalkade over det som er gjennomført på beredskapssiden. Jeg kan supplere med et par forhold på Rygge og Bardufoss er satt på én times beredskap. Det er opprettet et felles kontraterrorsenter mellom E-tjenesten og PST. Stortinget hadde til behandling i juni 2015 endringer i politiloven, som gjør bistand fra Forsvaret enklere, og påfølgende revidering av bistandsinstruksen. Så kjenner vi alle til det arbeidet som gjøres innenfor radikalisering og voldelig ekstremisme, en handlingsplan på 30 punkter som er finansiert opp med 17 mill. kr. Det ligger 3 mill. kr i statsbudsjettet til tilsvarende arbeid i fengslene. Så må jeg nesten henge meg på representanten Werp sitt svært gode poeng om Senterpartiets holdning til sentralisering: Man er mot sentralisering, men man er absolutt for en sentralisering i det jeg vil kalle for Lundteigens hjemmeområde – ja, det er jo sågar i selve Lundteigen. Nå ser jeg at representanten Lundteigen er i salen, så det blir jo interessant å høre hvilke vurderinger som ligger til grunn for akkurat den sentraliseringen, for å bruke Senterpartiets forslitte terminologi.
I hovudinnlegget mitt la eg vekt på at Senterpartiet meiner at stadige omstruktureringar og samanslåingar ikkje er fornuftig. Slikt gjev inntrykk av handlekraft fordi endringar jo skjer. Det er lett å vise til at ein har gjort noko, men det er ikkje nødvendigvis dei rette endringane. Når det gjeld 110-sentralane, ligg det også der an til endringar. Vi har døme frå Finnmark, der det skal bli eit eige Finnmark politidistrikt, og der skal 110-sentralen flyttast frå Hammerfest til Troms, og fleire døme finst. Det som eg har lyst til å nemne i dette innlegget, er at vi med ny teknologi som stadig utviklar seg, må sjå på gode løysingar og alternativ til fysisk samanslåing. Det er ikkje det at eg er imot alle fysiske samanslåingar, men poenget er at det finst gode alternativ som kan gje betre resultat. I Sogn og Fjordane har dei jobba fram eit pilotprosjekt med elektronisk og virtuell samhandling mellom naudetatane som både kan vareta lokalkunnskap og vere meir robust ved større kriser. Senterpartiet meiner at dette pilotprosjektet verkar spennande, og det er eit konstruktivt innspel som må prøvast ut. Det inneber at brannvarslingstenesta, som er kommunane sitt ansvar, skal samlokaliserast med operasjonssentralen for politiet i det nye Vest politidistrikt, der Bergen blir hovudsetet for det nye politidistriktet. Dei vil teste ut nettbasert samlokalisering i Vest politidistrikt for å kome i gang med gjennomføringa av stortingsvedtaket, men der 110-sentralen for Sogn og Fjordane i Florø blir kopla saman virtuelt med 110-sentralen for Hordaland som ligg i Bergen. Oppmodinga frå Senterpartiet til justisministeren i denne samanhengen er å opne for ein slik pilot. Så til spørsmålet frå Werp om samanslåing av domstolar: Det er faktisk eit kjempegodt poeng. Ein kan godt seie at Senterpartiet går langt når vi seier at her skal det samanslåast, men dersom ein les heile merknaden, ser ein at vi ikkje ønskjer å kome i gang med ei samanslåing. Det vi seier, er at vi meiner at det er eit dårleg forslag med felles leiing, slik som regjeringspartia har gått inn for, og dersom ein først skal gå inn for noko slikt, meiner vi at ein heller bør sjå på ei samlokalisering to domstolane som ligg nær kvarandre i avstand, og som eg har sagt mange gonger før, er ikkje Senterpartiet imot alle typar endringar, men det må vere endringar der det er
Jeg hadde gleden av å være nestleder i Den særskilte komité som behandlet 22. juli-sakene i dette hus, og jeg hadde også gleden av å være leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen da kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet tilsvarende sak. Jeg må innrømme at er det én ting jeg ikke så komme under denne debatten, så er det beredskapsanklagene fra Arbeiderpartiet. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle dra det så langt, men at det partiet som har fått kritikken i som har overlatt lange, lange lister i Justis- og beredskapsdepartementet på uløste samfunnssikkerhets- og beredskapsoppgaver da vi tok over regjering, skulle komme med denne tiraden, det hadde jeg ikke turt hvis jeg satt på den siden av bordet. Én av de tingene som virkelig overrasket meg da jeg tok over som statsråd, var at det var så liten struktur på oppfølgingsarbeidet etter 22. juli, at det var kommet så kort som det det var ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. Og det har skjedd kvantesprang, våger jeg å påstå, etter regjeringsskiftet. Jeg trenger ikke engang å vise til annet enn den kontrollsaken som var om samfunnssikkerhet og beredskap, gjennomført i dette hus i juni, hvor en virkelig fikk oversikten over en del av det arbeidet som denne regjeringen har gjort på samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg foreslår at representantene fra Arbeiderpartiet leser den dokumentasjonen som kom frem i den kontrollhøringen, så ville de i hvert fall ha kunnskap om hva som er gjort, for det kan de overhodet ikke være i besittelse av med den kritikken som er kommet her. Men jeg får et lite grann bedre perspektiv over årsaken til at det ikke var skjedd mer etter 22. juli, for når 10 mill. kr til planlegging av nasjonal skalerbar operasjonssentral og 3 mill. kr til Rygge skal være forskjellen på handlekraft og ikke innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, da forstår jeg i hvert fall at fokus har vært helt feil. Jeg synes det er verdt å merke seg at jobben med et nasjonalt beredskapssenter var fullstendig skakk-kjørt da vi tok over. Det var et ikke-realiserbart prosjekt. Nå er det et realiserbart prosjekt. Det har vært gjennomført konseptvalgutredning, kvalitetssikring første steg, og i dette budsjettet ligger altså pengene inne til forprosjektet. Det følger altså det sporet som alle store investeringer gjør, og derfor er det på sporet. Deretter skal det være KS2, og så skal Stortinget fatte sin beslutning. Det går så fort som overhodet mulig, men Stortinget får nå et beslutningsgrunnlag som det går an å forholde seg til. Det ville ikke den forrige regjeringen ha klart å legge til rette for, og derfor synes jeg det er underlig at de på denne måten later som om det her er noe som er utfordrende. Og så skjønner jeg at det ikke er lett å få med seg alt som skjer på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet for det skjer veldig mye, og det skjer veldig men at representantene Asphjell og Henriksen ikke har fått med seg at vi har lagt frem en stortingsmelding om politiets rolle i nasjonal kriseledelse og om den nasjonale skalerbare operasjonssentralen den 4. desember i år, som ligger til behandling i deres egen komité, synes jeg er underlig. Politireformen er ment å skulle ivareta samfunnssikkerhet og beredskap på en bedre måte. Den er et godt utgangspunkt, men resultatene kommer ikke av seg selv bare ved å endre administrative grenser. Det er nå snart tre år siden Stortinget behandlet saken om oppfølging av Gjørv-kommisjonen, der en viktig observasjon var: Ressursene fant hverandre ikke. Jeg har lyst til å ta opp tråden fra det jeg sa den gangen. Kommunal risikoforståelse og beredskap var knapt nevnt, tross den åpenbare koblinga til Gjørv-kommisjonens viktigste konklusjon: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene sviktet. Ingen sa noe om viktigheten av kommunal risikoforståelse og beredskap knyttet til spørsmålet: Kunne noe vært annerledes? Det var en stor svakhet, som også blir et hull i vår framtidige beredskap hvis ingen tar det på alvor. Hittil savner jeg faktisk at betydningen av arbeidet i de kommunale beredskapsrådene blir synliggjort. Vi får aldri den beste beredskapen uten en tett samhandling mellom sentral og lokal risikoforståelse og beredskap – ikke bare med lokalt politi, men også med kommunale myndigheter. Gjørv-kommisjonen hadde bare en knapp halvside om krisehåndtering på lokalt nivå, men der stod det til gjengjeld i innenlandshendelse finner sted i én eller flere kommuner. Kommunen har ansvar for viktige lokale beredskapsressurser, og har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.» Det er sånn at alle kommuner etter gjeldende lov skal gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysene skal dekke hele risikobildet innenfor kommunenes geografiske område – ikke bare kommunenes eget ansvarsområde. Det handler om beredskap når uventede hendelser skjer, men også i det løpende arbeidet med forebygging. Finner ressursene hverandre der, så finner de hverandre også når det virkelig gjelder enten vi snakker om terror, naturkatastrofer, vold i nære relasjoner osv. Nå har jeg tenkt å stille statsråden et spørsmål, så det hadde vært veldig fint hvis han kunne høre etter. Spørsmålet kommer her, nemlig, og jeg har bygd opp til det gjennom hele innlegget: Vi får nye politidistrikter. Buskerud-benken har ved to anledninger vært på besøk i Søndre Buskerud for å bli orientert om reformen, og begge ganger stilte jeg spørsmålet: Hvordan skal man ivareta det viktige samarbeidet i de kommunale beredskapsrådene når hvert distrikt nå får mange flere kommuner å forholde seg til? Det var tydelig at dette var noe man ikke hadde tenkt på. Jeg vil derfor benytte anledningen til å spørre statsråden: Hvordan er samarbeidet i de kommunale beredskapsrådene tenkt ivaretatt i de nye sammenslåtte politidistriktene? Hva var situasjonen da

vi overtok regjeringskontorene? Jo, en soningskø i kriminalomsorgen på over 1 200 ubetingede dommer og et vedlikeholdsetterslep i fengslene på flere milliarder kroner. Regjeringen viste fra dag én handlekraft, og nå ser vi resultatene. Ved å leie fengselskapasitet i Nederland bidrar Høyre og regjeringen i lag med Kristelig Folkeparti til at personer som har livet sitt stående på vent, nå raskere får gjennomført sin soning og startet sitt nye liv etter endt soning. I tillegg til å leie plasser i Nederland for å ta unna det akutte behovet, bevilges det 213 mill. kr til 181 nye plasser ved fengslene Ullersmo og Eidsberg. Ikke bare bevilges det penger til nye plasser, vi tar også på alvor det store vedlikeholdsetterslepet i fengslene og bevilger 120 mill. kr til ekstraordinært vedlikehold. Det er skremmende å lese Arbeiderpartiets og Senterpartiets forslag til statsbudsjett, hvor de rett og slett bare setter en strek over posten om leie av soningsplasser – dette uten at det er på plass ny kapasitet i Norge for lukket soning, og uten å ta hensyn til inngåtte avtaler og de forpliktelsene som dette medfører også i skjulte kutt andre steder, eller er det ytterligere skatteøkninger det skal finansieres med? Nå ser jeg en framtid, sa 17-åringen etter å ha vært i systemet med ungdomsstraff. Det er halvannet år siden straffereaksjonen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble vedtatt. Nordlandsforskning har på oppdrag fra Justisdepartementet startet et forskningsprosjekt for å se på resultatene av denne reaksjonsformen. Jeg har stor tro på sånne reaksjonsformer, og er derfor fornøyd med at regjeringen også har styrket bevilgningen til konfliktrådene med 2,5 mill. kr, nettopp for å styrke kapasiteten til håndteringen av denne nye straffereaksjonsformen. Jeg ønsker også å peke på den gode jobben som alle de frivillige organisasjonene gjør i kriminalomsorgen. Organisasjoner som bl.a. Kirkens Sosialtjeneste, Frelsesarmeen og Foreningen for Fangers Pårørende er viktige supplement til det offentliges arbeid blant innsatte. Vi har også Nettverk etter soning. Nettverket fungerer på den måten at deltakerne kobles sammen med frivillige – ikke en støttekontakt, ikke en ansatt eller en fagperson, men en frivillig som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre på rett vei. Innsatte som har vært en del av programmet, forteller at det har vært helt avgjørende for å lykkes med deres retur tilbake til samfunnet. Også tilskudd til frivillige organisasjoner styrkes gjennom dette statsbudsjettet.
landsomfattende kommuneundersøkelse tidligere i år viste at bare halvparten av norske kommuner arbeider tilfredsstillende med samfunnssikkerhet og beredskap. De aller fleste kommuner håndterer små og middels store hendelser på en tilfredsstillende måte. Det er når de virkelig store krisene skjer at det er avgjørende at kommunene har gjort gode risiko- og sårbarhetsanalyser, og at de har en gjennomarbeidet beredskapsplan som de har øvd på. Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det er derfor avgjørende at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid fylkesmennene blir tilført ressurser slik at de kan utøve sin rolle overfor kommunene på en tilfredsstillende måte. Det er derfor med stor bekymring vi registrerer at regjeringen kutter 10 mill. kr i bevilgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til at vi har viktige nødetater som politi, brann og ambulanse, utgjør de frivillige beredskapsorganisasjonene en viktig og nødvendig bærebjelke i den nasjonale beredskapen. Hver for seg utgjør disse en viktig del av vår nasjonale sikkerhet. Enda viktigere er det at disse kompetansemiljøene har felles øvelser og gjennom godt samvirke er best mulig rustet til å løse oppgaver i fellesskap. Det er helt avgjørende at lokale eller regionale beredskapsråd blir prioritert i det daglige arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene framover. Gjennom felles arbeid i lokale politi- og beredskapsråd vil en kunne utnytte felles kompetanse og erfaring på en enda bedre måte. Her kan en ha en felles strategi for hvordan en i fellesskap kan forebygge eller løse små og store hendelser. Jeg er glad for at det nye nasjonale nødnettet snart vil være fullt ut utbygd, slik at alle nødetatene og frivillige beredskapsorganisasjoner kan kommunisere på en felles plattform. Jeg vil i den sammenheng understreke viktigheten av at investeringer og drift av nytt nødnett ikke må bli en økonomisk belastning for den frivillige redningstjenesten. vil også vise til at det i forslaget til budsjett for 2016 ikke framgår hva som planlegges for den framtidige helikoptertjenesten i politiet. Dagens politihelikoptre er gamle og har gått svært mange timer. De er overmodne for utskifting. Disse helikoptrene brukes i dag til ordinære politioppdrag og løser ikke behovet som politiet har for å transportere politiets innsatsstyrker i en kritisk situasjon, noe som det er stort behov for. Arbeidet med å få på plass en løsning med helikoptrene, som også kan benyttes til transport av politiet, må snarlig iverksettes. Arbeiderpartiet vil påpeke at hvordan regjeringen vil sikre politiets evne til maritim innsats heller ikke omtales i forslaget til statsbudsjett. Helt til slutt vil jeg minne om at beredskapstroppen har meldt at de har behov for nye båter, og de har behov for at regjeringen sikrer nødvendig maritim innsatsevne i en krisesituasjon i tiden framover.

borgerne, innbyggerne eller publikum om å gjøre dette – tvert imot. Det har skapt mye uro i en rekke fora: folkevalgte organer som kommunestyrer, regionråd og fylkesting. Rettssikkerhet, fagmiljø og rekruttering er ikke gode argumenter for sentralisering. Saksbehandlingstida er lav ved en rekke av de små tingrettene. Det er ikke sånn her – som det er i andre saker – at det er forholdet mellom smått og stort. Det er både store og små tingretter som fungerer dårligere. Det er ikke det det går på. Det går i stor grad på ledelse. Det er mange gode resultater fra små tingretter, med sorenskrivere som setter sin ære i å gjennomføre jobben i det jeg vil kalle en patriotisk går ikke hjem klokka fire – man går hjem når man har gjort jobben. Det er forbilledlig. Dette kom veldig tydelig fram i Senterpartiets seminar, hvor vi i høst inviterte både ledelsen i Domstoladministrasjonen og sentrale sorenskrivere for å utdype og forklare sitt syn. Jeg er veldig glad for Kristelig Folkepartis arbeid i denne saken – Venstre også, men først Kristelig som har ført til at Høyre og Fremskrittspartiet har måttet legge til side den store, planlagte sentraliseringa av tingrettene. De har kommet til at dersom man etter en slik prosess, som det heter, som betyr at kommuner og ansatte i domstolen involveres på en god måte, oppnår lokal enighet, har ikke Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti motforestillinger mot en sammenslåing, men en legger altså virkelig gode premisser for det hele. Dette er meget bra. Når det gjelder Senterpartiet framover, arbeider vi for å gjennomføre det vi foreslår, nemlig å stanse arbeidet med ytterligere sammenslåing av domstolene. Ordet «ytterligere» er ikke tilfeldig valgt. En kan stoppe opp og tenke seg om. Når det gjelder framtidssituasjonen for Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett, kan jeg komme tilbake til det. Det er riktig at de ligger i mitt valgdistrikt og mitt nærområde. Jeg er veldig stolt av de to tingrettene, og jeg skal utdype nærmere standpunktet om hvordan det skal gjøres på en god måte framover. Representanten Lene Vågslid har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Til prosessen som det blei lagt opp til rundt tingrettsstruktur: Eg kan vere einig med Lundteigen i at Kristeleg Folkeparti skal ha ros i saka, men eg trur at Høgre og Framstegspartiet sine eigne lokale representantar òg skal ha ros i denne saka, for dette var det lite einigheit om rundt omkring i landet. Arbeidarpartiet føreslår i innstillinga å seie nei til samanslåingane, unnateke der det eventuelt skulle vere lokal å understreke at me har fått veldig tydelege tilbakemeldingar i komiteen om at det ikkje er einigheit om dette i Hordaland – berre så det er sagt. Til Kontoret for voldsoffererstatning: Eg er veldig glad for at ein fann dei ti millionane. Eg synest det er synd at ein utset dei for den uroa som blei skapt etter regjeringas budsjettframlegg. Til barnehus: Det er veldig bra at løyvingane blir styrkte, men eg saknar framleis at ein kan øyremerkje midlane, med dei erfaringane me dessverre har frå det budsjettåret me no legg bak

og den jobben Stortinget gjorde med behandling av den, hadde blitt enklere. Faktum er at Arbeiderpartiet ble totalt avkledd for en hendelse som de politisk sett hadde et klart ansvar for – ikke for hendelsen som sådan, det er det kun gjerningspersonen som står ansvarlig for, men når det gjaldt det systemoperative ansvaret som sviktet, ligger det helt klart hos den regjeringen som satt da, og med den politiske ledelsen som var styrt fra Arbeiderpartiet. Det kan man like eller ikke like, men det er fortsatt et faktum. Da er det selvfølgelig sånn at ved å snakke om andre ting, og om det de andre ikke gjør, flytter man kanskje fokus bort fra egne svakheter/fortreffeligheter og unngår dermed fokusering på seg selv. Men hvis det er noe denne salen trenger, er det vel at folk tør å stå oppreist og si at der gjorde vi faktisk en for dårlig jobb. Til noe av den kritikken som har blitt reist her i dag, når det gjelder å utfordre regjeringen på helikopterkapasitet framover, er jeg helt sikker på at statsråden selv kunne ha ønsket å si: Jo, vi har en løsning – kommer til neste år. Men politikk handler også om prioritering. Prioritering er å ta de viktigste tingene først. Det gjør Stortinget daglig, det har Stortinget gjort og det er jobben til Stortinget. Det betyr at når det ikke kommer nå, forutsetter jeg at statsråden tenker over ulike verktøy og det han har ansvar for å få på plass er helikopter og helikopterkapasitet av det viktige. Representanten Christoffersen var inne på lokal beredskap. Jeg deler bekymringen, men det er også muligheter her. For jeg tror kommunene er ganske flinke til dette. Kommunene har stor lokal kunnskap. De har som regel flinke folk som jobber, og de har Fylkesmannen til å se seg i kortene. Utfordringene er kanskje å fokusere på mer enn et rent planverk. Grunnen til at jeg sier det akkurat sånn, er at jeg har hatt gleden av å sitte som leder i et kontrollutvalg i en liten kommune i Nordland. Man foretok en forvaltningsrevisjon av hvordan de lokale beredskapsplanene virket. Fylkesmannen var såre fornøyd og syntes det var kjempebra. Problemet var at de som skulle gjøre jobben, ikke visst hvor de skulle hen. Det var altså et stort avvik mellom det man opplevde var de forskjellige utøvernes rolle da krisen oppsto, og planleggingen. Planleggingen var perfekt, og rådmannen var såre fornøyd med Fylkesmannen. Kontrollutvalget var ikke fullt så «happy», for folk visst ikke hvor de skulle hen. Så den lokale kunnskapen og den lokale tilhørigheten er viktig. Løsningene vil ligge lokalt når en krise oppstår, med supplement fra andre nivåer. Først til Lise Christoffersen og spørsmålet om beredskapsrådene i kommunene: Det er

Det er selvfølgelig en svært viktig del av det samarbeidet som skal i gang mellom de nye politidistriktene og kommunene. Der skal det etableres helt nye samarbeids- og dialogmåter for å sikre samarbeidet når det gjelder beredskapsrådet, samarbeidet i politirådene, samarbeid om annen type tjeneste som kommunene kan forvente. Det vil være en del av den gjennomføringen som skal foregå i politidistriktene. Politidirektoratet vil gi retningslinjer på hvordan det skal gjøres i praksis. Det vil bli gjort underveis i gjennomføringen av nærpolitireformen. Når det gjelder representanten Asphjells utgangspunkt om DSBs undersøkelse av kommunenes evne til å gjennomføre sårbarhets- og risikoanalyser, er det en helt riktig påpekning. Det er en stor utfordring at det bare er halvparten som har gode nok risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er riktignok mye bedre enn det var før, men det er svært langt igjen til vi kan si oss fornøyd. Derfor har det vært viktig for regjeringen å styrke fylkesmennenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det ligger 10 mill. kr ekstra til det arbeidet i budsjettet, og regjeringen har ikke foreslått å kutte i DSB. Når det gjelder kostnadsfordelingen om nytt nødnett, som representanten Asphjell også var inne på, vil det følge den modellen som Arbeiderpartiet foreslo, med kostnadsfordeling, da prosjektet med nytt nødnett ble vedtatt i dette hus. Så noen få ord om domstoler og organisering. Representanten Lundteigen la til grunn at Domstoladministrasjonen ikke kunne arbeide med disse prosessene uten at det var politisk aksept for det. Det er naturligvis riktig at det er politisk aksept for at Domstoladministrasjonen skal gjøre jobben sin, nemlig å se på hva slags rammer og fremtidig organisering Domstoladministrasjonen mener er det fornuftige for domstolene. Men det er først når de har lagt frem sine forslag at den politiske behandlingen og oppfølgingen av det begynner. Jeg har lyst til å si, uten at det er et forsvar for store endringer i domstolstrukturen, at vi er i en situasjon hvor domstolene pålegges ganske sterke og stramme styringskrav, men har veldig liten fleksibilitet innenfor egen organisasjon. Domstolene er altså en uavhengig statsmakt. Det er også noe som man må ha med seg inn i diskusjonen om hvordan domstolene skal gjøre jobben sin, og hvilke rammer de skal gjør den jobben innenfor i de årene som står foran oss. Til sist har jeg også lyst til å si et par ord om helikopterberedskap. Det er helt riktig, som representanten Ellingsen tok opp, at her er det et stort utviklingspotensial. Vi har gjennomført en rekke tiltak, og vi har satt i gang en rekke prosesser, som Stortinget etter hvert vil få seg forelagt. Men det er klart at dette er store og viktige kapasiteter som det tar noe tid å finne dimensjoneringen av for fremtiden. Representanten Jorodd Asphjell har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen la fram et forslag til beredskapssenter på Alnabru. Nå har det fått en del kritikk fra en del representanter i denne sal. Jeg vil bare sitere hva som sto i statsbudsjettet for 2015 på side 85: det synes nå å være klart at det vil være mulig å innpasse gjeldende byggeprogram på Alna

Riktignok er det en enstemmig komité som understreker betydninga av at landets domstoler bør ha en tilfredsstillende bygningsmessig standard, men det gjelder tydeligvis ikke for Drammen, dessverre. Flertallet viser til at en er informert om situasjonen, men det stopper der. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet med tilslutning fra Senterpartiet Høyres ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, sendte til justisministeren på vegne av ordførerne i Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Svelvik og Sande. Egentlig kunne de for så vidt bare spurt meg. Allerede da jeg ble ordfører i Drammen i forrige århundre, regnet det gjennom taket. Saksbehandlerne måtte flytte bunkene etter værmeldinga så det ikke skulle være gjennomvåte dokumenter når de kom på jobb dagen etter. Jeg går ut fra at hele komiteen er kjent med at lokalene er svært gamle og lite egnet til å huse en tingrett. Da forundrer det meg litt når flertallet kanskje egentlig innfører en ny budsjettpraksis. Jeg har aldri opplevd noe liknende mens jeg har vært på Stortinget. En sier at en ber regjeringa vurdere prosjekteringsmidler til nytt tinghus i Drammen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016. Jeg er vant med at revidert budsjett er korrigeringer og justeringer for ting en ikke helt har hatt kontroll på, ikke stedet for å sette i gang nye tiltak. det er litt merkelig hvis regjering og stortingsflertall nå i desember 2015 vet at de ikke har penger til oppstartsprosjektmidler i Drammen i mai 2016, men samtidig sier: Men i mai 2016, da er vi helt sikre på at vi har penger å sette inn i revidert budsjett. Er det reelt at det kommer i revidert budsjett, eller er det et forsøk på en unnamanøver i en litt vanskelig situasjon nå, fordi en har en utålmodig Høyre-ordfører i Drammen? Jeg vet ikke. Hvis det er reelt, skjønner jeg ikke hvorfor en ikke bare kunne lagt inn de pengene her og nå. Det spørsmålet lar jeg henge litt i lufta, og så er jeg veldig spent på om jeg får noe svar på det. Som statsråden sa, skal sjølsagt Domstoladministrasjonen gjøre jobben sin. Det spesielle i denne saken er lufta, og så er jeg veldig spent på om jeg får noe svar på det. Som statsråden sa, skal sjølsagt Domstoladministrasjonen gjøre jobben sin. Det spesielle i denne saken er at Domstoladministrasjonen og dets styre over lang tid har brukt mye tid og mange krefter på struktur og på sentralisering av strukturer. Det har skapt mye uro. Det følger opp det som er så ikke bare denne regjering, men også tidligere, om å ha oppmerksomheten på struktur istedenfor å ha oppmerksomheten på organisasjon, kultur og ledelse. Det er så mye å lære av små tingretter. De er veldig effektive, de er billige, og en har høy kvalitet. Hvorfor går det ikke an å prøve å mangfoldiggjøre den kulturen, også over i de større tingrettene og over til de mindre tingrettene som ikke da i tilstrekkelig grad fungerer sånn? For det er også eksempler på det. Det er der den store utfordringa ligger. Så til forholdet Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Det er riktig at jeg er godt kjent i området Kongsberg, Numedal, Sigdal, Modum og Øvre Eiker – kjenner avstander, kjenner kultur. En er nødt til å se framover. En er nødt til å se tingrett og jordskifterett – se en helhet. Representanten Werp er også lokalkjent, ikke minst som Øvre Eikers tidligere Høyre-ordfører. Da er det interessant at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i komiteen med Werp som medlem sier: det kan foreligge gode grunner for sammenslåing av Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett med videreføring av kontorsteder både i Hokksund og på Kongsberg.» Jeg er enig i at det er grunner for sammenslåing avstand, størrelse på tingrettene og i stor grad felles arbeidslivsområde. Når Høyre valgte sammenslåing, så ikke Senterpartiet gode grunner til å gå imot enhver tingrettsendring, for enhver endring må vurderes konkret. Det vi så som vår oppgave å se på, var å påpeke det ulogiske i at en ikke skulle ha felles kontorsted. Når en ikke skal ha felles kontorsted når tingrettene ligger så nære hverandre, når hele poenget med sentraliseringa er å få felles kontorsted med større miljøer, velger vi å påpeke det. For Senterpartiet er det sjølsagt at vi skal ha en stedlig ledelse på statlige institusjoner, også domstolene – én domstol, ett kontorsted, én stedlig ledelse. Problemer med rekruttering og kvalitet på oppstår når det skapes tvil om framtida til domstolen. Derfor er det viktig nå at tvilen tas vekk, sånn at domstolene kan arbeide i fred og dyrke den gode kulturen som vi har mange eksempler på ved de små tingrettene. Representanten Anders B. Werp har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Både representanten Christoffersen og representanten Asphjell tar opp det lokale beredskapsarbeidet og fylkesmennenes og kommunenes viktige rolle der. Det er jeg helt enig i at er helt avgjørende i fortsettelsen. Så påpekes det en inndekning fra flertallets side som problematisk, og da returnerer jeg det spørsmålet til representantene: Hvorfor har dere da selv kuttet 23 mill. kr i Fylkesmannens budsjetter? Videre spør representanten Christoffersen hvorfor man ikke bare kan bevilge penger til sluttføring av et forprosjekt i Drammen tingrett. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Vi kan ikke gjøre slik som Arbeiderpartiet gjør i sitt budsjett, og bruke 4,75 mrd. kr som ikke har inndekning. Det kan i hvert fall ikke vi fra flertallet gjøre. Og til Senterpartiet som konstaterer at man er mot sammenslåing av tingretter overalt, men ikke i Kongsberg, Eiker, Sigdal og Modum tingretter. Representanten Hårek Elvenes har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg konstaterer at jeg ikke har fått svar på mitt spørsmål til Arbeiderpartiet om Arbeiderpartiet står ved at de som begår kriminalitet på norsk jord, skal sone i Norge. Hvis svaret er ja, er budsjettet til Arbeiderpartiet underbudsjettert med minst 74 mill. kr. Hvis svaret er budsjettet til Arbeiderpartiet underbudsjettert med minst 74 mill. kr. Hvis svaret er ja, har åndsnærværelsen i Arbeiderpartiet vært svak på dette punktet. Det å sitere er ikke så veldig vanskelig, men det å sitere riktig kan noen ganger være krevende, for når man trekker ut en liten del av omtalen rundt Alna, får man rett og slett et feil inntrykk. Som representanten Asphjell burde vite, har både KVU-en og KS1-en, som da er kvalitetssikringsrundene på gjennomgangen av det nasjonale beredskapssenteret, vist at Alna er klart dårligst. Det er et helt annet konsept enn det som kan være på Grønmo eller i Ski. Det er mye dårligere, det er mindre sikkerhet, og det er vesentlig dyrere, og det er både i KVU-en og i KS1-en sagt at det er et klart uaktuelt alternativ. Jeg synes det er litt spesielt at man lager et inntrykk av at det ville vært mulig å plassere et beredskapssenter à la det vi snakker om på Grønmo, på Alna, for det ville rett og slett ikke vært mulig. Det var for dårlig planlagt. Jeg kan heller ikke skjønne at Arbeiderpartiet helt seriøst mener at man skulle plassert et beredskapssenter på Alna, som de vet ville blitt dårligere, som de vet ville blitt dyrere, og som de vet risikoen ville vært langt høyere med enn med de alternative konseptene. Jeg venter sikkert for mye, men hvis jeg hadde hatt ansvaret for et prosjekt som var så dårlig lansert og gjennomført som det nasjonale beredskapssenteret på Alna var, ville jeg vært takknemlig for at det var noen som tok grep, satte seg ned og gjorde den jobben grundig, slik at vi faktisk kan få realisert et skikkelig nasjonalt beredskapssenter. Det hadde vi ikke fått gjort med de planene som den forrige regjeringen hadde lagt til grunn. Når det gjelder Lise Christoffersen og Drammen tinghus, fortalte hun at da hun var ordfører – jeg tror hun sa i forrige århundre, men det var også i forrige årtusen – regnet det gjennom taket. Da kunne det vært fristende for en sittende statsråd å si at kanskje man burde gjort noe da med de regjeringene som var da og har vært i etterkant. Jeg har bedt Domstoladministrasjonen gjennomføre en helhetlig vurdering av hvilke bygg de ønsker å prioritere fremover, for i domstolene i Norge er det mange bygg som trenger både vedlikehold og nybygg, og det er viktig at vi da har en realistisk prioritering av den bygningsmassen, slik at det ikke blir satt i gang prosjekter som man ikke klarer å gjennomføre. Målet er jo at man skal klare å få resultater til slutt, og da må utgangspunktet også være realistisk, uten at det er et svar på spørsmålet om hva vi kommer tilbake til i revidert budsjett, for vi kommer tilbake til det i revidert budsjett i samsvar med det som er Stortingets merknad på det området. har lyst til bare å kommentere Lundteigens innlegg kort. «Det er så mye å lære av små tingretter», sier Lundteigen. Ja, det er kanskje det, men det er mye å lære på godt og vondt. De små tingrettene er mer sårbare, det er en kompetanseutfordring, og det er veldig små fagmiljøer. Vi har tingretter hvor det er to og tre dømmende årsverk, og det sier seg selv at disse skal kunne håndtere alle saker det skaper noen reelle begrensninger. På den annen side er det fordeler med kortere reisetid til arbeidsplassen, men vi må få dette faglige grunnlaget for den skikkelige debatten, og det er det Domstoladministrasjonen utarbeider. Justisministeren sa at 22. juli var en alvorlig sak. Ja, det er Justisministeren sa at 22. juli var en alvorlig sak. Ja, det er vi i Arbeiderpartiet helt enig med justisministeren i. Er det noen som vet hvor alvorlig det var, er det Arbeiderpartiet og Justisdepartementet. Vi tok ansvar. det gjelder det at ting ikke fungerte. Det sto ikke godt nok til, og det tar vi erkjennelsen av. Dette alvorlige bakteppet innebærer et stort ansvar for oss politikere, og vi har ikke råd til å vente med de beredskapstiltakene vi vet det er behov for. Justis- og beredskapsministeren peker på flere politifolk som et resultat av en beredskapssatsing. Arbeiderpartiet er veldig glad for flere politifolk, og vi mener de gjør en god jobb, men flere politifolk er et konkret resultat av forrige regjerings økte opptak til Politihøgskolen. Det er enkel logikk – flere studieplasser, flere politifolk. Alene er likevel ikke nok, og det er heller ikke et situasjonssenter i POD. Vi i Arbeiderpartiet har i denne debatten gitt uttrykk for vår utålmodighet. Det er ikke nok med en plan for beredskapssenter, når planen ikke sier noe om når vi kan forvente tomtevalg eller et tidspunkt for ferdigstillelse. Når det gjelder Anundsens plan, som etter sigende skal gå på skinner, vil jeg spørre konkret: Er det en tidsangivelse for når vi kan forvente at et beredskapssenter skal stå ferdig? «Vi har lagt fram romslige budsjetter for beredskap», sier Leirstein. Det er ikke penger til nasjonal skalerbar operasjonssentral, ikke til helikopterberedskap, ikke til maritim beredskap – og det ser ikke ut til at vi skal få noe beredskapssenter i denne perioden – og ikke penger til sikkerhetstiltak i Oslo tingrett. Politimesteren i Oslo sa i fjor til ABC Nyheter at politiet ikke var rustet for kriser. Hva har endret seg siden i fjor? Statsråden sier det ikke er behov for en nasjonal skalerbar operasjonssentral. Det er vi i Arbeiderpartiet så langt uenige med statsråden i, i hvert fall inntil vi har fått på plass hvordan statsråden vil løse nasjonale kriser på en annen måte. I denne sammenhengen vil jeg gjenta mitt spørsmål til statsråden, siden han ikke svarte på det i replikkordskiftet: Hvem har det operative ansvaret dersom det i dag skulle oppstå flere alvorlige hendelser i samme politidistrikt? Representanten Lise Christoffersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. bare en kort kommentar til representanten Werp. Vi får ikke penger til nytt tinghus i Drammen fordi en ikke kan bevilge penger en ikke har, men en vet nå at en har dem neste år, og det er jo neste års budsjett vi nå behandler. Jeg tror vi lærte på skolen en gang at den typen resonnement kalles for en tautologi. Det er – på en måte – et sånt resonnement som biter seg selv i halen og mangler empirisk innhold. Når det gjelder statsråd Anundsen og hvorfor vi ikke gjorde noe da det regnet gjennom taket i forrige årtusen: Jo, vi gjorde det, da bygde vi nytt politihus, som også var en del av hele det falleferdige komplekset som står der i dag, men som nå rommer tingretten. Da bidro til og med Drammen kommune med 40 mill. kr i forskuttering av midler for å få dette på plass, og vi greide til og med å tigge 3 mill. kr i bidrag fra lokalt næringsliv. Så jeg ber så innstendig jeg kan: Finn i hvert fall 6 mill. kr i revidert budsjett for 2016. jeg ber så innstendig jeg kan: Finn i hvert fall 6 mill. kr i revidert budsjett for 2016. Representanten Henriksen sier at det sto ikke bra nok til den 22. juli 2011, og det har hun helt rett i. Gjørv-kommisjonen har pekt på det, en rekke andre viktige evalueringsrapporter har pekt på det samme. Den særskilte komité har pekt på det, kontroll- og konstitusjonskomiteen har pekt på det. Det er en erkjennelse som er positiv, selv om men de satt altså i regjering i ytterligere to år etter den alvorlige hendelsen. Det jeg sa i mitt forrige innlegg, var at jeg var overrasket over hvor lite man hadde fått gjort på de to årene – kanskje fordi en ventet på Gjørv-kommisjonens rapport. Kanskje gjorde det at en ikke kom i gang med en del av de tiltakene som en uansett måtte komme i gang med. Situasjonen er nå annerledes. Jeg tillater meg igjen å oppfordre representantene fra Arbeiderpartiet til å se på kontrollsaken om samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet fra juni i år. Der er det lagt inn en rekke oversikter over hvilken innsats som er gjort siden regjeringsskiftet. Jeg synes det rett og slett er litt ubehagelig når man forsøker å dra samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet ned til å dreie seg om to ting. Nå har det kommet et par ting etterpå, 3 mill. kr til beredskapssenter i Østfold og et nasjonalt beredskapssenter, som vi faktisk har bra kontroll på, i motsetning til den forrige regjeringen. Vi har et realiserbart prosjekt som nå skal inn i forprosjektet sitt i 2016, og da vil det bli klart hva slags kostnadsrammer en legger opp til i KS2, hva slags beslutningsgrunnlag som etter hvert vil bli tydelig, og hvor lang tid det vil ta. Det vil ikke ta vesentlig lengre tid enn det som var utgangspunktet med Alna. Representanten sier også at vi ikke har Vi har forbedret helikopterberedskapen dramatisk.Vi har halvert responstiden, eller klartiden, for Forsvarets støttehelikopter til politiet fra to til én time. Det er en enorm forbedring. Den maritime beredskapen er det gjort mye med, og det handler om mer enn båter til beredskapstroppen. Jeg synes man banaliserer arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en måte som ikke er dette huset verdig, og jeg håper at en benytter anledningen til å sette seg bedre inn i hva som faktisk er gjort på dette området, i forhold til det behovet som er. Jeg sier ikke at vi er ferdig med alt – heldigvis er vi ikke det. Det er fortsatt arbeid som må gjøres. Men jeg synes det er viktig at en får denne debatten også på rett spor, ikke bare det faktiske arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Når det gjelder spørsmålet fra Henriksen om hvem som har det operative ansvaret ved flere alvorlige hendelser i samme politidistrikt, er jo ikke det noe spørsmål – det er selvfølgelig det politidistriktet som disse hendelsene skjer i. Spørsmålet er hva man skal gjøre i situasjoner hvor det er flere alvorlige hendelser i ulike politidistrikt. er det tre svar på, egentlig. Det ene er robustheten i operasjonssentralene, at etter nærpolitireformen vil det være seks operatører på hver operasjonssentral. Det andre er at vi har nabohjelp på plass. Det tredje er at vi har Politidirektoratet, som avgjør hvem som skal ta ansvar, hvis det er flere hendelser i ulike politidistrikt. Representanten Margunn Ebbesen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Henriksen sier at de startet jobben med politistillinger. Ja, de startet jobben, men de klarte ikke å avslutte den heller. I årene før vi overtok, gikk det kull ut av skolen som ikke fikk jobb. Vi har sørget for at utdannede politifolk nå får jobb å gå til. Så registrerer jeg at verken jeg eller representanten Elvenes får svar på spørsmålene om hvordan Arbeiderpartiet skal finansiere det at de ikke tar inn over seg konsekvensene av leieavtalen med Nederland. Hva mener Arbeiderpartiet med soningsoverføringer? Skal man slutte med soningsoverføringer? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 7 og 8 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og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

arbeid med spørsmålet om midlertidig bevæpning naturligvis hadde «lagt til grunn at norsk politi skal være ubevæpnet», og at den midlertidige bevæpningen var svar på det som var en ekstraordinær situasjon. Komiteen vil understreke at det aldri før i norsk historie har vært innført midlertidig bevæpning i et så stort omfang over så lang tid som vi nå ser. Vi har siden 21. november 2014 hatt en «ekstraordinær» situasjon som har krevd ekstraordinære tiltak. Jeg vil minne om at komiteens flertall har understreket viktigheten av at situasjonen med midlertidig bevæpning ikke glir over i en vedvarende bevæpning, som også er i tråd med hva et enstemmig storting vedtok i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:34 S Komiteen merker seg at det er ulike politifaglige syn på om bevæpning er et hensiktsmessig virkemiddel i lys av trusselsituasjonen høsten 2014. I St.meld. nr. 42 for 2004–2005 – Politiets rolle og oppgaver – er det tydelig uttrykt at regjeringen ønsker å videreføre ordningen med et ubevæpnet politi i Norge. I diskusjonen om politiet skal være bevæpnet eller ikke er «tillitsskapende» og stikkord for å betegne effekten ubevæpnet politi har overfor publikum. I forbindelse med behandlingen av Prop. 61 LS for 2014–2015 – nærpolitireformen – var Arbeiderpartiet opptatt av dette skulle bli en kvalitetsreform med det formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Komiteens flertall har merket seg at statsråden har gitt uttrykk for at han vil ha en offentlig utredning om permanent generell bevæpning av politiet, noe som Arbeiderpartiet støtter. Vi vil understreke at sammensetningen og mandatet for en slik utredning må ha bred troverdighet både faglig og politisk. Jeg vil avslutningsvis peke på de negative konsekvensene som den midlertidige bevæpningen har hatt med tanke på vådeskudd og politifolk som har kviet seg for å gå inn på utesteder i frykt for å bli fratatt tjenestevåpenet, bl.a. Med det alvorlige bakgrunnsteppet vi har knyttet til disse spørsmålene, vil jeg ta opp forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hvor vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget for å gjøre tydelig rede for hvilke vurderinger som vil vektlegges ved en eventuell midlertidig bevæpning, hvordan Stortinget i større grad kan involveres i framtiden, og hvordan regjeringen på en bedre måte kan sikre systematisk informasjon om direkte og indirekte negative konsekvenser av bl.a. midlertidig bevæpning. Arbeiderpartiet vil også stemme for SVs forslag nr. 2 i Representantforslag 9 S, hvor det står: «Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har relevant og nok trening, at vådeskudd eller andre episoder følges opp og rapporteres og at nødvendige tilpasninger i våpeninstruksen gjøres for å unngå slike episoder.» Representanten Jorodd Asphjell har tatt opp de forslagene han refererte til. La oss slå fast følgende: Norsk politi skal i en normalsituasjon være ubevæpnet. Eventuelle endringer som medfører at politiet skal bevæpnes permanent, må besluttes av Stortinget. Derfor er

oppfordret ISIL gjennom sin talsperson Abu Muhammad al-Adnani til angrep på USA og Europa. Vantro amerikanere og europeere skulle drepes. Selve oppfordringen var så barbarisk at justisministeren faktisk avsto fra å sitere den i sin redegjørelse 7. juni. Etter at oppfordringen gikk ut fra IS, er barbariet blitt fullbyrdet mange ganger, sist i den grufulle terroraksjonen i Paris, der 130 uskyldige mennesker ble meid ned av IS-sympatisørenes kuler. Grunnlaget for den midlertidige bevæpningen er et uavklart trusselbilde med fortsatt terrorfare. Høyre har full tillit til sikkerhetsmyndighetene og statsrådens vurderinger og konklusjoner om å bevæpne politiet midlertidig i den rådende situasjonen. Det motsatte ville ha vært å neglisjere trusselvurderingen og utsette borgerne, politiet og samfunnsinstitusjoner for unødvendig risiko. Høyre er av den klare oppfatning at trusselbildet og en rekke terroraksjoner med all tydelighet viser at det er behov for å bevæpne politiet midlertidig også i Norge, ikke minst av hensyn til politiet selv, som er pekt ut som et uttalt mål. Etter Høyres syn er det ingen grunn til å reise kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet i denne saken og håndteringen av Den midlertidige bevæpningen er basert på gradert informasjon som ikke er tilgjengelig for Stortinget. Derfor vil det være uansvarlig av Stortinget å sette en tidslimit for en bevæpningsperiode. Dessuten er det konstitusjonelt meget betenkelig, fordi det vil rokke ved et ansvar og arbeidsfordelingen mellom Stortinget og Det er det som vil være konsekvensen hvis man vil vedta SVs forslag, som vi behandler i denne sak. La meg ta det viktigste først, nemlig ta opp forslaget fra Fremskrittspartiet, så jeg ikke glemmer det. Fremskrittspartiet har en annen tilnærming enn de andre i denne saken. Vi er kommet til gjennom en bred debatt som har gått i partiet vårt i lang tid, at vi ønsker å innføre permanent bevæpning i norsk politi. Vi er klar over at vi er en del av en regjering som har et annet standpunkt, men den partipolitiske forankringen tilsier at vi ønsker å innføre en slik ordning. Det fremmer vi forslag om nå. Ellers synes jeg at representanten Elvenes var inne på noe viktig om det som er bakgrunnen i forslaget fra SV. Hvor langt skal Stortinget gå i å instruere regjeringen om hva de kan og ikke kan gjøre? Det er slik at når man har laget de avgrensningene som ligger her, må man enten respektere dem eller prøve å finne måter å endre dem på. Men spilleregler som er vedtatt, er det viktig å ta vare på. man fort opp i et system som man ikke ønsker selv å være en del av, og som i verste fall fører til at man får et utilsiktet resultat. De gangene vi diskuterer norsk politi her, opplever jeg at norsk politi gjennomgående får god kritikk for jobben de gjør. Vi har flinke mannfolk og flinke damer som gjør en jobb i hele landet. Det har vært hendelser som de aller fleste av oss skulle sett ikke skjedde, uhell der de har vært Det tror jeg er et fokus som ikke skal dreie seg om hvorvidt vi skal forby midlertidig bevæpning eller ikke. Da må vi heller se på den opplæringen vi har, og hvordan vi tilnærmer oss dette. Nå har noen av oss vært lenger i justiskomiteen enn andre, men tilbakemeldingene bl.a. fra studentene på Politihøgskolen har tidligere vært at skytetreningen har vært en akillessene for dem. Det var der de fleste strøk. Jeg har oppfattet at statsråden sier at man er bevisst på det, og at man har gjort grep på Politihøgskolen som gjør at faren for det reduseres. Når man går til det skritt at man lar noen bære våpen og skarp ammunisjon, kan det komme til å skje ting. Det vi ønsker, er at det skal skje på en kontrollert og forsvarlig måte. Tilbake i tid var det slik at politiet ofte rekrutterte folk som hadde vært i Forsvaret. I sin tid var det faktisk et krav om at man skulle ha avtjent førstegangstjenesten. Man hadde altså mer kunnskap og mer viten om bruken av våpen. Det har man i mindre grad nå. Det betyr at det er enda mer essensielt å sørge for at opplæringen som blir gitt, er riktig og god, slik at de føler seg komfortable og trygge den dagen de står i en situasjon der våpen må brukes. Noen har tidligere i debatten vært inne på at man føler seg ubekvem i situasjoner fordi man har våpenet med seg. Det synes jeg er leit, og jeg synes det er alvorlig. Vi må sørge for at de som gjør jobben på vegne av oss og regjeringen, er komfortable og trygge slik at de er i stand til å løse de utfordringene de har havnet opp i. Hvis ikke gjør vi ikke vår jobb med å legge til rette slik at de skal gjøre sin jobb på best mulig måte. Dermed er forslaget fremmet og begrunnet. Representant Jan Arild Ellingsen har tatt opp forslaget som han Jeg hadde håpet og trodd at når saken kom til debatt i Stortinget, var den midlertidige bevæpninga avsluttet, og at vi skulle diskutere det som hadde vært, og det som skal løses i framtida. Nå er det ikke sånn. De tragiske hendelsene i Paris gjorde at den varslede fjerninga av den midlertidige bevæpninga ikke ble gjennomført, og at en fremdeles har midlertidig bevæpning i noen uker til. Jeg vil iallfall si at de sakene som vi har hatt i komiteen, både representantforslaget fra SV og redegjørelsen, har ført til viktige diskusjoner og viktige høringer – og for så vidt også viktige avklaringer som står i innstillinga i dag. Fra Kristelig Folkepartis side mener jeg at det er problematisk at vi har hatt bevæpning så lenge som vi har hatt. Samtidig mener jeg også at det er viktig å ha et skille mellom midlertidig bevæpning og permanent bevæpning, og mellom om en er for bevæpning i seg selv, og om en støtter midlertidig bevæpning. Kristelig Folkeparti har i sin konklusjon vært tydelig på det konstitusjonelle ansvaret som statsråden har. Derfor ligger det på statsrådens bord å måtte ta disse beslutningene. Det er statsråden og regjeringa som sitter med de graderte vurderingene og den graderte informasjonen, og det er Stortinget som skal kontrollere om han eventuelt har fulgt opp og gjort jobben sin på en god nok måte. Dersom en rokker for mye ved det, medfører det at Stortinget påtar seg et stort ansvar i de beslutningene, uten å ha den informasjonen vi hadde trengt å ha. Derfor understreker jeg nok en gang at jeg har tillit til at POD gjør sine vurderinger på en god måte, og at statsråden seinere gjør sine vurderinger på en god måte. Samtidig, og det kan være frustrerende for dem som er uenig med meg, benytter jeg muligheten til å stille spørsmål og til hele tiden å etterstrebe hvordan Stortingets ønske om et ubevæpnet politi raskest mulig skal kunne bli situasjonen igjen. Jeg er nå litt undrende til at det ble varslet at den midlertidige bevæpninga skulle avsluttes på grunn av at trusselnivået var gått ned, og at det nå er en uavklart trusselsituasjon. Det har jeg fremdeles forståelse for, men når den uavklarte trusselsituasjonen blir avklart – noe som jeg håper skjer raskest mulig – og hvis det viser seg at trusselnivået faktisk har gått ned, har jeg forventninger om at den midlertidige bevæpninga avsluttes. Det må iallfall ikke bli sånn at midlertidig bevæpning er et argument for at bevæpning er det beste forsvaret mot terror – slik jeg litt for langt på vei oppfatter at den glimrende representanten Hårek Elvenes argumenterer har f.eks. vist til FFI og den gjennomgangen de har hatt av de 76 angrepene mellom 2001 og 2014, som viste at det ikke nødvendigvis er bevæpnet politi som er det beste virkemiddelet for å hindre terrorangrep. Det er slik jeg langt på vei oppfatter Elvenes’ resonnement, og det mener jeg er feil. Der mener jeg, som vi har debattert mange ganger tidligere, at det kanskje er mange tiltak som er bedre egnet til akkurat det. Men når den konkrete trusselen har vært som den har vært, har jeg hatt forståelse for at politiet må være bevæpnet, bl.a. ut ifra at de kan være mål i seg selv. Når det gjelder den permanente er jeg glad for at statsråden har varslet et offentlig utvalg. Det tror jeg er veldig klokt og veldig riktig i den situasjonen vi er kommet i, for det er en ganske amper debatt knyttet til bevæpning. Jeg skjønner også at sett fra politiets side – når de går rundt og føler det på kroppen hver eneste dag – er det iallfall viktig at vi tar den diskusjonen alvorlig, og at vi får et felles faktagrunnlag å ta debatten videre på. Sånn jeg ser det i dag, er det gode argumenter for å ha bevæpning i en del situasjoner – ikke nødvendigvis mot terror. Hvis en er på oppdrag og tror en går inn i en helt ufarlig situasjon, og så plutselig oppdager at det er veldig krevende, er det klart at det vil være utfordrende ikke å ha våpen på hofta. Men det er også veldig mange gode argumenter for hvorfor det ikke er riktig å ha bevæpning til enhver tid, og de vil jeg framføre. Det å kunne få et felles grunnlag med et utvalg som har et bredt mandat, og som er bredt sammensatt, tror jeg uansett vil tjene debatten. Vi kan forhåpentligvis ta den debatten i ro og mak når den midlertidige bevæpninga forhåpentligvis snart er avsluttet. Det er Det er mange ting som gjer meg glad for å bu i Noreg, sjølv om det er vinter halve året og dei geografiske avstandane er enorme. Ein av dei tinga som gjer meg glad for å bu her, er at avstanden mellom politiet og innbyggjarane ikkje er stor. Då tenkjer eg i denne samanhengen ikkje på geografi, den avstanden er jo større eller mindre alt etter kor ein bur. Men avstanden er liten i den forstand at det er stor tillit i befolkninga til politiet. Politiet er mange plassar tett på folk med godt førebyggjande arbeid. I motsetning til i mange andre land har politiet vårt eit sivilt preg. Dei handterer vanskelege situasjonar på imponerande vis med sunt vett og ei god tilnærming til kva det vil seie å vere politi og ordensmakt. Når eg begynner innlegget mitt med å framheve dette, er det fordi eg ønskjer at vi skal ha eit Spørsmålet om væpning av politiet er eit spørsmål som handlar om meir enn praktiske aspekt ved sjølve væpninga. Vi har i godt over eit år hatt mellombels væpning av politiet knytt til terrorvurderinga som vart gjord i fjor. Uniformert politi og forsvarspersonell var blant dei som var sett på som særleg utsette. For oss her på Stortinget er det vanskeleg å meine at vi skal kunne overprøve den vurderinga om mellombels væpning som vart Vi må halde oss til arbeidsdelinga mellom storting og regjering. Derfor er det Senterpartiet ikkje støttar den delen av representantforslaget frå SV som går ut på å setje tidsavgrensing på eitt år for mellombels væpning, før ein må ha eit vedtak i Stortinget. Dette betyr likevel ikkje at vi meiner spørsmålet om langvarig mellombels væpning ikkje er relevant for Stortinget. Det er det i høgste grad fordi stadig fornya mellombels væpning er problematisk sett i forhold til at Stortinget har slått fast at vi framleis skal ha eit generelt uvæpna politi her til lands. Det er grunnprinsippet, og så må regjeringa kunne godkjenne mellombels væpning når situasjonen krev det. Senterpartiet har saman med Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti poengtert at det er vanskeleg å rekne den mellombelse væpninga som mellombels, dersom ho stadig blir held fram i årevis. Derfor har dei tre partia framheva kor viktig det er at justis- og beredskapsministeren i kontakt med Politidirektoratet aktivt søkjer andre alternativ til dagens væpningspraksis. Eg vil også framheve kor viktig det er at systematisk informasjon om negative konsekvensar, både direkte og indirekte konsekvensar, blir samla inn frå politidistrikta før eit mellombels løyve til væpning er i ferd med å gå ut på dato. skal vurdere eventuell forlenging av løyvet, er det vesentleg at slik informasjon blir teken med i vurderinga. Det er ingen tvil om at ting som skjer ute i verda, også påverkar debatten her heime om korleis politiet skal vere rusta. Terrorangrepet i Paris er eit skrekkeksempel. Der gjekk det frykteleg gale, og det er lett å rope på meir våpen for å unngå at slikt skal skje her til lands også. Det er likevel verdt å minne om at politiet i Frankrike er generelt væpna. Terrorfaren og konsekvensane av den terroren som faktisk skjer, blir ikkje nødvendigvis mindre av at politiet har våpen i beltet. Samtidig er det klårt at det er situasjonar der det vil vere ein absolutt fordel å ha våpenet for hand, det kan vi ikkje tale oss bort frå. Det vi må gjere, er å vege fordeler og ulemper mot kvarandre og finne ut kva slags politi vi skal ha. Senterpartiet meiner vi framleis skal ha eit politi med eit sivilt preg, som er generelt uvæpna, men som skal ha god tilgang til våpen når det trengst. Den framskotne lagringa av våpen er eit framsteg i så måte, og vi må sørgje for at den ordninga fungerer godt og smidig. Framstegspartiet legg fram eit forslag om å innføre permanent generell væpning. Eg er glad for at fleirtalet på Stortinget ikkje støttar dette forslaget frå Framstegspartiet. Framover er det viktig at vi sikrar oss eit best mogleg vurderingsgrunnlag før nye rundar med denne debatten. Målet må vere ein væpningspraksis som sikrar både eit trygt samfunn og framleis stor tillit og kort avstand mellom politiet og innbyggjarane. Når jeg ser utover salen på mine kollegaer som sitter her, ser jeg jo at har lengre ansiennitet enn meg på Stortinget – selvfølgelig bortsett fra varaen fra Hordaland – men jeg har forstått det sånn at for at SVs forslag skulle ha blitt votert over i salen, måtte det ha blitt fremmet som et løst forslag i dag morges. Jeg har forstått det sånn at det ikke er fremmet, og at det derfor ikke er et av de forslagene som vi behandler her i dag. Men det er med all ydmykhet jeg sier dette, jeg kan ta feil. Hvis jeg tar feil, vil vi stemme for SVs forslag, men siden jeg tror jeg har rett, kommer jeg ikke til å si så mye mer om det i innlegget mitt. Det er ikke tvil om at vi er i en alvorlig situasjon, slik trusselsituasjonen er nå. Men det er også alvorlig når den midlertidige bevæpningen drar ut i tid. Vi har midlertidig bevæpning først og fremst fordi den trusselsituasjonen som er nå, er rettet mot bl.a. polititjenestemenn selv, uniformert politi. Men selv om de er bevæpnet for å beskytte seg selv, følger det en del negative konsekvenser med bevæpningen. Flere har vært inne på de vådeskuddene som har blitt avfyrt, og det står også omtalt i saken. Det har heldigvis gått godt, iallfall relativt godt, så langt, men det er ganske alvorlig når vi ser en økning i antall vådeskudd. Jeg synes også det er ganske alvorlig når en bevæpning drar ut i tid, fordi en midlertidighet Kanskje ser vi ikke konsekvensen av en normalsituasjon etter ett år med midlertidig bevæpning, men man er med på å normalisere noe som egentlig skal være spesielt og unikt og kun brukes i et kortere tidsrom. Så er det slik, som også blir behandlet i de to sakene, og står omtalt, at vi har en våpeninstruks som ikke er laget for tilfeller der bevæpningen skal vare over så lang tid som nå. Vi har en våpeninstruks som egentlig er laget for de konkrete, spesielle situasjonene, når politiet trenger å bevæpne seg for å gå inn i en situasjon. Så har vi gjort den permanent på midlertidig basis, og det har medført at politiet går med ladde våpen. Så har politiet selv sett at dette kanskje er noe man må ta tak i, men jeg mener at det er noe vi burde ha sett lenge før, at det er noe justisministeren burde ha tatt tak i tidligere, for nå har vi en situasjon der denne midlertidigheten har vart i et helt år, hvor politiet har gått med ladde våpen på hofta. Jeg mener også at så lenge vi har en situasjon som er så uavklart med tanke på endetidspunkt, er det på tide at vi får litt fortgang i arbeidet med å se på hvilke andre måter vi kan beskytte samfunnet vårt på, hvilke andre måter vi kan møte denne konkrete trusselsituasjonen som vi nå står overfor på, men også eventuelt framtidige trusselsituasjoner, som ikke innebærer en midlertidig bevæpning av alt politi. Så har flere vært inne på hendelsene i Paris – grusomme og alvorlige hendelser som også kan ramme oss i Norge. Men vi skal ikke overdrive en alminnelig bevæpnings effekt mot sånne typer terrorhendelser. Kjell Ingolf Ropstad viste til FFIs gjennomgang tidligere i år av ulike terrorhendelser i Europa og i Nord-Amerika, jeg tror den var januar, der de viste at en generell bevæpning av politiet ville ha liten effekt i de aller fleste av den type angrep. Det har å gjøre med at de har overraskelsesmomentet på sin side. Man trenger tyngre bevæpning enn det politiet vanligvis går med. Vi så også i Paris at sånne terrorhendelser kan skje selv om man har et bevæpnet politi. Det som FFI peker på er det viktigste virkemidlet mot terror, er ikke nødvendigvis våpenet, men etterretningen. Det skal vi også ta inn over oss her – at det handler ikke bare om ett virkemiddel. Vi må se på alle de virkemidlene vi har tilgjengelig for å bekjempe terror. Jeg mener det også er problematisk når vi blander debatten om den midlertidige bevæpningen med ønsket om en generell bevæpning. Spesielt utfordrende er det for en justisminister som skal lede oss gjennom dette, og som er helt klar over at Stortingets vilje er at vi skal ha et ubevæpnet politi i Norge, når hans eget parti fremmer forslag om en permanent bevæpning. Han skal sette ned et utvalg, og vi vet at som man roper i skogen, får man svar. Jeg håper at vi får et utvalg som ser på dette på en nøyaktig, god Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det ikke foreligger noe forslag fra SV. Det er heller ikke tatt opp noe forslag fra SV. kan verte den stortingsperioden då permanent væpning av norsk politi vart verkelegheit. Eg seier ikkje at det skjer, men det er ei reell moglegheit for at når vi i ettertid ser tilbake, vil vi seie at den avgjerande endringa skjedde gjennom ei tilvenning i denne stortingsperioden. Det spesielle er at det kan skje, sjølv om berre eitt av partia på Stortinget har det som politisk standpunkt, og sjølv om Stortinget våren 2015 gjekk samrøystes mot det. Mange politikarar har uttrykt skepsis og bekymring, eit fleirtal i Stortinget faktisk. Ei rask googling viser at mange av representantane som er til stades her i dag, er blant dei. Fleire av dei har til og med i media nemnt ei tidsramme for når mellombels ikkje lenger er mellombels, men har vorte permanent. Når vi risikerer at den mellombelse væpninga gradvis vert varig, er det etter mitt syn tre årsaker til det. Det første er varigheita. Spørsmålet vi må stille oss, er: Kor lenge kan ein situasjon kallast mellombels? Eit kvartal, eit år – eller finst det absolutt ingen grenser i det heile? Det er svært vanskeleg å setje ei grense. Dersom ein meiner at det ikkje finst ei grense, er skiljet mellom mellombels og varig absolutt utviska. Då overser ein eit grunnleggjande spørsmål: Kor lenge kan ei væpning som er i namnet, stå seg før det har endra norsk politi, det norske samfunnet, på ein måte som vert vanskeleg å reversere fordi det har vorte vanleg? Det andre er korleis grunngjevinga har forandra seg. Då den mellombelse væpninga vart innført, var det som ein respons på ein særskild situasjon der det var ein konkret trussel mot uniformert personell. Det var